ja da

grunnlovfesting av retten til å søke asyl. Grunnlovsforslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Representanten Anette Trettebergstuen vil fremsette et representantforslag.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

på en slik måte at flest mulig kan bli godt integrert, lære språket, komme raskt i arbeid og ta ansvar for seg selv og sine. Integreringsarbeid må være langsiktig, og det krever innsats fra alle parter: myndigheter, lokalsamfunn, frivilligheten, arbeidslivet og hver enkelt av dem som skal i gang med livet sitt i Norge. Jo raskere en asylsøker får bosette seg i en kommune, desto raskere kan vedkommende delta og bidra med sine ressurser i arbeidsliv og samfunn. Derfor må bosettingsarbeidet i kommunene prioriteres. Kommunene viser nå stor evne og vilje til å bidra i dette arbeidet: I 2015 bosatte de mer enn 11 300 flyktninger, en økning på 46 pst. fra året før. Det vises i meldingen til at regjeringen og KS vil lage en oversikt over kommunenes utgifter som vertskommune for asylmottak. Det er viktig at kommunene får kompensert for sine ekstrakostnader i dette arbeidet. Situasjonen i dag er at det sitter nesten 4 000 flyktninger i mottak som venter på bosetting, samtidig som KS melder om ledige boliger og uutnyttede bosettingsvedtak i kommunene. Dette er ikke god ressursbruk, og komiteen ber derfor regjeringen om å se på kapasiteten til å gjennomføre bosettingsintervjuet i mottak for å få til raskere bosetting. Det er også viktig at saksbehandlingen i UDI prioriteres, slik at man raskt kan få behandlet søknader fra grupper med stor sannsynlighet for å få opphold. Kvalifiseringen til arbeidslivet må starte tidligst mulig og være målrettet. Stortingsmeldingen legger opp til at kvalifisering i større grad skal skje ute på arbeidsplasser og i samarbeid med lokalt næringsliv. Det er bra. Det er også viktig å legge bedre til rette for at medbrakt kompetanse og utdanning kan brukes. Det er også et godt skritt i rett retning at regjeringen vil gi flere asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse ved å fjerne Folkeparti så gjerne at regjeringen gikk lenger og også gjorde noe med de rigide reglene for ID-avklaring. Det er vanskelig å forstå at reglene for å få arbeide og bidra må være så mye strengere enn for å få innvilget asylsøknaden. Videre er det grunnleggende å beherske språket. Det er en nøkkel til kontakt med andre, til vennskap, kulturforståelse og for å fungere i arbeidslivet. Språkopplæring må derfor prioriteres. Forslaget om å innføre 50 timer opplæring i samfunnskunnskap og kulturforståelse er fornuftig og kan bli et viktig bidrag i integreringsarbeidet. Men komiteens flertall ønsker ikke at denne satsingen skal medføre kutt i norskopplæringen. Frivillige organisasjoner har en unik rolle i integreringsarbeidet, og det er viktig å sikre at mottakene i større grad involverer frivillige aktører. Her er den foreslåtte ordningen med frivillighetskoordinatorer i mottak et godt bidrag.

Det er også enighet om å styrke arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Det gjøres en formidabel integreringsjobb rundt om i mange kommuner. Foreninger, kirker og organisasjoner gjør en kjempeinnsats med å etablere fadderordninger, skape vennerelasjoner, organisere språkkurs og finne fosterhjem for barn på flukt. Dette må vi bygge opp under. Vi må ta folks omtanke, hjelpetrang og ansvarsfølelse på alvor. alvor. Vi må spille disse kreftene gode. Til slutt vil jeg fremme de forslagene Kristelig Folkeparti står bak. Kristelig Folkeparti vil stemme mot forslag nr. 9 i innstillingen, og vi fremmer følgende alternative forslag: «Stortinget ber regjeringen utrede en mulighet for å trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som: 1. oppfordrer til brudd på norsk straffelov, 2. tar imot utenlandsk finansiering fra stater som bryter fundamentale menneskerettigheter. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget på egnet måte.» Representanten Geir Sigbjørn Toskedal har tatt opp de forslagene han refererte til. Det blir replikkordskifte. SV er veldig glad for

om. Poenget med å få utredet også andre forhold handler jo om det alle advarer mot nå, nemlig parallellsamfunn. Det er ingen tvil om at det er ulike trosretninger som har interne regimer som bl.a. nekter ungene deres å ha samvær andre unger eller kontakt med andre voksne utenfor menigheten. Det er nettopp for å unngå at det blir slike parallellsamfunn som krever underkastelse, som kan føre til overgrep, at vi ønsker å få dette utredet nå. Hva er grunnen til at Kristelig Folkeparti ikke ønsker det? Jeg er veldig glad for at det spørsmålet kommer, og at det kommer fra SV. Det er ikke underlig, for i komiteen var det en relativt bred enighet om hva det såkalte punkt nr. 3, som SV fremmet, skulle inneholde. Men så møtte vi i media i etterkant noen som trakk merknaden veldig langt. De trakk inn forhold som ikke var nevnt i komiteen, og det ble gjort av SVs representant i media. Da begynte vi å få mange reaksjoner. Det var spørsmål fra andre kirkesamfunn osv. som undret på om vi skulle starte et slags tankepoliti knyttet til dette. Jeg kjenner til hva som skjedde i komiteen, men for Kristelig Folkeparti ble det en varsellampe, så vi vil ikke gå med på det punktet. Dessuten vil det bli utredet i den meldingen som allerede er bebudet av kulturministeren. For oss var det viktig å ha klare linjer på dette, for det som har med trosdimensjonen å gjøre, er det svært viktig å opprettholde, og man må ikke blande

parallellsamfunn. Og det må settes noen grenser for hva man kan gi statsstøtte til, hvis man f.eks. nekter barna sine å ha kontakt med andre utenfor menigheten, både venner og andre voksne. Dette gjelder innenfor muslimske miljøer, der vi nå har fått jenter som står fram, og de jentene må vi støtte i deres frihetskamp, for frihetskampen kan ikke bare gjelde norske jenter. Men det gjelder også noen norske kristne miljøer som nekter sine barn å ha kontakt utenfor menigheten. Synes Toskedal det er riktig at disse får statsstøtte til dette? Jeg er helt enig i den beskrivelsen. Jeg er helt enig i de eksemplene som gis. Der deler vi syn. Det kan vi ikke ha noe av, og det må vi sørge for, og det vil kulturministeren, i den meldingen som er bebudet, ta opp. Det har også Venstre vært inne på. Samtidig må vi passe på at vi ikke trår feil i disse sakene, for vi har nå fått henvendelser, med referanse til nettopp det som SV-representanten brukte som eksempler i media, fra menigheter som lurer på om vi nå på ny skal ha en runde – tidligere har det vært saker om Frelsesarmeen og andre – med inngripen i spørsmål om likestilling og andre ting, der man har en

Ambisjonen til Arbeiderpartiet er at Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn. Vi skal gjøre mangfoldet til en attraktiv ressurs for økonomisk verdiskaping og kulturell utvikling. Knapt noe land har bedre forutsetninger enn Norge for å lykkes med det. Vi har lyktes mye, vi har gjort mange bra ting, og vi ligger godt an, men vi har fremdeles utfordringer og kan ikke slappe av i dette arbeidet. Regjeringens integreringsmelding uttrykker flere ting som vi i Arbeiderpartiet er helt enig i. Men den mangler både den tunge og den langsiktige politikken, og det vil dette området kreve. Vi registrerer også at regjeringen har brukt lang tid – vi har etterlyst den lenge – derfor var det på tide at meldingen kom. Nøkkelen til god integrering er å lære seg norsk og komme seg ut i arbeid – og ikke minst bli der. Bare slik kan vi sørge for et av de viktigste

De som kommer til Norge, representerer en ressurs hvis vi gir dem muligheten til å lykkes. Vi skal stille krav, og vi skal stille opp. Vi må sørge for at alle blir en del av den norske samfunnskontrakten: Du skal gjøre din plikt, og du skal kreve din rett. Her som ellers er arbeid til alle jobb nummer én. Arbeidslivet har vært en suksessformel som vi har nytt godt av gjennom mange år, og Arbeiderpartiet mener at en styrking av arbeidslinjen er svaret på dagens utfordringer. Vi må sørge for at de som kommer hit og skal bosette seg her, ikke havner i utenforskapet. Havner de der, er faren for at de blir der, veldig stor. Dette bør både statsministeren og regjeringen ta på alvor. Denne meldingen inneholder altfor få tiltak, og altfor mange av de tiltakene som foreslås, skal enten utredes, undersøkes, gjennomgås, vurderes eller kartlegges. Mens dette arbeidet pågår, er faren stor for at flere havner i Det som også er helt avgjørende i integreringspolitikken, er at kommunene settes i stand til å gjøre den jobben. Det er ute i kommunene folket bor og tiltakene skal iverksettes. Det krever god kommuneøkonomi. Derfor må regjeringen sikre kommunene økonomiske ressurser til å gjøre den jobben. Så langt har de ikke vist handlekraft til å gjøre det. Faren med ikke å gjøre det er at tiltakene ikke kommer ut, og at en setter grupper opp mot hverandre når kommunen skal gjøre økonomiske prioriteringer. Integreringen må starte fra dag én. Når folk kommer til Norge, må vi bruke ressursene på å avgjøre hvem som skal få opphold, og hvem som ikke skal få opphold. Slik kan vi fortest mulig komme i gang med tiltak for dem som skal bli. Like viktig er det å rette innsatsen mot dem som allerede har bosatt seg i Norge. Tryggheten i menneskers liv er å ha tak over hodet, mat på bordet og – viktigst av alt – en jobb å gå til. Da er språk, bolig og arbeid det viktigste. Arbeiderpartiet vil at asylsøkerne allerede i mottak får undervisning i norsk og samfunnsfag. Derfor vil vi gjeninnføre 250 timer med norskundervisning i mottak. Det er underlig at regjeringen kutter i norskopplæring på mottak – det som er en av nøkkelfaktorene for å lykkes i hverdagen og i arbeidslivet. Det er også viktig å få kvinner til å delta i arbeidslivet, og da er det viktig at vi prioriterer barnehageplasser, slik at kvinnene kan gå ut i arbeid. I dag er det en stor andel innvandrerkvinner som ikke deltar i arbeidslivet. Vi må snu den trenden og legge til rette for at det kan skje. Et av de viktigste virkemidlene for å få det til hadde vært å avvikle kontantstøtten og erstatte den med ventelønn for dem som ikke får barnehageplass. Arbeiderpartiet stiller seg undrende at regjeringen ikke ser at dette er til hinder for god integrering. Arbeiderpartiet ønsker også å innføre lønnstilskudd til bedrifter. Svaret er ikke lavere lønn og midlertidighet. Det vil bare skape nye klasseskiller i arbeidslivet. Arbeiderpartiet ønsker å ha en aktiv boligpolitikk – øke bostøtten, skaffe flere utleieboliger og ikke minst styrke rammen til Husbanken. Til slutt det kanskje aller viktigste: Vi må styrke frivilligheten. Frivillige er uvurderlige i integreringsarbeidet. De må anerkjennes og stimuleres ytterligere – utover det vi har gjort til i dag. De er ildsjeler som skaper en bedre hverdag for alle. Dette klarer vi om vi vil, og vi i Arbeiderpartiet – vi vil. Jeg tar til slutt opp Arbeiderpartiets forslag.

Jeg skal ikke gjøre dette til et langt spørsmål, fordi det ikke er så mye å ta tak i. Jeg er veldig nysgjerrig, for hvis vi legger all kommentatorvirksomheten fra Arbeiderpartiet til side, må vi ta inn over oss at de selv under de åtte årene de styrte, ikke lanserte en så omfattende integreringspolitikk som vi gjør i dag. Jeg vil utfordre representanten Eirin Sund helt konkret på hva som er det nye med det Arbeiderpartiet har lagt inn av forslag til denne meldingen.

Arbeiderpartiet var i regjering. Fra den dagen vi gikk ut av regjeringskontorene, har vi jobbet med politikk hver eneste dag. I regjering drev vi en god integreringspolitikk. Langt ifra godt nok, og vi har fortsatt med forslag på det området for at ting skal bli bedre. Vi har foreslått konkrete tiltak som vil koste penger, men ikke et eneste tiltak på integrering når det gjelder bosetting, arbeid og språk, kan gjøres uten at en også ruster kommunene og andre for å kunne gjøre den jobben. Det er ikke retoriske eller kommentatoraktive grep Arbeiderpartiet gjør, det er konkrete tiltak når det gjelder bosetting, språk og bolig, vi har foreslått i denne meldingen.
Representanten sier at man kommer med konkrete forslag og at de koster penger. Ja, vi ser at Arbeiderpartiet tar de forslagene som ligger, og ønsker å bruke mer penger enn det regjeringen gjør. Det er greit nok når man er i opposisjon. La meg ta tak i det med bosetting. Man sier man tenker nytt på bosetting. Hva er nytt med Arbeiderpartiets bosettingsmodell Ønsker dere å tvangsbosette, eller ønsker man fortsatt en frivillig linje? Hva er nytt? Vi ønsker ikke å tvangsbosette noen. Men det er på Fremskrittspartiet og Høyres vakt at vi har hatt en stor asyltilstrømming som krever nye tiltak og å se ting på en annen måte enn det en har gjort før.

Begrunnelsen for å fjerne kontantstøtten er at ikke-vestlige innvandrerkvinner er overrepresentert på denne ordningen. Men det samme gjelder økonomisk sosialhjelp, trygdeordninger og en rekke andre velferdsordninger som er generelle i det norske samfunnet. Med denne begrunnelsen, hvilke andre generelle velferdsordninger ønsker Arbeiderpartiet å avskaffe i det norske samfunn, fordi det er ikke-vestlige innvandrere

Denne saken begynner egentlig langt utenfor Norges grenser – i politiske miljøer som vi i hvert fall ikke har noen direkte innvirkning på – og ender i våre egne lokalsamfunn, i kommunestyresaler og også i vårt eget nabolag. Det er jo det debatten om asyl-, innvandrings- og integreringspolitikk handler om, og det er hva den favner. Derfor må vi også ha forståelse for at debatten er kompleks.

Med det som perspektiv synes jeg det var synd at SV valgte å stå utenfor, men jeg vil allikevel takke SV for et godt samarbeid i komiteen i forbindelse med behandlingen av denne saken. Det er nemlig slik at dersom vi mislykkes med integreringen, risikerer vi også økte sosiale forskjeller. Utfordringen vi står overfor nå, er av en helt annen dimensjon og størrelse enn noen gang før.

mulig. Integreringsdebatten framover må handle om politiske realiteter som bolig, arbeid, velferdstjenester, språk og ikke minst kommuneøkonomi – der dette ses i sammenheng, og da viser jeg til debatten vi hadde om kommuneproposisjonen i går. Derfor er det også viktig at regjeringen har lagt fram en integreringsmelding som går i dybden tak i utfordringene og ikke minst i mulighetene. Sist denne typen nybrottsarbeid ble gjort på integreringsfeltet, var da Erna Solberg var kommunalminister. Jeg vet jeg blir kritisert av Arbeiderpartiet for å snakke om historien, men et historieskrivende parti av Arbeiderpartiets kaliber må jo tåle at vi andre også viser til historien noen ganger. Det har ikke vært noe nybrottsarbeid på dette feltet siden den gang. Dette er det største år med tanke på bredden i sakskomplekset og hvor mange forslag som ligger på bordet. Jeg vil ikke bruke min tilmålte tid på noen høytlesning fra meldingen, så la meg heller trekke fram noen områder jeg mener er viktige, og som jeg vil vi skal ha i mente i dialogen og debatten For det første jobber man med å se på hvordan man kan starte integreringen mye tidligere. Det er ikke uvanlig at en asylsøker sitter på mottak altfor lenge og er passivisert før han eller hun har en kommune å bo i, men dette er ikke en ny situasjon – det er noe som har pågått i mange år. Det skjer veldig ofte uten at det igangsettes språkopplæring eller andre typer tiltak som bør være der, og som nå kommer gjennom denne meldingen. Vi sørger nå også for at det blir enklere å få midlertidig arbeidstillatelse. Vi har fått mange forslag til hvordan man kan gjøre dette. Arbeiderpartiet har lagt inn merknader om det. Men det er første gang vi nå ser et forslag hvor man – gitt at identiteten er avklart, for det er avgjørende – åpner for å se på hvordan man kan gjøre det enklere å få midlertidig arbeidstillatelse. Vi styrker frivillighetens rolle, slik at de kan bidra i norskopplæring og andre integreringstiltak. Vi innfører kompetansekartlegging og etterfølgende karriereveiledning. Og det er nettopp i den fasen – når man har ankommet et mottak og er på vei til å starte et liv i Norge – at man også må få opplæring i hvordan vårt samfunn er skrudd sammen. Samfunnskunnskap – våre verdier, vår kultur og våre lover

000 flyktninger. Det er et helt annet resultat enn det vi hadde da vi overtok etterslepet etter de rød-grønne, og det var et etterslep som var der selv etter en periode uten det enorme trykket som vi har hatt. Og dette har vi fått til uten tvang, uten å overkjøre, men gjennom dialog og ikke minst gjennom å skape en velkommenkultur i lokalsamfunnet. Det er ikke bare viktig å tilby nok boliger når man snakker om bosetting, vi må også tilpasse hele apparatet som må til for å tilrettelegge for god integrering. UDI har allerede gode resultater fra kommuner som har prøvd ut systematisk selvbosetting innenfor den aktuelle kommunen der flyktninger har fått plass. Det betyr at det ikke er selvbosetting av den modellen hvor man bare kan velge hvor man vil bo, men i henhold til den avtalte kvoten kommunen har sagt ja til, og samråd med den aktuelle kommunen. Videre er det også viktig å minne om at denne regjeringen har økt tilskuddet til utleieboliger. Regjeringen la inn et ekstratilskudd for bosetting av enslige mindreårige og har allerede varslet å videreføre det i 2017. Det neste punktet er introduksjonsordningen. Den har også stått uforandret i altfor mange år, og det er innenfor den en flyktning faktisk tilbringer de to første årene av sitt liv som ny i en kommune. På min reise rundt i kommuner i Norge har jeg sett at kvaliteten er altfor varierende. Det er for lite fokus på å komme raskt ut i arbeid. Man differensierer ikke nok. Det er lik undervisning for alle, og det gjør også at det ikke er nok mennesker som kommer ut i jobb eller utdanning. utdanning. Derfor er det viktig at man i dette programmet ser språkopplæring, arbeidspraksis, utdanning og involvering i lokalsamfunnet i sammenheng. Kommuner som ser på integrering som en oppgave på lik linje med skole, omsorg og annet, leverer gode resultater. Men hvis dette bare tusler og går på siden, vil man ikke få det. Nettopp derfor mener jeg at noe av det noe av det viktigste som skjer i denne meldingen, er denne gjennomgangen av introduksjonsordningen. Jeg tror at hvis vi etter de to første årene får flere ut i jobb eller utdanning, slik at de kan starte et karriereløp, vil vi få helt andre resultater i det langsiktige integreringsarbeidet enn det vi har hatt så langt. Avslutningsvis: Når alle fine taler er holdt, politiske vedtak er gjort, og systemene er på plass, handler dette også om hvordan vi tar imot våre nye landsmenn. Har man fått en innvandrer i nabolaget, eller en ny nabo? Har barna fått en innvandrergutt i klassen, eller en ny klassekamerat? Har man fått en ny innvandrerkvinne på jobben, eller en ny kollega? Vi må sørge for å skape en velkommenkultur i våre lokalsamfunn, for denne jobben skal vi gjøre sammen. Vi har greid det før, og vi skal greie det igjen. igjen. Det synes jeg også integreringsmeldingen svarer godt på, særlig ved at man tar inn over seg at frivilligheten kan spille en aktiv rolle. Et spørsmål jeg kan stille meg, er: Er det slik at min generasjon med minoritetsbakgrunn var den siste som fikk en god sjanse til å lykkes i Norge? Svaret på det er selvsagt nei, for jeg tror at de beste historiene fortsatt ligger foran oss. Men da må vi tørre å ta de debattene vi har nå, og vi må fremme ny politikk, slik vi gjør nå. Det blir replikkordskifte. For ordens skyld har jeg lyst å si til representanten at jeg er utrolig stolt av både den historien som de rød-grønne skapte, og de vedtakene som vi gjorde i løpet av de åtte årene vi satt i regjering. Men jeg er ikke så opptatt av å se bakover. Jeg er opptatt av at vi skal forholde oss til at vi lever her og nå, og at vi skal lage politikk for å se framover. framover. Jeg er ikke ett sekund i tvil om at også representanten Kapur er opptatt av det. Han sier i innlegget at det er avgjørende for den videre reisen at en også får inn samfunnskunnskap i opplæringen. Nå har regjeringen kuttet i språkopplæring på mottak,

men jeg er ikke enig med representanten i at det dermed hindrer integrering. Jeg tror faktisk at vi gjør totalpakken bedre. Man får 125 timer med norskopplæring. Vi sørger for å styrke frivillighetens rolle, slik at også de kan bidra til å drive norskopplæring. Vi sørger for at vi driver med tidlig kompetansekartlegging, karriereveiledning, og vi legger disse inn i integreringsløpet, som jeg vil kalle det, slik at man kan starte det fra

utvikling er det viktig at vi får imamer som forstår det norske språket, som forstår det norske samfunnet, og som også kanskje kan preke på det språket. Det tror jeg også er viktig for å møte mange unge muslimer på deres egen banehalvdel. banehalvdel. Derfor mente vi også at det var viktig å få inn dette, og det mener vi fortsatt. Nettopp derfor har regjeringen sagt at dette er noe de riktige departementene vil komme tilbake til, bl.a. gjennom kunnskapsministerens gjennomgang av dette. Men at det ikke ligger i denne integreringsmeldingen i dag, betyr jo ikke at det ikke kommer. Det vil bare komme via riktig departement. Først er

Men når representanten Kapur svarer på Arbeiderpartiets spørsmål om norskopplæring, henger ikke svaret på greip. Først reduserte regjeringen undervisningen i norsk på mottak, fra 250 timer til 175 timer. Så skal man innføre et kurs som alle er enige om at de skal ha, men det skal også tas av Og alle vet at det å lære norsk bør være det første kravet man får, det bør være massivt, og det bør være mer omfattende enn i dag. Hvorfor mener representanten at man skal ha mindre norskopplæring? Jeg har ikke en eneste gang fra denne talerstolen sagt at vi skal ha mindre norskopplæring, men jeg snakker om at vi må se på hele integreringsløpet i en helhet. Vi skal ha 125 timer med norskopplæring, og vi skal også ha samfunnskunnskapsopplæring, som jeg mener er en viktig del av integreringsløpet. Vi legger også opp til at frivillige kan gå inn og være med på å bidra til norskopplæring. Vi styrker språkopplæringens plass i introduksjonsordningen. Hvis man ser på denne pakken under ett, vil det bli mer og bedre integrering. Så vil jeg nesten spørre representanten tilbake om det står og faller på at man ikke får disse 50 timene med norskopplæring, men lærer litt mer om det norske samfunnet: Er det det som gjør at integreringen blir dårligere? Hvis de frivillige går inn og hjelper til med norskopplæring: Gir det dårligere norskopplæring? Hvis introduksjonskurset fokuserer mer på språk og arbeid: Gir det dårligere integrering og dårligere språkkunnskap? President, det en åpenbar misforståelse at SV har foreslått noe… Det er ikke adgang til noen ytterligere kommentarer på det. SV har foreslått noe… Det er ikke adgang til noen ytterligere kommentarer på det. Det kan representanten ta opp i et eget innlegg. Replikkordskiftet er omme. Jeg glemte å si noe om et forslag vi skulle ta opp. Kan jeg få lov til å gjøre det, for ordens skyld? Ta opp et forslag?

Arbeidsdeltagelsen blant de største ikke-vestlige innvandrergruppene er minimal, selv etter lang botid og de har oppnådd norsk statsborgerskap, og er nærmest ikke-eksisterende for innvandrerkvinner fra enkelte land. De samme gruppene er signifikant og betydelig overrepresentert når det gjelder mottak av økonomisk sosialhjelp og andre velferdsordninger. Seks av ti barn som lever i Innvandrere er klart overrepresentert i kriminalstatistikken, for en rekke alvorlige lovbrudd. Hovedgrunnen til økte sosiale forskjeller er innvandring, og mye tyder dessverre på at disse endringene vil være nokså permanente, og det vil oppstå permanente underklasser som et resultat av innvandringen og det faktum at sosiale forskjeller og utfordringer går i arv. Dette er bare noen av områdene utfordringene er veldokumentert på. Så finnes det områder som det vel ikke er like mye dokumentasjon, faglig empiri og statistikk på, men som viser klare utfordringer. Det er en rekke utfordringer på det som handler om undertrykking og sosial kontroll av innvandrere, utført av andre innvandrere. Også her er det dessverre en lang rekke med eksempler på alt fra moralpoliti til hets av innvandrerbarn, og spesielt jenter som ikke religiøse nok, press til å bære hijab – ja, sågar etniske norske barn som blir tilbudt å bruke hijab for ikke å bli mobbet og skille seg ut ved skolefritidsordningen i Oslo indre øst. Det er svært alvorlig at mennesker som har flyktet fra regimer der den typen overgrep utføres, skal måtte oppleve at det de har rømt fra, har fulgt dem til der de har søkt om beskyttelse. På toppen av dette igjen kommer utfordringer med radikalisering og utbredelse av ekstreme grupperinger og holdninger i Norge og andre europeiske land, noe vi dessverre har sett mange stygge eksempler på i den senere tid. Til tross for at denne utviklingen ikke har kommet over natten, men har utviklet seg over mange tiår, har de som har stått for en innvandringsliberal politikk, og

Det som er interessant, er å se på eksperimentet NRK P3 satte i gang i den forbindelse, der en reporter som la ut artikler fra velkjente britiske aviser med statistikk på det som handler om ekstremisme blant innvandrere, nærmest ble ekskludert på arbeidsplassen – folk ville ikke spise lunsj med ham, osv. Dette er resultatene av det miljøet man har skapt for dem som ønsker å påpeke fakta i disse sakene. har man også gjort et iherdig forsøk på å skape parallelle sannheter, noe som heldigvis ikke går lenger. Det beste eksemplet på det var da fraksjonsleder for Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, ble arrestert av Nettavisen da hun framførte en av disse sannhetene, nemlig at integreringen går så veldig bra, i hovedtrekk går integreringen veldig bra, og det har den gjort. Det Det som er det nye, er at man begynner å konfrontere den typen utsagn og si: Unnskyld meg, hvilken statistikk, hvilken empiri, hvilket område i samfunnet er det du viser til hvor du mener at integreringen har vært berikende og går veldig bra? For det vi har av tilgjengelige data på dette feltet, viser noe annet. Mye av dette skyldes at i takt med den økte, massive innvandringen som har funnet sted til Europa og Norge, har det også vokst fram en egen innvandrings- og integreringsindustri som omsetter for milliarder av kroner. NOAS er Norsk organisasjon for asylsøkere, men Antirasistisk Senter, Røde Kors, Redd Barna, MiRA-Senteret, SEIF, OMOD, Advokatforeningen og en rekke andre organisasjoner har også utviklet seg til å bli eller nærmere bestemt «Norsk organisasjon for økt innvandring og asylsøkere». Ingen av disse organisasjonene blir noen gang stilt til ansvar for den politikken de har tatt til orde for, og konsekvensene av den politikken de tar til orde for. De kan etablere sannheter som at familiegjenforening er nøkkelen til integrering. Ingen i samfunnet utfordrer dem som kommer med den typen påstander. Unnskyld meg, men her er det sånn at den største ikke-vestlige innvandrergruppen i Norge er somaliere, med ca. 36 000 mennesker. Hovedgrunnen til den økningen har vært familiegjenforening. Dette er en gruppe som dessverre kommer dårlig ut og dårligst ut på en rekke områder i det norske samfunnet. Hvordan har en liberal familiegjenforeningspolitikk hjulpet denne gruppen til å bli godt integrert i det norske samfunnet? Det er det ingen som setter spørsmålstegn ved. Eller: Hvordan har det seg at Sverige, som har hatt en av de mest liberale politikkene når det gjelder innvandring, familiegjenforening og alle punkter som angår dette med innvandring, nå er i en katastrofesituasjon for nasjonen, der de sliter med fysisk å klare å håndtere det som har oppstått som et resultat av innvandringen? Det er viktig å påpeke utviklingen og hva som er realitetene, for det å snakke om mer av det samme som ikke har hjulpet, fører oss ikke videre. Derfor er faktisk det viktigste integreringstiltaket man kan få til, å få en restriktiv norsk innvandrings- og asylpolitikk. Resultatene med tiår på tiår med innvandring til Norge viser at dette går seg ikke til, dette blir ikke bedre jo lenger folk har opphold i Norge. Norge. Problemene eskalerer, og etter hvert blir de så store som det vi kan se i vårt naboland Sverige, der man rett og slett har områder som er utrygge for dem som bor der, men også for hjelpeapparat og viktige institusjoner som politiet, som ønsker å gå inn i disse områdene. Derfor er det underlig å høre at et parti som Arbeiderpartiet, som har hatt hovedansvaret på dette feltet gjennom svært mange år, plutselig har blitt opptatt av innvandring og kun snakker om enkelte symptomer og mer penger til det samme som ikke har fungert, i stedet for å se på hva som har gått grunnleggende galt i politikken de har vært med på å føre. Det partiet som er hovedansvarlig for innvandringen til Norge, er også det partiet som kritiserer Fremskrittspartiet for ikke å ha gjort nok for integrering. Hadde Fremskrittspartiets politikk vært håndhevet på dette feltet fra 1980-tallet og fram til i dag, ville ikke utfordringene vært slik vi ser i dag. Integreringen ville også hatt en helt annen form, for vi er også villig til å gjøre noe med velferdsordningene og incentivene til å bli integrert. Når det ikke er noe tak på velferdsordninger, og en enslig ikke-vestlig innvandrermor kan få ytelser tilsvarende 700 000–800 000 kr i lønn,

en uansvarlig politikk også på dette feltet – plutselig hengt seg opp i kontantstøtten, noe jeg hører de repeterer i dag. Kontantstøtten er det minste av bidragene som ikke-vestlige innvandrere mottar. Det er langt større velferdsordninger som ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert på. Vi har aldri hørt Arbeiderpartiet være villige til å gjøre noe med de ordningene. Derfor vil jeg understreke at for Fremskrittspartiet er den viktigste integreringspolitikken å gjøre noe med antallet som kommer, for vi ser en sammenheng mellom antall mennesker som kommer, og det vi har reell mulighet til å integrere. Det blir replikkordskifte. Dette forundrer meg, for det er ingen sammenheng mellom det representanten Keshvari sier i sitt innlegg, og

og regjeringen, spesielt Fremskrittspartiet, faktisk vil at man skal få til integrering. Jeg tenker at hvis man vil, må man i alle fall kunne svare på hvordan man har tenkt å få det til. Da spør jeg representanten Keshvari: Tror han at det å kutte i norskopplæringen – som man ikke bare vil bidra til bedre integrering? Tror representanten Keshvari at utbetaling av milliardvis i kontantstøtte vil bidra til å fremme integrering? Jeg skulle ønske at noen fra Fremskrittspartiet gikk på talerstolen og sa noe om hva de faktisk vil gjøre for å få til integrering – uten bare svaret om, mer eller mindre, å stenge

eller forsøk på å skremme. Hvis sannheten skremmer, må man gjøre noe med den. Når det gjelder det som handler om norskopplæring, har vi svart på dette. Man flytter noen av disse timene, 50 timer, til et tidligere stadium slik at folk får opplæring i både norsk og samfunnskunnskap på et så tidlig stadium som overhodet mulig etter at de har ankommet Norge. Det tror jeg vil bidra til en bedre integrering, til at man kommer seg lettere ut i det norske samfunnet. samfunnet. Det var et helt nødvendig grep med tanke på hva som skjedde på det området rundt omkring i Europa. Jeg antar at Fremskrittspartiet, på lik linje med Senterpartiet, er opptatt av at norske myndigheter skal ha oversikt over hvem som befinner seg i landet, og hvem som jobber her i landet. I fjor høst ønsket ikke Fremskrittspartiet å gi asylsøkere som ventet på asylintervju, midlertidig arbeidstillatelse. De var tvert imot det partiet som var tydeligst på gå, og var i debatten tydeligst på å advare sterkt mot dette. Stemningen ser ut til å ha snudd nå. For det første forstår jeg ikke hvilken effekt dette skal ha så lenge det er bare 19 pst. av asylsøkerne som kan framlegge pass ved søknad om asyl. Altså vil svært få få nytte av ordningen, samtidig som vi vet at den største utfordringen er å få flyktninger med arbeidstillatelse ut i arbeid. Altfor mange av dem står utenfor arbeidsmarkedet. Senterpartiet er bekymret for at vi sender personer uten avklart identitet ut i arbeidslivet. Deler representanten Keshvari denne bekymringen? Når det handler om muligheten for å jobbe, er det viktige presiseringer som er gjort i meldingen som ikke var en del av forutsetningen for dem som fremmet forslaget tidligere. tidligere. Dernest var det en realitet – som representanten selv er inne på. Dette er en marginal ting for å få til integrering, sett med de store utfordringene vi har. Det var de partiene som foreslo det, som nærmest foreslo dette som den store løsningen for å få innvandrere ut i arbeid. Realiteten er at blant innvandrere, selv etter å ha fått norsk statsborgerskap, er det stor variasjon – basert på landbakgrunn – i hvor stor arbeidsdeltakelse man har. har. I de største flyktninggrupperingene i Norge er arbeidsdeltakelsen veldig lav, selv etter at man har oppnådd norsk statsborgerskap. At dette er den store løsningen, har ikke vi tro på. Det viktigste for få mennesker ut i arbeid er å gjøre noe med velferdsordningene, som rett og slett gjør det ulønnsomt å jobbe framfor å motta velferdsgoder. Representanten har malt fram et sterkt ensidig negativt bilde av innvandrere og framtiden – dommedagsaktig. Så er

Og man evner å endre seg hvis man har negative holdninger. Et eksempel på det er Muhammad Ali Chisthi, som i 2009 på et dialogmøte jeg arrangerte i Litteraturhuset, sto fram og malte fram jødehat. Han ble eksemplet på selve jødehateren. I fjor fikk han Fritt Ord-prisen fordi han tok initiativet til å slå ring rundt Det mosaiske trossamfunn da de var under trussel. Det er et eksempel på at det går an å få det til hvis man bare vil det sterkt nok. Og Har Fremskrittspartiet egentlig gitt opp å lykkes med integreringen? Svaret på det er utvilsomt nei, det har vi overhodet ikke gjort. Det viser vi hver eneste dag i regjering ved å komme med konkrete forslag, ved å delta i debatten på dette feltet. Det vi har vært opptatt av, er at vi skal ha en sannferdig debatt basert på de realitetene som har gjort seg gjeldende. Jeg er også opptatt av å trekke fram gode eksempler, men vi kan ikke ha en debatt på et så stort samfunnsområde som dette basert på anekdoter, personlige erfaringer og enkelttilfeller. Hvis vi ser på empirien, dataen og statistikken på dette feltet, er bildet ganske klart og tydelig: at det i det store og hele har gått ganske galt. Det er et negativt bilde, og det er ikke et bilde vi som refererer til fakta, tegner. Det er realiteten rett og slett, og da må man være villig til å omtale det, for så å finne løsninger på de utfordringene det utgjør. Replikkordskiftet er omme. I dag behandler vi

Kommunene vegrer seg for å bosette enslige mindreårige fordi de ikke får fullfinansiert dette. Stykkprisfinansiering eller økt integreringstilskudd generelt er ikke veien å gå, som KS selv har presisert. Ønsker regjeringen en virkningsfull integreringspolitikk, må det være samsvar mellom det som sies, og det som leveres. Jeg er bekymret for at de tiltakene som ministeren nå har lagt på bordet, retter seg mest mot de ressurssterke innvandrerne. Meldingen mangler tiltak for dem som står lengst unna arbeidsmarkedet, det være seg analfabeter, innvandrerkvinner eller andre som har lav kompetanse eller liten utdanningsbakgrunn. Da statsråden la fram meldingen 11. mai, sa hun at «gjør din plikt, krev din rett» var ledetråden. Det er jeg aldeles enig i, men da må vi også gi folk nødvendig verktøy, slik at de gjøres i stand til å mestre eget liv. Det mener jeg vil være en vinn-vinn-situasjon, både for den enkelte og for samfunnet. Regjeringen foreslår egne integreringsmottak for noen få – 500 Det mener jeg ikke er veien å gå. God integrering skjer i et lokalsamfunn, i møte med andre mennesker, det skjer ikke i et mottak. Senterpartiet vil ha en integreringspolitikk som favner alle, og ikke bare noen få. Ministeren ønsker å innføre økonomiske incentiver/belønningsordninger for beboere i mottak. Med en slik ordning belønnes de ressurssterke, mens de som har dårligere forutsetninger, vil bli straffet. Jeg er redd en slik ordning vil øke sosiale og økonomiske forskjeller – og dernest skape en underklasse. Det vil Senterpartiet ikke være med på. Vi støtter derfor ikke opprettelsen av såkalte integreringsmottak.

Senterpartiet vil understreke viktigheten av at avtalt selvbosetting i kommunene må skje innenfor rammene av det antall flyktninger kommunene har vedtatt de skal ta imot, og at kommunene må godkjenne boligen. Gang etter gang gjøres kontantstøtten til syndebukk av mange partier. Det argumenteres med at kontantstøtte hemmer integrering av innvandrerkvinner. Jeg skulle ønske de sluttet å skyve innvandrerkvinner foran seg hver gang det er diskusjon om kontantstøtten. Nå ønsker regjeringen å sette et botidskrav på fem år for å ha rett til kontantstøtte. Det støtter Senterpartiet ikke. Forslaget har et diskriminerende element i seg, og jeg vil påpeke at de norske velferdsordningene bør være universelle. Kontantstøtten er ikke hovedårsaken til at innvandrerkvinner er hjemme med ungene sine. Det er hovedsakelig andre forhold, som språk, kultur og barrierer på arbeidsmarkedet, som i større grad forklarer hvorfor mange innvandrerkvinner er hjemme. Jeg ser at taletiden min er ute. Da vil jeg til slutt ta opp de forslagene der Senterpartiet er medforslagsstiller sammen med Sosialistisk Venstreparti, og det forslaget Senterpartiet har alene. Representanten Heidi Greni har tatt opp de forslagene hun refererte til. Det blir replikkordskifte. SV og

Det er en ordning som ble etablert da vi satt i regjering sammen, og som er til for at minoritetselever skal kunne ha noen å gå til hvis de opplever enten at de blir utsatt for diskriminering og rasisme, eller at de opplever ulike typer for sosial tvang og de ikke har noen andre de kan snakke med, og at man ønsker å ha noen som kan være til stede og ta imot denne bekymringen. Ordningen er evaluert, og den viser veldig gode resultater, at den er til veldig god hjelp for noen av disse ungdommene som sliter med å skulle være midt mellom to kulturer. Hva er grunnen til at Senterpartiet ikke støtter SV fremmer veldig mange forslag, veldig mange detaljerte forslag, om hvordan vi skal regulere mange områder både når det gjelder skole og samfunnet ellers. For vår del er det viktig at kommunene organiserer dette litt ut fra lokale forhold. Vi er enige i at av disse forslagene har gode intensjoner, men det blir litt mye detaljstyring når vi ser på enkelte av dem. I noen kommuner er det kanskje dette som bør prioriteres, i andre kommuner er det kanskje andre tiltak som bør prioriteres, men vi har vært sammen om mange merknader om at kompetansen på dette området må ligge til grunn i alle offentlige etater, sørge for at de har det nødvendige hjelpeapparatet til stede også når det gjelder dette. Dette er ikke en ordning som finansieres av kommunene. Dette er en ordning som finansieres av staten, der man kan søke på slike midler. Dette er en ordning som ble etablert da SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet satt i regjering, den er evaluert, og den viser seg å være veldig god et veldig godt hjelpemiddel for disse ungdommene. Jeg vil derfor oppfordre representanten Greni til å se litt nærmere på akkurat det forslaget. Dette er jo en melding om integrering, og dette er det noen ungdommer som sliter med – føler at de kanskje ikke helt hører hjemme verken her eller der og strever med det – og da må vi sørge for at det er noen der som er kompetente, og som og få hjelp. Det er ofte strevsomt nok å være ungdom om man ikke i tillegg også skal ha disse utfordringene og ikke vite hvem man kan gå til. Jeg skal love å kikke ekstra grundig på det ene forslaget, og så skal jeg varsle senere om vi kommer til å støtte det eller ikke. Replikkordskiftet er omme. Integreringsforliket som ble signert i Stortinget 16. desember, var en bestilling til regjeringen som bl.a. fulgte opp meldingen vi har i dag. Vi er

På noen punkter skulle vi gjerne sett at det gikk lenger. Integreringsmottak var Venstres gjennomslag i asylavtalen vi har inngått med Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Det var aldri meningen at dette skulle være et elitemottak for de få, men et tilbud til alle som skulle få bli i Norge. Behovet for integreringstiltak er gjerne størst i de minst ressurssterke gruppene, så det er viktig at regjeringen utvider ordningen med integreringsmottak til å omfatte alle. Språk er avgjørende for integrering i samfunnet, og vi er derfor skuffet over at regjeringen ønsker å kutte i norskopplæring. Vi er positiv til at en ønsker mer opplæring

Flyktningers egen innsats og kunnskaper har altfor lenge blitt nedprioritert i integreringsprosessen ved norske flyktning- og asylmottak. Integreringen i samfunnet og arbeidslivet går altfor sakte. Resultatet er at mennesker som venter flere år på mottak, kan miste verdifull yrkeskompetanse og motivasjon. Samtidig har staten store utgifter til administrasjon, kost og losji. Hurtig saksbehandling er et av de viktigste integreringstiltakene vi kan iverksette. Jeg er derfor svært glad for at Stortinget ved behandlingen av regjeringens forslag til innstramminger ba regjeringen styrke UDIs saksbehandlingskapasitet for å sikre en mer effektiv saksbehandling, og videre at regjeringen skal vurdere hurtigspor for saksbehandling i klare innvilgelsessaker, for å er her et åpenbart potensial for effektivisering ved å skille ut grupper med høy sannsynlighet for opphold, slik regjeringen allerede gjør med asylsøkere med høy sannsynlighet for avslag. Hurtigspor er et forslag Venstre løftet inn i asylforhandlingene i høst, og vi er glad for at flertallet slutter seg til det. Jeg hører noen mener forslaget har såkalt pull-effekt: En effektiv saksbehandling gjør Norge mer Da må en samtidig mene at alle forslag til raskere integrering har pull-effekt. Med andre ord må hele meldingen regjeringen har lagt fram, ha en pull-effekt, og i særdeleshet forslaget om integreringsmottak. Jeg har heldigvis ikke oppfattet at noen vil stemme ned hele meldingen av frykt for akkurat dette. For flyktninger som kommer til Norge, er det viktig at man får se veien videre ut i arbeidslivet. Det er viktig å kunne bidra og være til nytte på veien dit. Det er også det beste grunnlaget for god og rask integrering i det norske samfunnet. Dette handler om å stille krav, men like ofte om å gi muligheter. God inkludering forutsetter at språktrening og aktiviteter starter fra første dag. Folk i asylmottakene kan gjøre en innsats, de har både kompetanse og ønske om å få bidra i samfunnet rundt seg. Både det statlige rammeverket, kommunene og frivilligheten må legge opp arbeidet sånn at de får en mulighet. Venstre har særlig engasjement for barn generelt og flyktningbarn spesielt. Vi er derfor glad for at regjeringen gir flere barn i mottak anledning til å gå i i barnehage. Vi skulle gjerne sett at en gikk enda lenger og likestilte barnehagebarn og skolebarn. Barnehage er den aller beste integreringsarenaen for barn med flyktningbakgrunn, og det fremmer også integrering av foreldrene og gir hele familien et verdifullt, norsk nettverk. Barn som kommer hit alene, er en særlig sårbar gruppe. Som det framgår av meldingen, integreres disse ungene likevel raskt i samfunnet. Tre av fire mellom 18 og 29 år er i arbeid eller Det er interessant at andelen er størst blant unger fra Afghanistan som ble bosatt i 2009–2010. Etter fire år i Norge ligger de på nivå med jevnaldrende i befolkningen. Integrering av barn som kommer alene, har med andre ord vært en suksess. Derfor er jeg glad for at forslaget om midlertidig opphold for alle barn som kommer alene, ble nedstemt under behandlingen av Prop. 90 L for 2015–2016. Integreringsmessig ville forslaget vært en katastrofe. Barn trenger trygghet og forutsigbarhet, og vi må videreutvikle integreringspolitikken, som har vært svært vellykket så langt. Økning i antall unger som kommer alene, er en utfordring for mottaksapparatet. For å lykkes like godt med integreringen for dem som kom i fjor, som for dem som kom tidligere, kreves det tett oppfølging. Derfor er jeg glad for at Stortinget i dag ber regjeringen styrke den barnefaglige kompetansen i hele mottakskjeden. Flere unger og ikke minst yngre barn krever en mer intensiv innsats. Ved å styrke innsatsen overfor barn vil vi også kunne bygge ned at barn forsvinner fra Venstre kommer ikke til å stemme for forslag til vedtak IX. Vi kommer til å støtte alternativt forslag fra Kristelig Folkeparti, forslag nr. 50. I tillegg tar jeg opp forslag fra Venstre og SV. Representanten André N. Skjelstad har tatt opp de forslag han refererte til.

Nå er hele komiteen enig om at vi skal gjøre integreringen bedre, og det vil komme samfunnet til gode, med økt verdiskaping og bedre velferd, som det står i en felles merknad. Jeg vil rose partiene som nå er med på dette, for det betyr nettopp det som representanten Kapur var oppe og sa: en velkommen-kultur. Da er det litt rart å høre representanten Keshvari gå opp etterpå og holde et innlegg som ikke akkurat var

Uten å kunne norsk er du sjanseløs. Fra dag én bør man få beskjed om å stille opp på norskopplæring, og den bør være mer omfattende enn i dag. Skal du bo i Norge, må du lære norsk. Derfor foreslår SV en språkmilliard. Jeg lurer på om statsråden er med, eller om hun fortsatt mener at folk skal sitte passivt på mottak, stirre i veggen og lære å ta imot trygd. Kutt i norskopplæringen blir fjernet nå, det har Venstre fremmet forslag om, og SV er glad for den presiseringen. Statsråden får beskjed om å ta bedre vare på ungdom, gjennom bedre vergeordning og mer barnefaglig kompetanse i hele kjeden. Hun må opprette et uavhengig tilsyn med mottakene, så kontraktene holdes og mislighold stoppes. Hun har fått marsjordre om å speede opp systemet, så folk som har fått ja-vedtak, blir bosatt raskere. I meldingen var det nesten ingen spor etter å arbeide mot ekstremisme og stoppe sosial tvang, som hindrer likestilling og frihet. SV var glad for at vi fikk flertall for dette forslaget. Jeg ser nå at flertallet rygger. Dette handler altså om at vi ikke skal støtte parallellsamfunn, som mange nå har vært veldig høyt på banen med å si er farlig. Det er SV enig i. Trossamfunn og religioner er ikke skjøre planter som må beskyttes, det er maktinstitusjoner som har makt over mennesker. Det er menneskene som må beskyttes. Krav om underkastelse og underordning fører til overgrep, det vet vi. Patriarkalske tradisjoner forkles som religiøse bud.

mot. Vi kan ikke forvente at alle unge skal ha samme motet som noen av disse jentene. Da er det vår oppgave å legge press på foreldre, utfordre tradisjoner og holdninger om jenters frihet. Overdreven sosial kontroll henger ofte sammen med konservative religiøse holdninger, og det er derfor viktig å legge press på trossamfunn. Vi har bedt om en utredning, og det håper

i barnehagen. Så det er uhyre viktig at vi får på plass nå at disse barna kommer i barnehagen raskt. Det andre er at det å være barn og være på flukt jo er en ekstrem, unormal situasjon. Det å bo i asylmottak er en ekstrem, unormal situasjon for barn, og disse barna bør få lov til å leve et normalt barneliv noen timer om dagen. Det vil sikre bedre integrering, det vil sikre at mange flere i familien kan godt norsk, og det er et selvstendig ansvar vi bør ta fordi dette er barn. SV har fremmet mange forslag i dette Dokument 8-forslaget , og vi får stort gjennomslag i behandlingen i dag, og det er vi glad for. Jeg vil ta opp forslagene i innstillingen og varsle at SV vil støtte Venstres forslag om ikke å kutte i norskopplæringen på mottak.

denne meldingen ville komme for sent. Så behandler man sine egne forslag i dag, samtidig med integreringsmeldingen. SV har også valgt ikke å delta i det forpliktende integreringsforliket fra januar. Erkjenner SV nå at det ville vært en styrke, siden man nå tross alt kommer til å stå sammen om veldig mye felles politikk i integreringsarbeidet, om SV ikke hadde stilt seg på sidelinjen, men heller hadde deltatt som en forpliktet partner i integreringsforliket? Det hadde vært en styrke hvis flertallet hadde vært villig til å høre på SV da vi satt og forhandlet om dette, og ikke gått inn for forslag som ville ødelagt integreringen for dem som har krav på beskyttelse, og som kommer til få opphold i Norge. Det var hele grunnen til at vi ikke var med på det forslaget, og de fleste av de forslagene har også Stortinget nå lagt vekk. I integreringsforliket, som vi ikke fikk lov til å delta i, var det ett punkt vi stemte imot – vi fremmet forslaget i Stortinget – og det var punktet om at man skulle stramme inn på familiegjenforening. Det er vi imot fordi vi mener at det ødelegger integreringen. Skal man leve i uro for familien ikke få lov til å slå rot i Norge, er det dårlig for integreringen. Så ja, vi mener at det var riktig, når det tok såpass lang tid å få behandlet vårt forslag, å behandle det sammen med meldingen, for mye er likt. Jeg synes representanten Jenssen kunne takket SV. Det er SV som faktisk har æren for at vi behandler denne stortingsmeldingen på denne siden av sommeren, for det var det vi som tok initiativet til.

Det fikk vi veldig godt demonstrert i replikkvekslingen mellom representantene Keshvari og Raja for et lite øyeblikk siden. La oss ikke tro mens vi behandler denne meldingen, at flyktningkrisen har blitt mindre akutt, selv om det er en stor nedgang i antall asylsøkere som nå kommer til Norge. Det er grensekontrollene i land nær oss og langt unna oss som sørger for at færre kommer til Norge, det er ikke fryktretorikk fra regjeringens side som sørger for det. Integrering av sårbare mennesker som kommer til et nytt land, krever først og fremst at alle vi som er en del av det norske samfunnet, inkluderer dem, gir tillit og ønsker velkommen, som representanten Kapur utmerket påpekte for litt siden. Det viktigste er de personlige møtene i butikken, på kafeen, i gata, hjemme og på jobben. Hvis vi møter folk med frykt og Hvis vi møter folk med frykt og fordommer fordi de er asylsøkere eller innvandrere, vil vi ikke lykkes med integreringen. Vi vil heller ikke lykkes med å stille krav og få de kravene møtt, og vi vil ikke lykkes med å ha forventninger og tro at de skal bli oppfylt. Da er det siste vi trenger, en statsråd som legitimerer frykt, fordommer og ekskludering ved å knytte innvandrere til bekymring for barnas framtid. Den typen retorikk skaper et skille mellom oss og dem, som man verken skal lete langt borte eller langt tilbake, i geografien eller i historien, for å skjønne hvor farlig er, hvor giftig det er for mulighetene til å inkludere nye mennesker i det norske samfunnet. Forslaget fra regjeringen inneholder en del bra tiltak, og Miljøpartiet De Grønne vil takke komiteen for å ha videreutviklet de tiltakene med mange nye forslag, som gjør at den integreringsmeldingen og de vedtakene vi gjør i dag, blir bra på ganske mange områder. De Grønne er særlig opptatt av at vi får de veldig mange menneskene som sitter altfor lenge i mottak, vesentlig raskere ut i samfunnet. Derfor er vi glad for at det, så vidt vi oppfatter, blir flertall for kapasitet til raskere behandling. Det er en veldig fornuftig investering i bedre integrering. Vi er glad for og støtter at det blir en styrking i tiltak for bosetting, og vi støtter forslag om hurtigspor og økt satsing på barnehage. At folk får være i aktivitet og kommer raskt ut i betalt arbeid, er helt avgjørende. Det er ødeleggende å sitte og stirre i veggen i et mottak og derfor støtter vi bl.a. å fjerne kravet til asylintervju før midlertidig arbeidstillatelse blir gitt. Språk er selvfølgelig helt avgjørende. Norskopplæringen må styrkes. Vi må tilbake til minst 250 timer med norskundervisning, og vi må ikke kutte i antall timer, slik det opprinnelig ble foreslått. 50 timer kultur- og samfunnskunnskap er et godt forslag, men det må komme i tillegg til og ikke istedenfor språkopplæring. Så vil vi stemme imot IX i innstillingen, om utredning av en mulighet for å trekke støtte til religiøse organisasjoner som gir uttrykk for ting som vi ikke liker i det norske samfunnet. Vi er som parti minst like opptatt av å bekjempe intoleranse som alle andre, men vi er også en forkjemper for ytringsfriheten, og at den skal strekke seg langt. Vi er derfor glad for at Kristelig Folkeparti har fremmet et alternativt og noe mildere forslag, og vi vil vurdere å stemme subsidiært for det forslaget.

der medlemmene – særlig kvinnene og barna – ikke har lov til å ha kontakt med andre utenfor menigheten. Jeg kan vise til en sak i Dagbladet om menigheten Samfundet i Kristiansand, der det refereres til at barna ikke får lov til å delta på 17. mai-feiring. Da kan man spørre om man skal le eller grine. De mener også at «unødig omgang med utenforstående» ikke skal forekomme. Da tror jeg vi skal for det handler om å hindre barn og kvinner i å delta i samfunnet. Og det er det dette forslaget handler om. Jeg har forsøkt å sette meg inn i forslaget. Jeg har for det første den aller største sympati for intensjonen, og jeg er klar over at formålet med forslaget er det representanten Andersen gir uttrykk for. Grunnen til min skepsis er at ulovlige handlinger er regulert gjennom det norske lovverket, og det er regulert i god balanse med åpningen for ytringsfrihet. Det er lov å mene at kvinner skal tie i forsamlinger, og det er lov å mene mange andre ufyselige ting i det norske samfunnet. Det skal vi bekjempe i en åpen, demokratisk og tøff debatt. Men jeg er veldig skeptisk til tiltak som går ut på politisk regulering av trossamfunn og andre typer livssynssamfunn, som kan gi en oppfatning av at vi driver en politisk regulering av andre folks meninger i stedet for å bruke det lovverket vi har og skal ha, og gjerne kan utvikle videre. Forslaget handler ikke om meninger, men om handlinger. Det handler om å få en utredning av om det finnes noen grenser for hva vi skal finansiere. Norge har veldig rause finansieringsordninger, og det er ikke slik at religioner er noen skjøre planter som ikke tåler kritikk, og som må beskyttes. Det må jo være menneskene som skal beskyttes. Jeg kjøper ikke argumentasjonen om at det er farlig å utrede dette. Det er overhodet ikke i nærheten av å begrense religionsfriheten. Prinsipielt mener nok jeg at staten ikke skal finansiere trossamfunn i det hele tatt. Det er det ikke flertall for. Men da må vi se på om det er riktig å finansiere alle trossamfunn uavhengig av om de bedriver sosial kontroll av sine medlemmer, bedriver ren undertrykking og ikke minst utvikler parallellsamfunn og hindrer integrering. Debatten om hvorvidt staten bør finansiere trossamfunn eller ikke, ser jeg fram til med stor lyst. Problemet knyttet til forslag til vedtak IX er signaleffekten av det. Vi kan selvfølgelig foreslå å utrede hva som helst fra er signaleffekten av det. Vi kan selvfølgelig foreslå å utrede hva som helst fra Stortinget, og vi kan si at det er helt uforpliktende – det spiller ingen rolle, fordi det bare er en utredning. Det gjør vi jo veldig ofte. Her er det selvfølgelig ikke noe problem, som representanten Karin Andersen påpeker, å gjennomføre den utredningen, men vi i Miljøpartiet De Grønne, og i hvert fall representanten Hansson – dette er det selvfølgelig debatt om i partiet, men representanten Hansson har fristilt seg selv i dette spørsmålet – mener at signaleffekten er viktig. Derfor er det også viktig å ta stilling til den signaleffekten her fra Stortinget. Nå har jeg akkurat hatt en samtale med noen av representantene her fra både Kristelig Folkeparti og Høyre. De forsikrer at dette kommer regjeringen til å utrede uansett, for det ligger i oppdraget når de skal utrede støtten til trossamfunn. Hvis det er riktig, er utredningen allerede i gang. Da må jo representanten Hansson i så fall si at det skal de ikke få lov til å gjøre. Jeg må ha en avklaring nå fra regjeringen og fra regjeringspartiene av om dette ligger i mandatet fra før. Hvis det gjør det, stiller det seg annerledes. Men da er det litt underlig å delta i denne debatten i dag, der det høres ut som om dette er noe forferdelig skummelt og rart rart SV har foreslått. Det er det nemlig ikke. Dette er en gjennomgang av regelverket i dag, for også regelverket i dag hjemler noe av dette. Men det kan se ut som om det ikke blir praktisert, og derfor trenger man å gå gjennom det. Hvilke utredninger regjeringen velger å gjøre, er det regjeringen som beslutter, og de spør ikke representanten fra Miljøpartiet De Grønne hva jeg synes om

Velferdsmodellen som er utviklet i Norge gjennom generasjoner, fordrer at vi greier å skape skattebetalere av dem som skal bo i Norge, og forhindre at for mange ender opp med å leve på offentlige ordninger. Det norske samfunnet står midt oppe i en stor oppgave. Aldri før har så mange migranter kommet til Norge som i fjor, og aldri før har vi skullet integrere så mange som har fått opphold i Norge, som nå. I tillegg til dette står mange som har kommet til Norge tidligere og fått innvilget flyktningstatus, utenfor arbeidslivet og sliter med å bli integrert i det norske samfunnet, mange år etter at de har kommet hit. Store grupper innvandrere står utenfor arbeidslivet. Blant innvandrerkvinner fra Afrika er det kun 37,5 pst. som har tilknytning til arbeidslivet, mot 66 pst. blant norske kvinner. Disse tallene er dystre og viser svart på hvitt hvilken stor utfordring vi står overfor.

Antallet som skal integreres, vil være svært viktig for hvor godt vi kan lykkes. Derfor er innstramningene som ble vedtatt av Stortinget i forrige uke, også en viktig premiss for at vi skal kunne lykkes med integreringspolitikken. Mange av dem som kommer, mangler utdanning. Noen er analfabeter, og noen mangler arbeidserfaring. Selv om man har både utdanning og arbeidserfaring, kan spranget til det norske arbeidsmarkedet være formidabelt for mange. Det norske arbeidsmarkedet kjennetegnes av at det er få jobber til ufaglærte, og at det kreves utdanning for å utføre veldig mange jobber. Presset på den delen av arbeidsmarkedet der man kan komme inn uten formell utdanning, kommer til å være stort i årene som kommer. Å lykkes med integrering handler også om å få til et godt samspill mellom den enkelte, staten, kommunen, næringslivet og ikke minst frivilligheten. Jeg har bl.a. besøkt flere menigheter som gjør en stor innsats for at personer med fluktbakgrunn skal finne seg til rette i Norge. Integreringspolitikken er viktig for at vi skal unngå parallellsamfunn preget av lovløshet og åpen kriminalitet. Vi ser at dette er noe som preger flere land i Europa. Dette har vi vært skånet for i Norge, men vi skal aldri ta det som en selvfølge. Regjeringen tar med denne meldingen nye grep innen integreringspolitikken, en melding som lanserer 69 løsninger for å få integreringsresultat. Flyktninger og migranter som kommer til Norge, skal læres opp i norsk kultur og samfunnskunnskap fra dag Norske lover, regler og verdier er noe som alle som er i Norge, må akseptere og forholde seg til. Ingen legger igjen holdningene sine på grensen. Derfor er det viktig. Integreringsmottak for dem med høy sannsynlighet for opphold og motivasjon skal ha fulltidsprogram og skal kunne sette i gang med introduksjonsprogrammet allerede i mottak. Regjeringen ønsker allerede i år å opprette slike mottak med om lag 500 plasser. Hvis dette er en suksess, vil vi opprette flere slike mottak. Det viktigste er resultat.

Aktivitet og praksis er nøkkelen til å lære seg språk og norsk arbeidsliv å kjenne. For å gjøre dette ønsker vi å innføre krav om at praksis skal vurderes i hvert enkelt tilfelle og kombineres med norskopplæring. Vi må huske på at alternativet til en vellykket integrering er passivitet og avhengighet av offentlige ytelser. Alle som bor i Norge, skal ha like muligheter, men med muligheter og frihet er det like naturlig å stille krav. Derfor vil vi kreve fem års botid for å få kontantstøtte, at innvandrerkvinner i fødselspermisjon også skal ta del i opplæringen, og vi vil belønne arbeid og resultat framfor passivitet. Jeg er glad for at det er bred enighet om mye i integreringspolitikken. Som ansvarlige politikere må vi tenke langsiktig på vegne av landet og ta grep for å ivareta den norske velferdsmodellen for kommende generasjoner. Det blir replikkordskifte. Det å kunne norsk og det å være i arbeid er helt avgjørende for

statsråd med ansvaret for integrering tenke at dette er lurt? Det er alltid artig å høre på Arbeiderpartiet når de snakker om kontantstøtten, som de selv satt og administrerte i åtte år i regjering. Med rent flertall bak seg hadde man da alle muligheter til å fjerne ordningen. Jeg registrerte at det gjorde man ikke. Når det gjelder opplæring og kutt i norskopplæring, mener denne regjeringen at det aller viktigste vi må lære folk som kommer til landet, er hvilke norske lover, regler og verdier som gjelder i vårt samfunn. Det er så viktig at vi mener at de 50 timene som nå innføres, bør prioriteres. Så er det sånn at man gjerne skulle hatt mer av alt, og det ser også ut til å prege mange av forslagene til Arbeiderpartiet. Men når man på den ene siden kritiserer regjeringen for å bruke for mye penger og for på en måte å være for ekspansiv, og på den andre siden kritiserer at man bruker for lite, blir det litt Vi må prioritere. Det har vi gjort her. Vi prioriterer det vi mener er viktigst, og det er det en regjering til enhver tid må
Arbeiderpartiet hadde hatt rent flertall. Jeg håper vi får det etter neste valg, men det er vel ikke sikkert at vi gjør det. Det er klart at muligheten til å kvitte seg med kontantstøtten hadde økt betraktelig om landets nest største parti hadde støttet oss i det. Dette handler nettopp om støtte opp under arbeidslinjen, hadde det vært veldig mye lurere å bruke de pengene man i dag bruker på kontantstøtte, på opplæring, kvalifisering og aktivitet – for befolkningen som sådan, men ikke minst for dem som har innvandrerbakgrunn. Det å innføre botidskrav for kontantstøtte er et museskritt i riktig retning, men regjeringen kan jo ikke dokumentere at det faktisk vil ha effekt på integreringen. Og når vi ser at 50 pst. av innvandrerkvinnene står utenfor arbeidslivet etter ti år i Norge, vil jeg gjenta mitt spørsmål: Hvorfor mener Fremskrittspartiet at det er lurt å holde på kontantstøtten samtidig som man sier at man vil

brukt kontantstøtte for at mitt barn skulle unngå å komme i barnehage det første året. Neste gang valgte jeg barnehage, men jeg likte å ha den valgfriheten, og det tror jeg mange norske småbarnsforeldre har. Så er det utfordringer knyttet til den også, og det må vi løse. Derfor har regjeringen bl.a. foreslått at de fem første årene man er i Norge, skal man ikke ha mulighet til å få kontantstøtte.

Jeg har hatt gleden av å undervise norsk ungdom i kultur og samfunn i over 20 år – det er fag som heter det – så jeg er veldig spent på det pedagogiske innholdet, hva vi nå skal fortelle de nye om norsk kultur og samfunn. Men jeg synes det er et godt forslag, og det har også fått en relativt god mottakelse i kommunene. Men nettopp fra kommunene reises det en del spørsmål om hvor kostbart dette vil bli, og om det blir vanskelig å gjennomføre på morsmålet til alle som kommer.

norskundervisning, slik at det blir en mer fleksibel løsning? Vi skal nå jobbe med konkretiseringen av hvordan dette skal gjennomføres, og vi ønsker å få til en mest mulig effektiv måte å gjøre det på. Jeg hadde møte med Vox senest denne uka for å diskutere nettopp disse spørsmålene, og jeg kommer til å engasjere meg sterkt både i innhold og i hvordan dette skal gjennomføres på en best mulig måte. måte. Jeg er selvfølgelig også opptatt av at det skal være mest mulig kostnadseffektivt. Når det gjelder inndekningen, har vi foreslått i denne meldingen at vi skal bruke penger som ellers går til norskopplæring, for å finansiere disse timene. Vi mener at innenfor den rammen skal det være fullt mulig å få til et slikt opplegg. Som lærer er jeg også veldig opplegg som slår an der ute, og kanskje både bruke fjernundervisning som en del av det – selvfølgelig er det også viktig med diskusjoner mellom deltakerne – og få til et opplegg som gjør at de som skal lære om våre verdier, sitter igjen med god kunnskap etterpå. «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk», heter meldingen. Statsråden er

og at kravene selvfølgelig skal utformes i forhold til hva man kan oppnå, altså utgangspunktet til den enkelte. For noen vil det ta mange år, det vil være et langt lerret å bleke. Jeg var selv og besøkte norskopplæring for analfabeter i Tønsberg og fikk der en liten innføring av læreren om hvordan det arter seg. Det er et langt lerret å bleke og noe som tar tid. Derfor har regjeringen i

Hva slags retorikk vi bruker mot en gruppe, har svært mye å si – kanskje har det avgjørende betydning for hva slags endring vi kan forvente. Med respekt for statsråden har den retorikken hun har tillagt seg, vært under sterk kritikk fra svært Spørsmålet mitt til statsråden er: Ser statsråden at hun kan lykkes bedre med det arbeidet hun er satt til å gjøre, dersom hun opparbeider seg genuin omsorg for innvandrerbefolkningen og viser at hun er en medspiller? Vil det være en bedre strategi hvis målet er å lykkes, eller er det bedre å framstå som fiende i et miljø man ønsker å endre? Ser statsråden behov for å justere kursen for retorikk noe, kanskje bare

påpeke det som bør være en diskusjon i det offentlige rom. Jeg mener at vi som samfunn tjener på det. Vi har sett hva som har skjedd i Sverige, der de feide mange problemstillinger under teppet. Det har ikke gått særlig bra der. Vi ser at det utvikler seg både parallelle samfunn og en manglende debatt i offentligheten. Jeg kommer til å fortsette å føre en debatt i offentligheten og å ta opp de vanskelige spørsmålene. Men så er jeg opptatt av å treffe mange av de personene det snakke med dem, få vite hvordan det går, og hva som er utfordringene. Derfor har jeg allerede besøkt mange mottak og mange fylker, og jeg har som ambisjon å fortsette med den reisen, nettopp for å få vite mer om integreringsarbeidet som skjer rundt omkring. Der er det frivillige organisasjoner, menigheter og kommuner som sammen står på for at vi skal lykkes med dette arbeidet. Så jeg har ingen fiender, men jeg er en krevende dame som setter krav til folk, og det kommer jeg til å fortsette med.

integrering. Et av punktene det pekes på der, er at man trenger områdesatsinger, sånn som vi har hatt før, og som regjeringen nå ønsker å fase ut. Man ønsker også å advare veldig sterkt mot f.eks. ordningen med differensiert barnehagebetaling, fordi det låser folk fast i en fattigdomsfelle. Får du jobb og tjener penger, mister du et gode. Ser statsråden det?

om de store linjene. Det at vi har fokus på arbeidslinjen – det at folk kommer raskere ut i arbeidslivet – er utrolig viktig, også for å få arbeidstrening. Når det gjelder barn, har vi i denne integreringsmeldingen konkret foreslått at også to- og treåringene som er i mottak, og som har fått opphold, skal få komme i barnehage og sånn sett bli en del av lokalmiljøet der de befinner seg.

respekt. Å være venner er å engasjere seg i hverandres liv, også når det gjelder dem som faller utenfor. Den stortingsmeldingen vi behandler i dag, har en tittel som angår arbeidslivet, og det er noen grupper jeg særlig har bekymring for når det gjelder deltakelse i arbeidslivet. Det framkommer av Statistisk sentralbyrås statistikk av 9. mai i år at blant førstegenerasjons kvinner fra bestemte land er arbeidsdeltakelsen alvorlig lav. Blant somaliske kvinner er det 22 pst. arbeidsdeltakelse, ifølge SSB. Blant kvinner fra Afghanistan, Irak og Pakistan er det tilsvarende tallet i overkant av 30 pst. Sammenlignet med kvinner fra land som Sri Lanka og India, der det ikke er aktive miljøer som Lanka og India, der det ikke er aktive miljøer som står for islamistisk ekstremisme, er arbeidsdeltakelsen to–tre ganger så høy. Da må vi ta inn over oss at det er et press, en kultur, noen problemstillinger i de førstnevnte miljøene. Vi må støtte de kvinnene. Det er ikke for å ta noen, men vi må støtte de kvinnene, gi dem redskaper for å stå imot press,

er halal, eller man på en eller annen måte må være i kontakt med menn, så må man ta imot jobben. De må vite at det er regelen i det norske samfunnet for at man skal ha en inntekt. Vi vil støtte de kvinnene som kan si klart fra til dem som presser dem, at sånn er det. Jeg er helt sikker på at de fleste ønsker å stille opp, ønsker å bidra, ønsker å jobbe. jobbe. Dette bekymrer meg. Jeg besøkte et arbeidstreningskurs for kvinner der jeg opplevde disse problemene på nært hold. Jeg har senere spurt meg for hos Nav-medarbeidere, som forteller meg om dette, og da ofte anonymt. Men også Nav-ledere har uttrykt dette, bl.a. tjenestedirektøren Bjørn Gudbjørgsrud, i en artikkelserie i Aftenposten i 2014.

typen utfordringer. Jeg vil påstå at det er mine beste venner der jeg bor, som forteller meg om disse tingene. Vi må snakke om det. Med tanke på f.eks. Sverige og parallellsamfunn er den største feilen vi kan gjøre, ikke å snakke om det. Vi skaper fordommer hvis folk ikke opplever at vi snakker om dette på en troverdig måte.

tydeligere retningslinjer for dem som jobber i førstelinjen i Nav på dette feltet. Jeg hadde en interpellasjonsdebatt med arbeids- og sosialministeren, hvor hun sa at hun bl.a. ville se på folketrygdloven og skape hjemmel der for at disse retningslinjene skal bli tydeligere helt ute i førstelinjen. Dette er ikke for å ta noen eller for å skape motsetninger, men tvert imot for å bygge ned motsetninger og gi grunnlag for at alle grupper skal kunne delta for fullt i arbeidslivet. arbeidslivet. Jeg tror at vi da må stille opp også for dem som presses av ekstreme miljøer, samme hvor de hører hjemme, om det er på den ene eller den andre siden i politikken eller på andre områder. Jeg skal fortsette der representanten Bøhler slapp. Noen av de spørsmålene som det har vært mest strid om i

og om kvinnelige prester og biskoper, for å nevne noen tema som har vakt stort engasjement og strid, og som fortsatt gjør det. Likestillingsspørsmålene er fortsatt i 2016 gjenstand for debatt og til dels skarpe politiske motsetninger. Det er uheldig, for ikke minst i arbeidet med integrering er mer likestilling mellom kjønnene en forutsetning for å lykkes. Det å være økonomisk uavhengig er helt grunnleggende for å kunne velge sitt eget liv, og for de fleste i Norge er det heldigvis en selvfølge. Det henger ikke minst sammen med at norske kvinner er i jobb. Det store flertallet av kvinner mellom 20 og 64 år er i lønnet arbeid. Måten vi har organisert oss på i Norge med et sterkt trepartssamarbeid og en arbeidsmiljølov som verner om arbeidstakernes mulighet til å kombinere arbeid og familieliv, er fortsatt viktig for å lykkes. Kvinnene er viktigere for den norske velferdsstaten enn det oljen er. Hvis norske kvinner hadde jobbet like lite som gjennomsnittet i OECD-landene, hadde verdier tilsvarende hele den norske oljeformuen gått tapt. Den høye yrkesdeltakelsen blant kvinner skaper altså store verdier for det norske samfunnet, men det finnes enda flere som kunne ha deltatt. Mens 66 pst. av kvinnene i Norge mellom 15 og 74 år er sysselsatt, er tallet bare 58 pst. blant innvandrerkvinnene, og det er for lavt, både fordi samfunnet går glipp av viktige verdier, og ikke minst også fordi det legger begrensninger på disse kvinnenes personlige frihet, og fordi det er et hinder for god integrering. Så vi må ha høyere ambisjoner på vegne av innvandrerkvinnene. Skal vi lykkes med integreringen, må vi bygge ned barrierer som stenger folk ute fra arbeidslivet, og lage veier som leder inn i det. Fire av ti kontantstøttemottakere har innvandrerbakgrunn. At kontantstøtten hemmer integrering ved å holde innvandrerkvinner hjemme, er velkjent og godt dokumentert. Nå har også regjeringen skjønt det. På første side i integreringsmeldingen står det: «Kontantytelser uten krav til aktivitet kan bidra til å gjøre det lite lønnsomt, eller direkte ulønnsomt, å delta i arbeidslivet.» arbeidslivet.» Da er spørsmålet: Hvorfor står ikke regjeringen løpet ut og fjerner hele kontantstøtten? Man tar altså et lite skritt i riktig retning ved å innføre krav om at man må ha bodd i Norge i fem år før man kan få kontantstøtte, men tidligere i vår spurte jeg regjeringen om hva slags effekt dette ventes å ha på andelen innvandrere som mottar kontantstøtte, og hva slags faglig grunnlag regjeringen bygger forslaget på. Det har jeg ikke fått noe svar på – tvert imot tvert imot bekrefter svaret det vi alle er enige om: «Regjeringen legger i arbeidet med integrering vekt på at det også for kvinner er svært viktig å bli økonomisk selvstendig og integrert i det norske samfunnet gjennom god utdanning og aktiv deltakelse i arbeidslivet.» Jeg kunne sagt: Amen! Men i integreringsmeldingen er det umulig å få øye på grep som vil føre oss i den retningen, og det nytter ikke å si at man skal stille krav når man i praksis gjør det motsatte, sånn som regjeringen gjør. Kontantstøtte er et tungt økonomisk incentiv for å velge bort arbeidslivet, og i tillegg er det et viktig signal om norske verdier, normer og holdninger, som regjeringen i andre sammenhenger er svært opptatt av. Men altså ikke her. I Norge har vi lyktes godt med likestillingen fordi vi har ordninger som gjør det mulig å kombinere arbeid med familieliv. Det gjelder fødselspermisjon, pappakvoter, og det gjelder ikke minst barnehageplasser. Derfor mener vi i Arbeiderpartiet at alle barn i asylmottak skal få barnehageplass fordi det vil virke positivt på integrering, men det er også viktig å fjerne barnehagekøen som sådan i resten av samfunnet. Det er en viktigere prioritering, og det bygger opp under arbeidslinjen, i motsetning til kontantstøtten, som hindrer den. Gjør din plikt, og krev din rett, det har alltid vært en viktig grunnsetning for Arbeiderpartiet. Dette må ligge som et krav fra første dag på asylmottak. Vi skal stille krav, og vi skal stille opp.

har møtt samme holdning og innstilling hver gang vi møter innvandrere og flyktninger som er nyankomne, eller er på introduksjonsprogram f.eks. Da må jeg innrømme at kontrasten blir stor til tonen og det etterlatte inntrykket fra Fremskrittspartiets representanter. De vektlegger i debatter og i det offentlige rom et negativt utgangspunkt, og det handler om at dette er store problemer, og om de ikke vil, så skal de. Underforstått: De vil ikke lære norsk, de vil ikke jobbe. Men sannheten er en annen. Langt de fleste vil både lære norsk og tjene egne penger, men det er mange hindringer som gjør det vanskelig, og det er hindringer vi som politikere kan gjøre noe med. Så la oss jobbe med å utvikle en god integreringspolitikk i stedet for å mistenkeliggjøre en stor gruppe mennesker. Så hvordan gjøre det mulig for alle de mange innvandrerne som har vært her i en uke eller i mange år, å få en plattform som de kan leve gode, selvstendige og frie liv på? Debatten her viser en lang liste, og jeg vil ta for meg ett område spesielt, og det er utdanning. Norge har et godt utdanningssystem som er gratis hele veien, og som er med på å sikre at dette landet har et konkurransedyktig næringsliv. Vi har en velfungerende offentlig sektor, og svært mange mennesker i Norge lever gode, lykkelige liv. Det er den skandinaviske velferdsstaten, som er unik i verden, som sørger for dette. Men det betyr ikke at utdannelse tatt i utlandet, andre steder, har dårlig kvalitet. Mange som kommer til Norge, har en lang og god utdanning bak seg, de har fagutdanning eller universitetsstudier med seg i kofferten. Og naturlig nok vil de ta i bruk utdanningen, hvilket er lurt også for samfunnet vårt. Generelt trenger vi mennesker med kompetanse, nær sagt uansett type fagutdanning, bachelorgrad eller mastergrad. Og vi trenger gründere og folk som ønsker å starte for seg selv, hvilket mange i denne gruppa ønsker. Men skal dette gjennomføres i praksis, er det avgjørende at godkjenningsordningene for utenlandske utdanninger og yrkeskvalifikasjoner forenkles og forbedres. Det er NOKUT som har ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning, og det er positivt at regjeringen vil opprette et felles informasjonspunkt og en felles nettportal for søknader om yrkesautorisasjon. Men det er ikke nok. Den felles dugnaden om hurtigkartlegging av kompetanse som ble lansert i fjor høst, ble i realiteten avlyst da regjeringens svar var en nettportal. Manglende dokumentasjon er ofte et problem, og det har ofte naturlige årsaker når man flykter fra land som er i borgerkrig. Det er likevel mulig å godkjenne utdanning ved andre metoder, hvilket NOKUT har jobbet systematisk og godt med. De er klare til å gjøre mer av kartleggingsjobben, de er klare til å reise ut til mottak, for der sitter det mange tusen, og de venter. De venter på vedtak om mulig opphold, og de venter på en kommune å bo i – og ventetida kan brukes langt bedre, ikke minst til å kartlegge kompetanse. Arbeiderpartiet er utålmodig, og vi har flere konkrete tiltak: Vi vil forenkle godkjenning av kvalifikasjoner og lage en enklere innslusing Sammen med kartlegging i mottak må man identifisere hva som mangler for at den utenlandske utdanningen kan godkjennes i Norge. Det bør så utvikles og organiseres kurs- og utdanningstilbud som tetter dette gapet, slik at de får en godkjent grad som raskt kan tas i bruk. Det er særlig viktig å kartlegge behov og ønsker for videregående opplæring før bosetting i kommunene, slik at yngre elever er sikret et tilstrekkelig tilbud for god opplæring der vedkommende skal bo. Her bør fylkeskommunen ha en klar og tydelig rolle siden de har ansvaret for videregående opplæring og fagskolene våre. Det mangler i dag, og regjeringen bør snarest ta fatt på den jobben. NOKUTs oppgaver knyttet til at mange flytter til Norge, blir stadig viktigere. De fleste kommer fra Europa, fra andre land i EU/EØS-området. Mange kommer også fra resten av verden, enten som flyktninger eller innflyttere via ekteskap eller jobb. På grunn av dette må NOKUT styrkes,

på representanten Keshvari og statsråd Listhaugs innlegg, synes jeg ikke det virker som de synes det er så veldig dumt, og det virker ikke som de synes det er et særlig stort problem. Sist uke var det innstramminger, i dag integrering. Sist uke var presselosjen full, i dag er det er så veldig dumt, og det virker ikke som de synes det er et særlig stort problem. Sist uke var det innstramminger, i dag integrering. Sist uke var presselosjen full, i dag er det noen få spesielt interesserte. Forrige uke sa stortingsflertallet nei til mer midlertidighet for enslige mindreårige, fem år før permanent opphold og tre års arbeid eller utdanning for familiegjenforening. Det er bra, for det ville I debatten sist uke viste jeg til anbefalingene fra Europarådets menneskerettighetskommissær, Nils Muižniek, i hans tale til Europarådets parlamentarikerforsamling i april. Han advarte mot at medlemslandene hver for seg vil gjøre seg mindre attraktive ved å kutte i stønader, beslaglegge eiendeler, begrense familiegjenforening og gi midlertidig opphold. Han kalte det en feilslått politikk som ikke vil bremse flyktningstrømmen, bare hemme integreringen. Drivkreftene er ikke «pull», men «push». I problemnotatet av mai 2016 nevner han noen forutsetninger for arbeid og god integrering: familiegjenforening, permanent opphold, språk- og samfunnsopplæring, statsborgerskap, godkjenning av utdanning og realkompetanse, lik rett til utdanning, forbud mot diskriminering, og sist, men ikke minst politisk og annen samfunnsdeltagelse. Selv om han også har noen kritiske merknader om Norge, kommer ikke vi så aller verst ut. Tittelen på Meld. St. 30 for 2015–2016, Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk, bør derfor inspirere oss til å klatre oppover på den europeiske rangeringen av inkluderende samfunn, ikke nedover. Verdens beste land å bo i må være for alle. Vi trenger ikke økte sosiale forskjeller, men mindre. Det tjener vi alle på. For Arbeiderpartiet bygger integrering på alle menneskers like verdi og like rettigheter. Ellers vil vi lykkes. Så har vi én forutsetning til: den plikten vi hver og en har til å bidra til fellesskapet med de forutsetningene vi har. «Gjør din plikt – krev din rett» er ikke tomme ord. De som kommer til Norge, er en ressurs vi i høyeste grad trenger. Da må de også slippe til. Da bygger vi tillit og demper unødige motsetninger. Så finnes det noen opplagte årsakssammenhenger, som meldinga viser til. Språk er en forutsetning for integrering. Da må språkopplæringen styrkes, ikke svekkes. Den må starte tidlig, i mottak. Tida i mottak må være kort. Kommunene må bosette raskt. Boliger trengs, barnehageplasser likeså. Arbeiderpartiet fremmer forslag som vil bedre det, dessverre blir ikke alle vedtatt. Arbeid til alle er jobb nummer én og en nøkkel til integrering. Fritidsaktiviteter for barn og voksne kommer som en god nummer to. Mener vi at språkopplæring i arbeidspraksis er bedre enn klasseromteori for voksne, må konsekvensen være tiltaksplasser og jobber nok. Vi må evne å bygge videre på, ikke nullstille, den kompetansen flyktningene har, men det er altså et sorgens kapittel så langt. Arbeiderpartiet fremmer forslag også om dette. NOKUT har vært nevnt. De har foreslått en felles flernasjonal hurtigprosedyre for godkjenning av utenlandsk kompetanse. I Dokument 15:372 i år svarte kunnskapsministeren på spørsmål fra Arbeiderpartiet at regjeringa ikke har vurdert dette. Det bør den kanskje revurdere. Meldinga viser at innvandrere kommer i arbeid, men faller raskere ut igjen enn andre, kvinner hyppigere enn menn. Slik kunnskap er kjekk å ha, men har liten verdi dersom vi ikke spør hvorfor og setter inn tiltak for å motvirke det. Er det noe så enkelt som at flyktninger kommer fra land med lavere gjennomsnittlig levealder enn her? Fordi de oftere jobber i fysisk tunge yrker? Fordi de har alvorlige helseproblemer ingen har gjort noe med? Eller rett og slett fordi de er sist inn og dermed først ut ved innskrenkninger? Vi må vite og så handle. Et tankekors til slutt: 21. mars 2013 behandlet vi Meld. St. 6 for 2012–2013, En helhetlig integreringspolitikk – mangfold og fellesskap. Jeg så på innlegget mitt fra den gang, og jeg kunne holdt samme innlegg i dag uten at noen hadde stusset det minste. Vår melding bygde på Kaldheim-utvalget, som i sin tur viste til utredninger på utredninger, og slo fast at det nå var tid for systematisk, konsekvent og langsiktig handling – gjennomføring av tiltak vi vet nytter. Vi har fortsatt samme utfordring: å få lagt vekk alle de begrepene, «det bør», «vi må», og «det trengs», og rett og slett få gjort det. Når representanten Kapur mener at Arbeiderpartiet må finne seg i litt historieskriving, sier jeg tusen takk for det. Da Drammen på 1990-tallet behandlet sin bystyremelding Kunsten å være drammenser, vedtatt i 2000, var kvalifisering til deltagelse stikkordet. Introduksjonssenter og introduksjonsprogram ble et av tiltakene, og jeg husker veldig godt den dagen jeg sto i døra og ønsket kommunalminister Erna Solberg velkommen og var litt stolt av å få lov til å bidra til ny, nasjonal politikk på et særdeles viktig område for

som hos befolkningen for øvrig. Det er bekymringsfullt at kun seks av ti innvandrere som har fullført introduksjonsprogrammet slik det er i dag, er i arbeid. Vi kan ikke ha et samfunn hvor en stor del av de nyankomne blir stående utenfor arbeidslivet og blir avhengig av trygdeytelser for å leve. Det er derfor gledelig at regjeringen kommer med en integreringsmelding, Fra mottak til arbeidsliv, hvor det legges så stor vekt på at de som kommer til oss, skal komme inn i arbeidslivet. Viktigheten av arbeid står sentralt, ja, det er en rød tråd. Jeg er spesielt glad for at det nå gjøres forsøk med egne integreringsmottak, og at samfunnskunnskap blir en del av opplæringsprogrammet.

Det er altså mulig å gjøre selv om vi har kontantstøtte. Jeg minner Arbeiderpartiet om det. I Drammen kommune har man et prosjekt, Fjell 2020, som er ment å løfte bydelen Fjell, en bydel i Drammen som har en stor andel innvandrere. Jeg har lyst til å trekke fram et prosjekt som omhandler kvinner, det har flere på talerstolen nevnt i dag. Det er et prosjekt som heter Jobbsjansen. Målgruppen er kvinner som har stått utenfor arbeidslivet i flere år, og motivasjon til arbeid er en del av programmet. Den enkeltes kompetanse blir kartlagt, og det skreddersys opplegg. Norskopplæring som er arbeidsrettet, er en del av tiltakene. Mange kvinner med innvandrerbakgrunn har helseproblemer som hindrer dem i å gå ut i arbeidsliv. Derfor er kartlegging av kvinnehelse viktig, og både problemer innen psykisk helse og diabetes er det mange innvandrerkvinner som har vært isolert, som har. Det som er gledelig, er at 67 pst. av de som deltok i dette programmet, kom ut i arbeid. Det viser at det nytter med systematiske tiltak hvor man følger opp den enkelte. Det er også et annet bra tilbud: Jobbjakt. Det er et treukers intensivt kurs for dem som er blitt arbeidsledige. Det har også gitt gode resultater. Integrering starter ofte med barna og barn på skole og i barnehage. Det er der foreldre møtes. I prosjektet Fjell 2020 er det fritidstilbud til barn over fire år når SFO slutter, og målet er mestring, identitet og språk. Leksehjelp og mat er en del av dette, for det er viktig å kunne snakke norsk utenom skoletiden og være sammen med barn utenom sine egne. Det er et flott samarbeid med Drammen Idrettsråd om aktiviteter i dette prosjektet. Det er viktig at alle kommuner tar tak i miljøer som begynner å isolere seg. Det er kommet fram i media nå at en del unge i Drammen bruker hele sin fritid på en skole som drives av Det islamske kultursenter. Kommunen følger dette nøye i samarbeid med skole, politi og koordinator som jobber med forebyggende at det er godt at dette kommer fram. Integrering handler om å være en del av samfunnet. Det betyr ikke å gi opp egen kultur og identitet. Det handler om å bli akseptert, men også å akseptere. Jeg mener nøkkelen til dette ligger i å delta i arbeidslivet. Det er

i klima, likestilling, kriminalomsorg og inkludering. Politikken er flyttet litt til høyre for Høyre. Der Arbeiderpartiet har ambisjoner om å skape en inkludering i verdensklasse, opplever vi at Høyre er med på en reise som går i motsatt retning. Ytterligere kutt i språkopplæring og kutt i dagpenger er to praktiske tiltak som hemmer, ikke fremmer inkludering. Utenforskapet skulle ta slutt med Høyre i regjering. Hva er resultatet etter tre år? Jo, utenforskapet fra vårt viktigste fellesskap – arbeid – har aldri vært større. De økonomiske forskjellene øker. Arbeiderpartiet legger til grunn at de som kommer hit, er som de fleste av oss. De ønsker å bidra med det de kan. Og de jeg kjenner, ønsker å gjøre nettopp det. De vil bli stilt krav til, de vil bidra, og de vil ha klare grenser. De vil lære norsk språk og norsk kultur. De ønsker ikke at systemet utnyttes, for det ødelegger for andre. Dette er ikke ulikt den kampen Arbeiderpartiet førte for utnyttede arbeidsfolk en gang i tida: Gjør din plikt, og krev din rett. Slike utfordringer har Arbeiderpartiet og fagbevegelsen i fellesskap løst tidligere. Arbeid til alle er hovedmålet for alle innbyggere i Norge, uansett Flere av regjeringas tiltak gjør det vanskeligere å bli en del av det norske fellesskapet, som kontantstøtteforslaget og halvering av språkopplæring. I Kristiansand er det noen gode eksempler. Choice Hotels og Mottaksskolen har inngått avtale om en klasse som får både arbeidstrening og språkopplæring samtidig. Det er etablert et Der får de møte hverandre, de gjør lekser, de får møte norsk ungdom, og de får møte helsepersonell og politi, som jobber med forebyggende arbeid. I Arbeiderpartiet ønsker vi å bruke nettopp de gode erfaringene fra tidligere arbeid for å lykkes. Vi ønsker å lytte til de nyankomne og sammen finne tiltak som virker, samarbeide med fagorganisasjoner og frivillige organisasjoner for å gjøre mer og ikke mindre av det som virker. Vi må gjøre mer og ikke mindre av det som får folk i jobb, mer og ikke mindre av det som lærer nyankomne norsk. Derfor velger vi annerledes enn regjeringa på noen områder: en kommuneøkonomi som tar høyde for utfordringene ved å gi nyankomne samme muligheter, spille på lag med frivilligheten for å skape sterke fellesskap, sørge for barnehager til alle og ikke minst sikre en fellesskole der alle barn treffer hverandre og leker sammen. Men trygghet og sikkerhet for alle handler også om å forebygge miljøer som hemmer folks frie liv, som truer folks og rikets sikkerhet. I det arbeidet trenger vi de nyankomne og alle oss andre som har bodd her en stund. SLT-arbeidet i kommunene må styrkes. Det men en trenger et ytterligere løft fordi det tiltaket ikke er finansiert tilstrekkelig fra regjeringas side. Jeg vil til slutt nevne et godt eksempel fra godt forebyggende SLT-arbeid. Alason Abdullahi fra Kristiansand har vært pådriver for å etablere et tverretatlig, tverrfaglig og tverrpersonelt tiltak, som nettopp handler om det å bringe ungdom, foreldre, skole, politi og hjelpearbeidere sammen, slik at både foreldrene og ungdommen er trygge på at de har et sted å henvende seg når de får mistanke om at det er noe som ikke er bra – enten med egne barn, eller i eget miljø. Samarbeidet med Samarbeidet med de religiøse miljøene er veldig bra, og det er en forutsetning for at man kan få dialog med disse miljøene, og at vi kan komme i en posisjon der man kan iverksette kraftfulle virkemidler for at ingen, heller ikke i de miljøene, skal være undertrykt og ikke kan leve frie liv. Denne meldingen er tydelig på hvilket fokus vi må ha når det gjelder integrering. En effektiv og

Det å tjene egne penger, eie sin egen bolig, ha kontakt med andre og kunne språket er viktige faktorer i integreringen. Regjeringen har i denne meldingen foreslått en rekke tiltak som vil bidra til en bedre integrering. Det handler om å sette i gang med integreringsarbeidet så fort som mulig for alle dem som etter all sannsynlighet får innvilget opphold. Derfor er dette med integreringsmottak for motiverte asylsøkere et spennende tiltak. Her vil det være kontrakter med plikter og krav i et intensivt program. Det skal etableres fire–fem slike mottak i 2016 med til sammen 500 plasser. Forslaget om midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som samarbeider om avklaring av identitet, og som har høy sannsynlighet for opphold, er også veldig positivt. Altfor mange blir sittende uvirksomme i mottak og vente på asylintervju. Dette tiltaket vil fremme integreringen og hjelpe flere til å komme raskere i gang med livet sitt her i landet.

Opplæring og sysselsettingstiltak må samordnes, slik at de som flytter hit fra en helt annen kultur, raskere kan bli en naturlig del av samfunnet vårt. Vi har ikke tid og råd til at det tar mange år før innvandrere er kvalifisert til arbeid. Norsk og opplæring i norsk kultur og samfunnskunnskap er viktig. Derfor er forslaget om 50 timer kurs i norsk kultur og samfunnskunnskap til asylsøkere i mottak bra. Det å lære om det norske samfunnet, norske lover og regler og vår væremåte vil være til stor hjelp for flere i overgangen til samfunnet, og ikke minst hvordan man skal forholde seg til samfunnets spilleregler. Jeg har også lyst til å vektlegge dette med hverdagsintegrering og frivillighet. Regjeringen utfordrer oss alle til å ta del i det store dugnadsarbeidet med å bistå våre nye naboer og landsmenn i å bli kjent med det norske samfunnet. I min hjemkommune, Asker, har noen ildsjeler tatt den utfordringen. På asylmottaket på Dikemark er det etablert en venneforening som heter DIAS venner. De jobber for at beboerne på asylmottaket kan få mulighet til å være aktive, bruke sin kunnskap og erfaring og bygge kompetanse og nettverk og lære seg norsk. Flyktningene får hjelp til å prøve seg i jobb eller med frivillig arbeid. DIAS venner har støttepersoner fra både politikk, næringsliv, Asker kommune og frivillige organisasjoner. Integreringsarbeid handler også mye om å jobbe langsiktig. Jeg har møtt mange innvandrere som har bodd lenge i Norge, og som har fått norsk statsborgerskap, men som likevel opplever at de ikke er fullverdige medlemmer av det norske samfunnet. Det er trist. Med en annen hudfarge og et utenlandsk navn opplever flere ikke å bli innkalt til jobbintervju selv om de er kvalifisert. Vi ønsker jo at alle skal med og må jobbe med å for det er dessverre en kjensgjerning at arbeidsledigheten blant førstegenerasjonsinnvandrere er tre ganger så høy som for befolkningen for øvrig, ifølge tall fra Nav, og det bør bekymre oss alle. Vi må lære av oppskriften til DIAS venner i Asker og alle de andre ildsjelene rundt om i landet som har bidratt til god hverdagsintegrering. Det handler om å bli kjent med våre nye medborgere. De må inviteres inn på våre sosiale arenaer og treffsteder og være med og forme fremtidens Norge. Ingen er tjent med at noen opplever å være på utsiden og ikke høre til i det norske samfunnet. Mennesker som kommer hit og blir aktive deltakere i samfunnsliv og arbeidsliv, vil være med og bidra til å skape et bedre Norge sammen med oss. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Knapt noe land har vel bedre forutsetninger for å lykkes med integreringen enn det vi har her i Norge. Vi har ressursene som kan settes inn i språkopplæring, arbeidstrening, kompetanseheving og kulturlæring. Bruker vi våre ressurser riktig og klokt, vil vi oppnå at de som kommer til Norge, blir selvforsørget, betaler skatt og bidrar positivt i nærmiljøet og på Verdier som over tid har formet det norske samfunnet, må ligge til grunn for integreringen – demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, likestilling og likeverd er grunnleggende verdier i vårt land. Vi skal stille krav, og vi skal stille opp. Utgangspunktet må være at alle skal bli en del av samfunnskontrakten – gjør din plikt og krev din rett. Det er et gammelt slagord som lever i beste velgående og egentlig gir en veldig god oppsummering.

styrkes i årene som kommer, og ikke svekkes. Og derfor må vi ha en rettferdig fordeling av bosettingen mellom kommunene som ser til at vi faktisk kan bosette etter det behovet som finnes. Derfor må også egenandelen som kommunene må betale for barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere, fjernes. Det er kommunenes oppgave å sørge for at Norge lykkes i integreringen. Da må egenandelen som kommunene må betale for barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere, fjernes. Det er kommunenes oppgave å sørge for at Norge lykkes i integreringen. Da må vi også være trygge på at kommunene faktisk blir satt i stand til å gjøre den jobben Stortinget og samfunnet ellers forventer at blir gjort. Så ligger det også et stort ansvar på arbeidslivets parter for å delta i integreringen. Skal vi lykkes, må flyktningene inkluderes i det ordinære arbeidslivet så fort som mulig. Lønnstilskudd kan være et slikt virkemiddel, og lønnstilskudd vil være et godt virkemiddel for å bringe arbeidssøkere i tettere kontakt med det reelle arbeidslivet. Så er det viktig å få med seg at slik deltakelse i integrering skal være universell. Med andre ord: Regler som gjelder flyktninger, gjelder alle, og regler som gjelder alle, gjelder også flyktninger. Vi må si fra om at dette klarer vi, alternativet er nemlig ikke gangbart. Det viser seg at samfunn som satser på inkludering, rettferdighet, rettigheter og plikter, vil stå seg godt i årene som kommer. Men som sagt: Da må vi stille krav, men vi må også stille

er det både framtidige Hadia Tajik-er, en John Carew, en Chirag Patel. Vår oppgave er ikke å snakke dem ned, lage fiendebilder av dem, men å la dem få leve ut hele sitt potensial. Det er vår oppgave som politikere. Det er også statsrådens oppgave. Her er det et stort Det er mye energi. Har man klart å kjempe seg bort fra despoter og undertrykkelse, klart å overvinne forfølgelse og ta seg over kontinent til Norge, har man en ekstrem mengde energi i seg, som kan brukes til noe. Og vi, vi tar livet av den energien ved å sette folk passivt på mottak, hvor vi sløser med den menneskelige energien og ressursene. Passive foreldre gir i neste runde passive barn, barn, og her har vi et stort arbeid foran oss. Lykkes vi med integreringen i Norge, lykkes vi også som nasjon. Hva om vi mislykkes? Det bør vi også våge å tenke på. Gettoer, parallelle samfunn, ekstremisme – eksempler som vi ser i England, Frankrike, Belgia, Sverige, er eksempler til advarsel, og vi i Norge er ikke der. Det må Vi er heller ikke på vei dit, og da må vi også gjøre noe med retorikken vår dersom vi skal lykkes med dette. Jeg ga den oppfordringen til statsråden i mitt spørsmål til henne i stad. Den oppfordringen tok hun ikke på strak arm, men hun har sommerferien til å tenke seg litt om. For retorikk endrer atferd, og den retorikken bør være best fra den som har det største ansvaret for dette, nettopp denne statsråden. Så bruk gjerne sommerferien til å tenke bitte, bitte lite grann på det, statsråd – om jeg får melde det, president!

president! Denne våren har unge jenter gjort opprør mot sosial kontroll og æreskultur i muslimske miljøer. Vi vet at konservativ tolkning av islam brukes som unnskyldning for å kontrollere unge jenter på en uakseptabel måte, og vi vet at det fortsatt er mennesker som opplever ufrihet i En ny generasjon tøffe feminister sier klart fra til oss: Kvinnekampen må være for alle norske jenter. Og de som krever frihet, må få støtte fra Stortinget. Det er derfor SV har fremmet det forslaget som har fått enstemmig tilslutning fra kommunalkomiteen. Vi ber regjeringen utrede mulighetene for å holde tilbake støtte til trossamfunn i tilfeller hvor det oppfordres til lovbrudd, eller avdekkes. Nettopp kampen mot sosial kontroll og æreskultur var en viktig grunn til at vi fremmet dette forslaget. Jentene har hatt mot til å si fra, og de må få se at Stortinget har mot til å handle. Det er tøv at dette forslaget handler om tankepoliti eller setter trosfriheten i fare. En skal få tro og si det en vil i Norge, om det er aldri så reaksjonært. Men en har ikke krav på å få penger fra staten, uansett hva en gjør med pengene. I Norge har vi et veldig raust system for støtte til trossamfunn, men vi stiller svært få krav. Dette forslaget handler ikke om å ta penger fra dem som ikke vil vigsle homofile eller ikke ansette kvinnelige prester – selv om jeg har sterke meninger om det. Det handler om å undersøke mulighetene for å kunne kutte støtte til religiøse ledere som har ansvar for grov undertrykking, og som bruker sin religiøse autoritet til å ta fra andre mennesker frihet. Da er det oppsiktsvekkende hvis Stortinget i dag barberer det forslaget og tar bort det som handler om andre alvorlige forhold enn rene lovbrudd. Tenk på hva slags Signalet vil være at Stortinget er mer redd for å tråkke religiøse ledere på tærne enn ivrig etter å støtte mennesker som slåss mot undertrykking i religiøse miljøer. Det er dilemmaer knyttet til dette og utfordringer knyttet til håndheving og avgrensning. Det er derfor vi har fremmet et utredningsforslag. Tiden er overmoden for å prøve å få dette til, og i møte med et dilemma må vi spørre oss: Hva er det som veier tyngst for oss? Og jeg er mindre redd for at vi skal utfordre trossamfunn for mye, enn for at vi skal støtte dem som slåss mot sosial kontroll, for lite. Vi må være mer opptatt av å støtte mennesker som undertrykkes, enn redd for å støte mennesker som har makt. For meg er det det som er å ta liberale prinsipper på alvor, og det er det ikke å ha mot til å gjøre det, som er illiberalt. Jeg vil sterkt oppfordre Høyre, Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne til å tenke over hva slags signal de er i ferd med å sende. Vi står fast på vårt forslag. Presidenten er helt sikker på at representanten Audun Lysbakken kan finne et annet uttrykk enn «tøv» i sine neste innlegg. «Fra mottak til arbeidsliv» er

Som vararepresentant vil jeg bruke taletiden min til å dele noen konkrete lokale erfaringer som er overførbare i et nasjonalt perspektiv. I min hjemkommune Sunndal er det et stort kommunalt asylmottak. Kommunen bosetter mange flyktninger og har en egen innvandringstjeneste. Mottaket er i mitt nabolag, og jeg kjenner mange asylsøkere og flyktninger. De ønsker å lære seg norsk og få seg arbeid. arbeid. Det er derfor ubegripelig at regjeringen vil kutte i norskopplæringen. På sykehjemmet, hvor jeg er sykepleier, har vi mange innvandrere i språkpraksis, under opplæring, som ekstravakter og etter hvert som fast ansatte. De står på, er pliktoppfyllende og har lite fravær. Mange flyktninger ønsker å ta fagbrev, spesielt i helsefag og byggfag. Det er veldig bra. Det er kompetanse og arbeidskraft Norge trenger. I Sunndal søker mange av dem med opphold nettopp disse linjene, og en stor andel er voksne. Gjennomføringsgraden i Sunndal hos dem med fremmedkulturell bakgrunn lå i 2015 på 78 pst., mens den totale gjennomføringsgraden i videregående opplæring i Møre og Romsdal lå på 73 pst. Voksenopplæringen i Sunndal kvalifiserer asylsøkerne og flyktningene godt til videregående opplæring. Dessverre er det en praksis i fylkeskommunen som er uheldig for de voksne søkerne. Ved opprettelse av linjetilbudene er det antall søkere med ungdomsrett som danner grunnlaget. Til høstens opptak var det for få med ungdomsrett som søkte byggfag og helsefag i Sunndal. Derimot var det mange med voksenrett som søkte, så det var mer enn nok elever totalt for å starte disse linjene. Men det tar ikke fylkeskommunen hensyn til. fylkeskommunen hensyn til. Fylkeskommunen vedtok derfor å legge ned byggfag og helsefag i Sunndal. Dette er ikke enestående for Sunndal, men gjelder flere distriktsskoler rundt om i landet. Konsekvensen er at flyktningene vi ønsker skal ta utdanning for å komme seg i arbeid, ikke får gjort dette fordi storsamfunnet ikke legger godt nok til rette. Dette er et paradoks, og det må ordnes opp i. Fylkeskommunen må pålegges å ta med dem med voksenrett i grunnlaget for opprettelse av linjetilbudene, og fylkeskommunen må få økonomi til å dekke kostnadene. Sunndal kommune har drevet mottak i mange år, og jeg kunne nevnt mange gode eksempler på fordelene med at kommunene driver mottakene selv, men det kan jeg eventuelt tegne meg til senere. Vi vet at kostnadene med mislykket integrering er

også var like ivrige etter å iverksette effektive integreringstiltak, for kostnadene blir bare høyere om vi mislykkes med integrering. Som min gode kollega og venn Abid Q. Raja sa nylig i et innlegg, er det mange gode eksempler. Det er ingen tvil om at vårt samfunn måles etter hvor godt vi klarer å integrere, ikke etter hvor sterk og streng innvandringsretorikk vi er nøkkelen til dette ikke å prate hverandre ned. Venstre er positiv til en utredning av muligheten for å trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn. Vi mener imidlertid dette bør ses i sammenheng med den varslede stortingsmeldingen om en helhetlig tros- og livssynspolitikk, som kommer opp etter initiativ fra Venstre. Den varslede meldingen følger opp innstillingen fra Stålsett-utvalget, som de rød-grønne la i en skuff. Vi savner imidlertid i meldingen en oppfølging av anmodningsvedtak om utredning av muligheten for en offisiell norsk utdanning av imamer. Det er viktig at religiøse ledere som skal virke i det norske samfunnet, både har mulighet til å bli, og i stor grad er, utdannet i Norge og kjenner til norske referanser og norske verdier. Så vil jeg avslutningsvis si, som jeg glemte i mitt første innlegg: Vi fremmer ikke løst forslag nr. 49.

50. Så støtter vi heller ikke forslag til vedtak IX. Det norske samfunnet er avhengig av at alle bidrar, og at alle får muligheten til nettopp det. Regjeringen fører en streng og rettferdig innvandringspolitikk. Vi må holde innvandringen under kontroll og sørge for at de som får opphold, kommer i arbeid, lærer norsk og forstår de norske verdiene. Det er god integrering. Migrasjonssituasjonen i Europa gir et svært utfordrende bakteppe for denne saken. Den store tilstrømningen også til Norge i fjor høst viser hvor krevende dette er. Integreringspolitikken er ikke en endelig størrelse. Det er ikke en endelig fasit, men en politikk som hele tiden må tilpasse seg en stadig skiftende situasjon. situasjon. Det er nettopp det regjeringen gjør, for med denne meldingen staker regjeringen ut kursen for integreringspolitikken og løsninger for å håndtere den migrasjonssituasjonen vi står overfor. Vi vektlegger at tiden i mottak skal brukes effektivt, at bosetting i kommunene skal skje så raskt som mulig etter vedtak om opphold, at kvalifisering til arbeidslivet skal være målrettet, og at innvandreres medbrakte kompetanse og utdanning skal brukes. Regjeringen ser nærmere på finansieringen av norske trossamfunn gitt av stater som ikke selv praktiserer religionsfrihet. Spørsmålet er om slik finansiering skal tillates når man i opprinnelseslandet aktivt undertrykker religionsfriheten og dermed grunnleggende menneskerettigheter. Dette er både viktig og vanskelig viktig fordi vi dessverre ser tilfeller av radikalisering og framvekst av skyggesamfunn under dekke av religiøse aktiviteter. I kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme er religiøse trossamfunn meget viktige, og det er en viktig del av det forebyggende arbeidet regjeringen har tatt initiativ til. Dette arbeidet må skje i samarbeid med Samtidig må vi ikke lukke øynene for at noen trossamfunn kan ha motsatte motiver og intensjoner. I denne sammenhengen er det viktig at regjeringen ser på alle muligheter for å bidra til å motvirke radikalisering og framvekst av voldelig ekstremisme. Derfor er forslag nr. 50, fra Kristelig Folkeparti, et godt forslag. Det balanserer de vanskelige sidene knyttet til dette temaet, knyttet til fundamentale menneskerettigheter, og det gjør det på en god måte. Det gir en tydelig melding om trossamfunns ansvar for å bidra i integreringen på en god måte, og at norsk straffelov setter en tydelig og ufravikelig grense også når det gjelder finansiering. Nei, det forslaget fanger ikke opp noe av det mest problematiske, nemlig undertrykking av barn og kvinner, som også er

Noen av dem blir enere, andre blir vanlige arbeidstakere – det er bra. Men jeg vil også kaste lys over den neste saken vi skal behandle i dag, nemlig kvinner på flukt. Den tar inn over seg at noen utsettes for helt umenneskelige ting også på flukt og på veien hit. Det gjør at en kan være så skadet at det er umulig å komme i jobb. Mange kvinner som det samme som min generasjon var utsatt for, nemlig at vi ble ganske kraftig sosialt fordømt når vi ville være i jobb. Jeg ble det av mange i lokalsamfunnet. Det var feil å være i jobb som kvinne, en var ikke et ordentlig kvinnfolk, og en var i hvert fall ikke en ordentlig god mor hvis en ville være i jobb og sende ungene sine i barnehagen. Vi må huske på at disse tradisjonene er tunge, at det tar tid, og at noen av disse kvinnene har vært utsatt for veldig alvorlige ting – enten i det landet de har bodd i, under flukten eller til og med under oppholdet på mottak i Norge – som gjør at det ikke er lett å komme i jobb. De er rett og slett syke, alvorlig skadde, og det betyr at en del av den jobben vi må gjøre også når vi tar imot flyktninger, enten det er kvinner, andre krigsskadde eller også funksjonshemmede – som vi absolutt bør ta imot, som trenger å komme seg vekk – er at de må få vite at de er likeverdige, selv om de ikke kan jobbe, for det er de. Jeg ser i VG at statsråden er bekymret over tvangsekteskap. Ja, det er

Statsråden nevnte det ikke med et ord i sitt innlegg, verken da eller nå. Men offentlig er hun bekymret for dette. Der ligger det et forslag, fiks ferdig, som i hvert fall kan sikre de barna som blir holdt igjen i utlandet mot sin vilje, mot å bli avskåret fra å kunne komme tilbake til Norge fordi de blir holdt borte så lenge at de mister oppholdstillatelsen. Det må statsråden se på.

at vi skulle innføre en 24-års aldersgrense for å hente ektefelle til Norge, at det skulle være krav om at man kunne forsørge vedkommende, og at man skulle ha en viss tilknytning til arbeidslivet eller være i utdanning. Jeg registrerer at SV og representanten Andersen stemte ned disse forslagene, som var svært viktig å få innført. Jeg hadde på kontoret mitt på mandag en jente som hadde blitt reddet fra tvangsekteskap nr. 2, som fortalte om den sosiale kontrollen og situasjonen som hun hadde vært i. Jeg tror vi står overfor ulike utfordringer. I Oslo, i sentrale strøk, tror jeg at den sosiale kontrollen på skoler osv. kan være sterkere fordi det er flere fra samme miljø. Men der er til gjengjeld hjelpeapparatet godt. Ute i distriktene, der denne jenta kom fra, var den sosiale kontrollen stort sett fra familien, fordi miljøet ellers var lite, men hjelpeapparatet var ikke godt nok. Det er viktig at vi jobber med disse tingene. Flere minoritetsrådgivere tror ikke jeg vil løse dette. Det handler om at steget for disse jentene, at man kanskje skal anmelde sin egen familie, man skal forlate sin egen familie og starte et liv helt alene, er formidabelt. Derfor mener jeg det viktigste vi kan gjøre, er å stå opp for disse jentene og ha et hjelpeapparat som er så godt som mulig. Så til representanten Raja. Jeg snakker ikke ned personer. Jeg mener det er viktig å vise fram alle dem som har lyktes, og jeg mener også det er viktig, som representanten Andersen sier, å vise fram de vanlige hverdagsmenneskene, som er på arbeidsplassen vår, enten de er jurister, jobber som vaskepersonell eller gjør andre helt livsnødvendige oppgaver for å få dette samfunnet til å gå rundt. Men samtidig kommer jeg til å fortsette å påpeke reelle utfordringer, fordi det er viktig for å ha en åpen debatt. Og når det gjelder retorikk, er dette også viktig for å sende ut signaler til menneskesmuglere og andre som styrer dette markedet.

Han kan kanskje tenke litt på det i sommer, som Raja oppfordret andre til å bruke sommeren til. Jeg er altså fra Drammen, innvandrerby nr. 2 i Norge, der over en fjerdedel av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. Jeg lurer på: Hvorfor er det bare Fremskrittspartiet som synes at det er et problem? Den som bare ser problemer, får jo ikke utrettet noe som helst. Med Keshvaris utgangspunkt ville Drammen ikke hatt internasjonalt kultursenter, ikke hatt internasjonalt kultursenter, ikke hatt høyskolefag i menneskerettigheter og fredelig konflikthåndtering, herunder også vold i nære relasjoner, ikke hatt Norsk senter for flerkulturell verdiskaping, ikke ant hva The Economist mente med begrepet «The magic of diasporas» og viktigheten av det i den globale internasjonale konkurransen. Vi hadde ikke hatt «Bygg broer, ikke murer»-prosjektet i skoler og barnehager, vi hadde ikke hatt Internasjonale Drammen, der næringslivet selv jobber for å få 500 bedrifter til å ansette to innvandrere hver, vi hadde ikke hatt NHOs Global Future, vi hadde trolig ikke sendt en 50 år gammel pakistansk kvinne til sin første jobb noensinne, og vi hadde ikke hatt kurs i norske Vi hadde ikke hatt idrettslag med integreringsmidler fra NIF, vi hadde ikke som første kommune for 15 år siden, statsråd, hatt et etablert tilbud til ungdommer som var utsatt for trusler om tvangsgifte, med ny ID, bolig, et nettverk, et nytt liv og en ny start. Dette er ikke anekdoter, det er konkrete eksempler på hverdagsintegrering. Og vi har utfordringer – bare så synd at regjeringa tok fra oss halvparten av områdesatsingen til Fjell 2020-programmet. Fremskrittspartiet spiller på motsetninger også i integreringspolitikken, og det synes jeg er veldig synd. Jeg blir veldig lei meg når Fremskrittspartiet applauderer fenomener som naboproteststormen mot mottaket for mindreårige enslige asylsøkere i Modum. Men jeg blir veldig glad når en driftig leder går aktivt ut, informerer og inviterer. Nå er det 60 faddere i det nabolaget som tar disse ungene med seg på det som skjer rundt omkring i bygda. Det handler om hvordan man tar det.

jeg er godt kommer fram i en sånn debatt, for – som jeg også sa i mitt hovedinnlegg – vi er faktisk ganske gode. Vi har lyktes med mye, og vi får til mange ting. Men vi er ikke i mål – vi er nødt til å få til mer. mer. Flere har også vært oppe her – spesielt Høyre-representanter – og er bekymret for dem som en ikke har fått det til med, og er bekymret over det utenforskapet som disse står i. Statsråden har også vist bekymring over de utfordringene som vi står overfor. Statsråden er opptatt av å stille krav – det er vi opptatt av alle i denne salen, tror jeg – men også opptatt av at en må

Så er representanten Keshvari oppe og forteller om en skremmende situasjon – og det er på en måte bare det han forteller om. Jeg synes det er så utrolig fint at representanten Abid Raja går opp og nyanserer bildet av hvordan situasjonen der ute faktisk ser ut, og jeg synes påpekningen fra Karin Andersen er helt på sin plass, fra Karin Andersen er helt på sin plass, om at Norge hadde stoppet opp uten våre nye landsmenn og -kvinner. Det var en stor reportasje sist uke i en avis – som jeg har glemt navnet på nå – som sa noe om at Helse-Norge hadde stoppet opp hvis vi ikke hadde hatt de hendene. Da spør jeg meg: Hvorfor vil ikke regjeringen, og Fremskrittspartiet spesielt, gjøre mer for å få til at flere skal lykkes? Hvorfor gjør de ikke mer når det gjelder kommuneøkonomi? Hvorfor kutter de i språkopplæring? Hvorfor tenker de at kontantstøtte er klokt? Jeg synes også det er forunderlig at Høyre – når flere har vært oppe her i dag og synliggjort en situasjon som på flere områder er uholdbar – aksepterer at dette skjer, og ikke tar ansvar for en bedre integreringspolitikk enn den vi har. Ja, vi har utfordringer, men det hjelper ingen å ha en sånn oppramsing av alt som er galt, som det representanten Keshvari har, uten å si noe om eller ha en eneste formening om hvordan en skal håndtere dette. Da lurer jeg på – jeg vet ikke om det går an å si det sånn: Er det sånn at det representanten Keshvari sier, skal passe inn i en eller det representanten Keshvari sier, skal passe inn i en eller annen ideologi eller et politisk budskap som folk der ute skal høre? Jeg bare spør om det. Så har jeg lyst til rent stemmeteknisk å gi uttrykk for noe. Når det gjelder forslag nr. 48, fra Kristelig Folkeparti og Venstre, støtter Arbeiderpartiet det. Venstre har nå trukket forslag nr. 49.

Vår ambisjon er at Norge skal være verdensmester i integrering. Men det krever at vi driver en aktiv politikk, både for integrering og for å utjevne forskjeller, og en politikk for arbeid til alle. Jeg er enig i at vi skal være ærlige om det som er utfordringene, men vi kan ikke i denne sal bare snakke om problemene uten å fortelle om alle dem vi faktisk lykkes med alle de mulighetene og det fantastiske mangfoldet vi har i vårt lille land, takket være innvandring til Norge. Jeg vil advare mot en ensidig retorikk som skaper skiller, skaper fordommer, istedenfor å samle oss, for utfordringer kan snus til muligheter hvis vi bare fører en god integreringspolitikk. Så løser vi heller ikke problemer ved bare å beskrive dem. Det føler jeg noen er veldig gode til i denne sal. Vi er alle enige om at flere må lære mer norsk, men det hjelper lite å si det, når regjeringspartiene foreslår å halvere antall norsktimer i mottak. Vi er alle enige om at kompetansekartlegging er viktig. Da er det synd at det gode forslaget fra integreringsforliket endte med en app. med en app. Med vårt budsjett ville NOKUT hatt kapasitet til å gjøre den viktige jobben. Vi er enige om, selvfølgelig, at flere innvandrerkvinner må delta i arbeidslivet. Da er det et paradoks at de som snakker mye om det, tviholder på en kontantstøtte som holder innvandrerkvinner utenfor arbeidslivet. Arbeiderpartiet mener alvor når vi sier: Gjør din plikt, krev din rett. Vi forventer at folk kommer seg i jobb,

Vi er enig i den økningen, det er en bra økning. Problemet er bare at regjeringen har sendt regningen for dette til landets uføre, eldre og pensjonister, som får mindre bostøtte. Det er vi ikke enig i. Det er ganske oppsiktsvekkende at man står her og raljerer over en ordning som ens eget parti i regjering skryter av å ha styrket. Vår velferdsmodell har bidratt til små forskjeller og store muligheter. Jeg er bekymret for at regjeringen svekker den norske modellen, for innvandring kombinert med barnehageplass til alle barn, tidlig innsats i skolen, satsing på fagarbeidere, en sterk fagbevegelse, mer velferd og en aktiv næringspolitikk kan bli et nytt og veldig bra kapittel om Norge. Veldig mykje er

kan vi få til å fungere, og vi må ha tru på det, og at vi faktisk verdset det mangfaldet landet er i ferd med å verte. Strategien der trinn ein er å stengje verda ute, vil ikkje fungere, kan ikkje fungere. Vi må tru på det mangfaldige samfunnet vi er i ferd med å verte. Det vil også krevje meir av innhaldet i politikken på mange viktige område. Det vil krevje integrering frå dag éin, gjennomført,

er eit paradoks at historia til ein så initiativrik person ville ha vore annleis i dag, fordi det ikkje er lov i dag å gjere det han gjorde. Eg er ein stor tilhengar – eg er vestlending – av å yte før ein kan nyte. Men då må ein jo få lov til å yte – ikkje berre det, det må oppfordrast til det i politikken. og når vi vert meir mangfaldige, må verdifellesskapet vere desto sterkare. Dei av oss som er medlem av eit trussamfunn og har vakse opp med det, veit kor mykje bra det kan vere der, men også om den sosiale kontrollen og undertrykkinga som kan skje og skjer. Det er meir enn lover. Det handlar om haldningar også. Dersom ei meinigheit fortel jenter at dei er mindre verde enn gutar, eller at det bør vere dødsstraff for homofili eller utruskap, er det greitt? Er det irrelevant for om dei skal få statsstøtte? Nei, det er meiningslaust, etter mitt syn, å meine at det er irrelevant. Det er overmodent for at vi utgreier og går vidare med det. Å ikkje ønskje å ta tak i det og utgreie om det skal få konsekvensar, er det stikk motsette av liberalisme, for det liberale verdigrunnlaget verdigrunnlaget handlar om å beskytte fridomane og rettane til enkeltmennesket, ikkje trussamfunnet og dei religiøse leiarane. Det er faktisk i motstand mot dei religiøse leiarane at det liberale verdigrunnlaget har vakse fram. Difor: Toleranse er ein viktig verdi. Eg er veldig oppteken av det, men grensene for toleranse må stoppe med intoleranse. Det må Stortinget no vere med på og ta oss vidare på. Representanten Keshvari etterspurte fakta i integreringsdebatten. I samme innlegg holdt han fram at det er på. Representanten Keshvari etterspurte fakta i integreringsdebatten. I samme innlegg holdt han fram at det er velferdsordninger som holder innvandrerkvinner unna arbeid, at det er en trygg velferdsstat som gjør at de ikke er så sterkt representert på arbeidsmarkedet som en skulle ønske. De er rett og slett ikke motiverte nok. Dette har vi hørt fra Fremskrittspartiet i denne debatten og i flere andre debatter. De tegner et bilde av at de som kommer hit, ikke vil jobbe og ikke vil lære seg norsk. Da er mitt spørsmål: Hvor er belegget for de påstandene? Det er problematisk at mange i denne gruppen står uten arbeid, men er det virkelig deres egen skyld, og er det virkelig ut fra det grunnlaget man skal utarbeide en integreringspolitikk, en arbeidsmarkedspolitikk og en politikk for å lage et helt Norge? Jeg etterspør faktagrunnlaget for påstandene til Keshvari. Ingenting er nærmere fakta enn virkeligheten. I går var jeg i virkeligheten. I går var jeg på Furuset. I går traff jeg 15 innvandrerkvinner fra mange forskjellige land, alle ikke-vestlige innvandrerkvinner. De var forskjellige, men de hadde tre ting de var helt enige om, og som de hadde til felles. De sa: Vi vil lære bare norsk. Vi vil jobbe. Vi vil delta. Hva er det som gjør at Keshvari ikke mener at disse damene er representative for den gruppen vi snakker om at vi ønsker å integrere?

folk. Da er det igjen grunn til å minne om at det er nettopp denne modellen som har sikret et samfunn med like muligheter for alle, fordi den sikrer et sosialt sikkerhetsnett, en skattefinansiert velferd og et trepartssamarbeid og organisert arbeidsliv som har sikret både høy produktivitet og veldig høy yrkesdeltakelse.

Statsråden har nærmest beskyldt Arbeiderpartiet for at vi har råd til alt. Nei, det har ikke Arbeiderpartiet, men vi ønsker oss en tyngre og mer langsiktig satsing på integrering enn bare å strø 5 mill. kr her og 5 mill. kr der, slik som regjeringen har gjort i Vi har ikke råd til alt i Arbeiderpartiet, heller, men vi gjør andre prioriteringer enn det regjeringspartiene gjør. Vi sier nei takk til 20 mrd. kr i skattekutt, og vi sier nei takk til en kontantstøtte uten krav til aktivitet fordi at det er et åpenbart brudd med arbeidslinjen. Istedenfor vil vi satse tungt ikke bare av innvandrere, men av befolkningen som sådan, og akkurat i denne sammenhengen handler det selvfølgelig om å styrke språkundervisningen, bruke lønnstilskudd i større grad osv. Vi mener det er kjempeviktig å styrke kommunenes mulighet til å bosette og integrere dem som kommer, slik at vi slipper å sette grupper opp mot hverandre. Vi mener det er kjempeviktig å bygge flere barnehageplasser også for barn i asylmottak. Vi ønsker å videreføre og styrke områdesatsingene, og vi mener det er veldig viktig å gi frivilligheten gode ikke for at de skal overta norskundervisningen og andre oppgaver som i dag er statlige, men for at de kan gi en merverdi til dette viktige arbeidet, og sist, men ikke minst, ønsker vi en storstilt satsing på boligbygging, for befolkningen i Norge øker, og da må ikke mangel på tak over hodet være et hinder. Den første jeg sier hei til på Stortinget, er

Og Karin Andersen har helt rett, slik to tidligere ordførere i Oslo sa det: Norge og Oslo holdes i gang av innvandrere. Det er utallige ukjente minoriteter som gjør en iherdig innsats, utover de kjente personene jeg nevnte i mitt innlegg tidligere, i både privat sektor, offentlig sektor og servicebransjen, og det Fremskrittspartiet må innse og berømme, er nettopp det, og det er gratis å gi ros, ære. Vi må ikke overdrive hvor dårlig det går, for vet du hva – det går egentlig ganske bra, særlig hvis man tar i betraktning at innvandrerne har vært i landet i svært, svært kort tid og kommer fra en ofte har foreldre som både er analfabeter, har psykiske utfordringer og har store økonomiske problemer. Utgangspunktet er derfor at disse barna, som Keshvari, meg selv og andre, egentlig er dømt til å mislykkes, det skal egentlig gå dårlig, for alle oddsene har ballet seg på og står på den ene siden og sier: Det skal ikke gå bra. Og så går det bra allikevel med veldig, veldig mange, og vår rolle som politikere er å gi Ali, Fatima, Pjotr og andre like gode muligheter som Ola og Kari får. Det er vår oppgave. Det er ikke vår oppgave å rakke ned på innvandrerbarna og de barna som vokser opp i Norge. Det er ikke bare gratis å gi ros. Det er også gratis å vise omsorg, og det å bry seg er også gratis, og det gjør at man faktisk føler seg bedre selv. Ikke minst, hvis man skal få igjennom politikken sin, vil den gruppen man snakker til, faktisk høre lettere på deg og på dine politiske løsninger. Statsråd Listhaug sa at hun er en ganske bestemt dame, og jeg vil påstå at jeg er vel en slik type bestemt mann selv, og det er ikke få ganger jeg har tatt opp disse utfordringene i minoritetsmiljøet, men det er kanskje særlig retorikken og humanismen som er ulik oss to imellom.

og det handler om likestilling, om synet på homofile, ytringsfrihet, synet på demokrati. Barna lærer av sine foreldre, og veldig mange foreldre kommer fra en helt annen virkelighet, og det å forvente at de etter den fysiske reisen som tar seks–sju timer fra en annen virkelighet, på samme tid mentalt skal forflytte seg til den norske virkeligheten, tror jeg er å legge litt for mye ansvar på deres skuldre, og da må vi ha både utdanningssystemer og ting som gjør at man faktisk kommer dit at man kan være fullt ut samfunnsborger i Norge. Jeg går tilbake til mitt første innlegg, til omsorgsbiten, og min anmodning igjen til statsråden er: Bruk sommerferien til å tenke hvordan du kan være medspiller og ikke framstå som en fiende inn i innvandrermiljøet. Jeg er

ofte får så mye i overføringer – ettersom det ikke er tak på velferdsordninger – at de blir forhindret fra å komme i jobb, og at det ikke lønner seg å komme i jobb. Det faktagrunnlaget finner man hvis man er interessert i det. Men vi ser også i dag et stortingsflertall som er mest opptatt av å gjenta selvfølgeligheter som ikke har dekning i statistikken. Vi ser f.eks. på arbeidsdeltakelse. Det er jo ikke noe Fremskrittspartiet har funnet på. Representanten Lise Christoffersens hovedpoeng var at det er igangsatt en rekke tiltak og kurs som et direkte resultat av innvandringen, som f.eks. kurs i barneoppdragelse som er så berikende, og at disse ikke hadde eksistert uten innvandringen. Innvandringen har altså ført til at man er nødt til å sette i gang tiltak. Representanten Christoffersen ser på det som et tap for samfunnet at tiltakene som er igangsatt for å rette på uheldige sider ved innvandringen, ikke hadde eksistert uten den store innvandringen. Helt avslutningsvis må jeg si følgende til representanten Eirin Sund: Mitt innlegg er ideologisk basert, men det er også basert på det faktum at hadde ikke Fremskrittspartiet eksistert – hvis man hører på debatten i dag – så hadde ingen av ulempene ved innvandringen eller utfordringene ved integreringen kommet fram. Jeg har blitt utfordret på dette: Hva mener representanten Keshvari og så hadde ingen av ulempene ved innvandringen eller utfordringene ved integreringen kommet fram. Jeg har blitt utfordret på dette: Hva mener representanten Keshvari og Fremskrittspartiet om integrering? Har de i det hele tatt noen tiltak? Da lurer jeg på om representantene som har stilt de spørsmålene, vet hvor de er og hvilken debatt de befinner seg i. Vi debatterer en melding om integrering framlagt av regjeringen, av Fremskrittspartiet-statsråd Sylvi Listhaug. Hva vi mener må gjøres med integrering, er

tro hverandre på at når noen vil veldig mye, er de ikke naive. Og de som ønsker å være litt strikte på enkelte saker, er ikke imot integrering. Det å sette krav er ikke å være imot integrering. De som ikke har alle svarene, er ikke tiltaksløse. Jeg tror det er summen av de stemmene som kommer fram i disse debattene, som vil skape legitimitet for Stortingets videre arbeid, og jeg vil faktisk berømme alle partier som har vært her oppe i dag og presentert sine synspunkter. Jeg vil også si at den integreringsmeldingen som ligger på bordet nå, er det største stykke arbeid som har vært gjort på en så grundig måte på dette feltet på veldig mange år. Her går man ikke i den klassiske fellen med at man diskuterer integrering bare langs den kulturelle aksen, men også langs den strukturelle aksen. Hva betyr det? Jo, man ser på hva det betyr strukturelt å jobbe med integrering. Hva betyr det for en kommune, at det skal bosettes folk? Det handler ikke bare om boliger. Det handler om antall skoleplasser, lærernes kompetanse, arbeidsliv, idrett, frivillighet, velferdstjenester og boligpolitikk. Mitt poeng er at integreringspolitikken må integreres i kommunens langtidsplaner. Det er jo der noe av den største utfordringen ligger i dag. Nå mot slutten av debatten vil jeg fra denne talerstol også utfordre de norske kommunene – ordførere og fylkesmenn. Hvordan skal de implementere denne meldingen i sine langtidsplaner på lik linje med alt annet de gjør i kommunen? Jeg tror at hvis vi ikke får til det, kan vi ha mange debatter om resultatene av integrering eller om resultatene av enkelttiltak. Men hvis vi skal se framover, hvis vi skal få en ny integreringspolitikk i Norge, er vi nødt til å ta inn over oss at alle skal bosettes i en kommune. Hvis kommunens planer for alle områder de jobber med, ikke reflekterer dette på riktig måte, vil integrering – jeg vil ikke si det er slik i alle kommuner, men i mange – fortsatt være et stykke arbeid som skjer litt på siden av det et stykke arbeid som skjer litt på siden av det vanlige arbeidet. Da blir det veldig mange festivaler og festtaler, men det blir ikke reell integrering strukturelt på samme måte som med alt annet man gjør i kommunen.

er det bra at det blir likebehandling, men det reiser noen andre spørsmål. Som statsråden selv sa, vil analfabeter trenge mange, mange år fra de starter lese- og skriveopplæring til de kan ha håp om å komme inn i arbeidsmarkedet. Skal de da tilbringe fire, seks, åtte år i et integreringsmottak? Senterpartiet holder fast ved at integrering ikke foregår i et mottak, men i et lokalsamfunn i den kommunen flyktningen blir bosatt. Regjeringen foreslår å fjerne kravet om gjennomført asylintervju for å få midlertidig arbeidstillatelse. Jeg er overrasket over at regjeringen fremmer et forslag om noe de tidligere har advart sterkt imot. Jeg mener dette vil ha begrenset effekt, samtidig som jeg er bekymret for om en kan være trygg på at Senterpartiet har derfor fremmet et forslag der vi ber om en utredning av konsekvensene av å fjerne kravet om gjennomført asylintervju før midlertidig arbeidstillatelse kan gis, før en slik endring eventuelt trer i kraft. Til slutt en forklaring om hvordan vi kommer til å stemme: Vi vil støtte forslagene nr. 11, nr. 13, nr. 24, nr. 47 og Primært støtter vi flertallsforslaget, men vi vil også varsle subsidiær støtte til forslag nr. 50.

som det er grunn til å vere kritiske til, f.eks. det som gjeld sosial kontroll. Forskjellen mellom dei to forslaga går på at det frå Kristeleg Folkeparti berre vil vere avgrensa til lovbrot, mens det einstemmige fleirtalsforslaget frå komiteen seier at òg andre ting som det er grunn til å slå ned på, kan kritiserast. For eksempel: Viss det vert utøvd ekstrem sosial kontroll og undertrykking som ein ikkje direkte kan seie er er ikkje det likevel grunn til å greie ut om det kan få konsekvensar for statsstøtta? Eg er overtydd om at Framstegspartiet eigentleg – dei har iallfall ei rekke gonger uttrykt det offentleg – er utruleg kritiske til den typen praksisar. Men det ein må spørje seg, er: Viss Framstegspartiet no hoppar av det, er det fordi dette er eit forslag som kan gjelde alle trussamfunn – òg nokre ytterleggåande kristne trussamfunn, der det finst sosial kontroll og

Det er det det dreier seg om, å investere slik at dette blir bærekraftig i framtiden. Dette med signaler om «pull-effekt» svever også i luften, men vi skal ikke glemme at vi har en forpliktelse til å se på «push-effekten», altså hvilken situasjon de kom ifra. For vi er enige om at dette ikke gjelder dem som ønsker et bedre liv, dem kan vi ikke hjelpe i Norge, men det gjelder de få som vil berge sitt liv for seg og sin familie. Det er den gruppen vi snakker om, og da skal vi ha en verdig retorikk, vi skal ha en verdig politikk og vi skal etterstrebe rettferdighet. For det er innvandringsstopp i Norge, men det er internasjonale avtaler, folkerett, menneskerettigheter osv., som gjør at vi har noen som har krav på opphold, og da må vi ikke få A- og B-borgere her i landet. Når det gjelder SVs forslag, personlig og ellers i vårt parti kjente vi det ikke helt igjen da vi møtte det i mediene, og det har da forårsaket den skepsis vi har fått fra organisasjoner og livssynsorganisasjoner som har stilt en del spørsmål til oss. Etter å ha hørt SVs innslag her i over de eksemplene som er brukt. Når en da i tillegg spiller ut muslim-kortet mot Fremskrittspartiet for å knytte dem til saken, synes jeg også det var litt underlig. Kristelig Folkeparti mener at noen av eksemplene som er kommet her – jeg støtter en del av dem – skal vi være med å følge opp. Men det har vi tiltro til vil skje i den meldingen som kommer om en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Vi forutsetter faktisk at det kommer der.

Men svaret var innstramminger. I dag diskuterer vi ikke innstramminger, vi diskuterer bosetting. Jeg synes det er for lite fokus på språkopplæring osv., for vi er jo enige om at vi skal ha bærekraft, at vi skal få gode skattebetalere, og at vi ikke vil at folk skal gå på offentlige støtteordninger. Arbeiderpartiets kamp mot kontantstøtte var forutsigbar. De snakker om myggen i rommet. Ellers er det mange gode løsninger som vil komme fram her i dag, og som saksordfører takker jeg for bidragene som er kommet. Nå må vi ha en positiv retorikk for å få dette på beina og ikke skape nye signaler om en såkalt pull-effekt. Representanten Lise Christoffersen Bare en kort kommentar til Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitiske talsperson, representanten Keshvari. Han påsto i sitt siste innlegg at jeg hadde sagt at en rekke tiltak som f.eks. kurs i norsk barneoppdragelse ikke ville eksistert uten innvandring. Det er noen i Fremskrittspartiet som har gjort det til sitt varemerke å vri og vrenge

Høyre, er at vi har gjentatt våre forslag som er utover det som ligger i meldingen. Vi har lest meldingen, men vi har også evnet å ta inn over oss den kunnskapen som vi har fått fra andre miljøer, både i høringen og i andre innspill som har kommet. Representanten Keshvari skal ikke være redd for at vi ikke har lest meldingen, men vi har også vært i stand til å ta inn over oss Når Arbeiderpartiet primært vil stemme for forslag nr. 50 som det ligger, er det for at hvorfor skal vi definere noe ut? Et samlet storting har på et forslag fra Venstre tidligere sagt at vi ønsket at vi skal ha en gjennomgang av finansieringen av trossamfunn. Hvorfor skal vi nå definere noe ut? For når utredningen kommer, skal vi i vedtaksform bestemme der og da hva som skal være inne i dette etterpå. da hva som skal være inne i dette etterpå. Representanten Mazyar Keshvari hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Kort til det siste: Det var et svar på at jeg og vi i Fremskrittspartiet blir utfordret på at vi ikke har noen tiltak for integrering. Hele grunnen til denne debatten er en melding om integrering, framlagt av regjeringen. Når det gjelder klargjøring av stemmegivning, misforståelse. Folk snakker veldig mye forbi hverandre, for vi stiller oss 100 pst. bak innlegg som både representanten Audun Lysbakken og andre fra SV har holdt. Men vi ser ikke noen motforestillinger mot det forslaget som Kristelig Folkeparti har lagt fram, all den tid det må vurderes. Forhold som holder kvinner tilbake fra ja, hva er det? Det må defineres før en kan trekke statsstøtte fra noen. Det må konkretiseres. Alt det representanten Lysbakken tok opp, vil jeg si her og nå at det stiller jeg meg 100 pst. bak. Derfor har vi også redegjort i merknaden som står i saken, at det er slike forhold vi vil få opplyst. Det er ingen motsetningsforhold mellom det og forslaget som Kristelig Folkeparti har lagt fram.

handle. Fremskrittspartiets representanter kan Stortinget, de vet hva et forslag betyr, de vet hva en merknad er, alle kan se forskjellen på de to forslagene. Jeg synes det er meningsløst å prøve å bortforklare den forskjellen. Man får heller forklare hvorfor man er mer enig med Kristelig Folkeparti enn med seg selv i innstillingen fra komiteen. Så tillegger representanten Toskedal meg stor innflytelse hvis det er slik at ting undertegnede har sagt i media, har skremt Kristelig Folkeparti fra å støtte et forslag de i utgangspunktet var for. Det er jo engang ikke slik at det er intervjuer med lederen i SV som definerer hva det er regjeringen skal utrede i en slik sak. Men la meg også understreke at jeg har i intervju med den kristenkonservative avisen Dagen f.eks. vært veldig tydelig på hva dette ikke handler om, f.eks. de klassiske diskusjonene om arbeidsmiljølov og likestillings- og diskrimineringslov. Det handler om de mer alvorlige forholdene. Derfor frykter jeg at Kristelig Folkepartis motstand mot dette til syvende og sist bunner i en grunnholdning om at vi som politikere ikke skal blande oss inn i det som foregår i religiøse trossamfunn. Det er en holdning jeg er dypt uenig i, og jeg mener at det som har skjedd denne våren, våren, hele den historien vi har med undertrykking i ulike religiøse miljøer – for det handler ikke om én bestemt religion – tilsier at Stortinget må ha mot til å handle, og i hvert fall ha mot til å utrede hvordan vi skal handle. Jeg vil takke for en veldig god debatt, og jeg synes det er handle. Jeg vil takke for en veldig god debatt, og jeg synes det er mye enighet i denne saken, som er veldig viktig å ta med seg. Jeg vil bare kommentere til representanten Greni: Det er selvfølgelig ikke snakk om at man skal sitte fire–seks år i mottak, men det som er poenget, er at man skal komme raskere i gang med integreringsløpet. Man vil også få til et samarbeid med de kommunene der disse mottakene ligger, og forhåpentligvis kan disse personene da bosettes i enten disse kommunene eller omkringliggende kommuner, slik at man kan starte på livet og integreringsprosessen tidligere. Vi startet, som jeg var inne på tidligere, opp med 500 plasser, og viser dette gode resultat, er det ingen grunn til å la være å utvikle denne modellen og flere plasser i tiden som

spørsmålene. Det handler om å ta enkeltmennesket på alvor, det handler om å ta hele kompleksiteten på alvor og være bevisst på at dette ikke er noen enkel jobb, det er ingen «quick fix», men det er hardt arbeid som ligger foran oss. Jeg har vært i dette gamet så lenge at jeg har blitt kalt mye opp igjennom tidene og fått mange merkelapper kastet etter meg, så det må man bare leve med. Men det som historien også har vist, er at når det gjelder de standpunktene som jeg har forfektet opp gjennom er det i den retning politikken har gått, og ikke motsatt. Det handler om at vi nå ser hvilke utfordringer det gir oss, og også det presset som er mot Europa. Men jeg mener samlet sett at både denne saken og de vedtakene som nå blir fattet, og de vedtakene som ble fattet forrige uke i til sammen gjør oss bedre rustet til å møte framtiden på dette feltet. Det kommer til å stille oss på prøve både når det gjelder innvandring og integrering, og her har vi nye virkemidler til å lykkes med det. Det er vi avhengig av hvis vi skal sikre den norske velferdsmodellen og sikre at de som kommer etter oss også skal ha gode velferdsordninger og gode velferdstjenester i årene som kommer. Det tror jeg alle står samlet om at man faktisk ønsker.

den framstillingen. Jeg vil også oppfordre statsråden til å lese evalueringen av rapporten for minoritetsrådgiverne. Den rapporten viser at dette er vellykket, og det viser forbedringspotensialet, særlig når det gjelder å jobbe med dem som blir sendt ut av landet mot sin vilje og blir værende der, og som regjeringen ikke vil bidra til får lov til å komme tilbake til Norge, fordi den veien er stengt. Her har statsråden mye å gjøre. Statsråden har stor arbeidskapasitet og en sterk vilje. Jeg vil anbefale henne å jobbe litt mer med integrering, gode integreringstiltak, og litt mindre med å synes synd på seg sjøl. Representanten Abid Q. Raja har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Raja har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det skal altså være synd på statsråden fordi man har fått merkelapper kastet etter seg. Hvis det skulle være sånn, er det bare å stille seg i køen, langt bak etter meg, for det er ikke få merkelapper vi andre har fått, trusler og rasisme. Og hvis det er så tung bør å bære for statsråden, er det ingen tvang å inneha denne posisjonen, dette vervet. snakker om at hun har en realisme i seg når hun kommer til forskjellen på humanismen oss imellom – nedrakking av en gruppe, det er ingen realisme i det. Jeg har hatt mange gode kristne venner på Stortinget, særlig i Kristelig Folkeparti – med gode verdier som jeg liker å kjenne og dra kjensel på, som medmenneskelighet, humanisme og nestekjærlighet. Jeg tror sommeren kommer til å være god for statsråden dersom hun bruker den tiden til litt indre refleksjon. Jeg vil bare avslutningsvis ha en liten kommentar til det som har vært tatt opp når det gjelder forskjellen mellom Kristelig Folkepartis forslag og SVs forslag, som fikk flertall i komiteen. Det er klart at Kristelig Folkeparti er ikke skremt av SV eller av den argumentasjonen som kommer, men vi er skremt av at det er uklar innramming av punkt 3 i forslaget, når vi hører på utlegningen som har blitt gjort i media fra representanter fra det partiet. Da tenker vi – en forsiktighet – la oss gå rolig fram, la oss ta en høring, la oss vente på den meldingen som er bebudet om nettopp dette, og vi forventer at det kommer der. Så reagerer jeg når representanten Solhjell, som jeg nevnte, spiller ut muslimkortet til Fremskrittspartiet, mens vi på reagerer jeg når representanten Solhjell, som jeg nevnte, spiller ut muslimkortet til Fremskrittspartiet, mens vi på den andre siden, i Kristelig Folkeparti, får høre at vi er mer skremt fordi noen konservative kristne har tatt oss. Det er sånn splitt og hersk nå, og det synes jeg er litt uverdig. La oss prøve å være realistiske og se på dette. Vi er enig i at mye av det som har vært nevnt fra SV, er et problem – det må vi ta tak i, og det forventer vi kommer i den meldingen, slik at vi holder oss til saken og ikke lager retorikk rundt dette. Jeg tror vi skal finne fram til det etter en grundig gjennomgang, der vi ivaretar religionsfrihet, samvittighetsfrihet – dette er et sensitivt område, det er ingen grunn til å rushe inn. Og for all del: det er jo ikke motstand mot, som det ble sagt, i Kristelig Folkeparti å gå inn på disse konfliktfylte områdene, men vi må gjøre det med varsomhet.

er ein del av, men me er samtidig glad for at òg Kristeleg Folkeparti ser desse utfordringane, sjølv om dei ønskjer ei litt anna innretning enn Framstegspartiet. Me står inne på det som me står inne på i i komitéinnstillinga. La meg bare slå fast med en gang at jeg tar avstand fra alle dem som forsøker å sette merkelapper på andre. Jeg har tidligere vært ute og støttet mange med innvandrerbakgrunn som får slengt rasistiske bemerkninger etter seg, og jeg mener at det er noe som alle skal ta avstand fra, for det er veldig bra at vi har mange i norsk politikk som er i toppen, og som har den bakgrunnen. Det er gode rollemodeller for andre i vårt samfunn. Jeg kan vel heller ikke si at jeg kjenner meg igjen i beskrivelsen av at jeg synes synd på meg selv. Jeg tror ikke det kjennetegner min politiske karriere. Men jeg mener at det er viktig for meg, som for alle andre som blir tillagt meninger og holdninger og blir stemplet på forskjellige måter, å ta til motmæle mot det, fordi jeg ikke kjenner meg igjen i de beskrivelsene. Det jeg ønsker, er at vi skal få til en god integreringspolitikk. Derfor bruker jeg mye tid til å reise rundt i landet og se på det arbeidet som gjøres, og jeg prøver å inspirere til at vi skal få til en enda bedre jobb framover. Vi trenger å tenke nytt, og mine tanker rundt det ligger i integreringsmeldingen og får nå bred oppslutning. Men jeg mener også det er viktig å være bevisst det ansvaret man som politiker har for å sende tydelige signal ut til dem som er menneskesmuglere, og andre som styrer disse strømmene, om at Norge er et strengt land, og at vi faktisk har en politikk som gjør at dem som kommer fordi de f.eks. ønsker en bedre økonomisk framtid, ikke bør komme til Norge, fordi de belaster vårt asylsystem. Det kommer jeg til å fortsette med i tiden som kommer. Jeg mener det er en viktig oppgave for meg, og derfor er jeg glad for at vi har fått til forbedringer, i både innvandrings- og asylpolitikken, og ikke minst her hvor et bredt flertall står bak en bedre integreringspolitikk. Representanten Audun Lysbakken har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Lysbakken har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det må være lov til å si til statsråden at hvis hun er opptatt av å unngå stempling og tillegging av meninger, så kan hun nok med fordel se igjennom sin egen praksis overfor politiske motstandere denne våren. En smule kritisk selvrefleksjon tenker jeg ville være på sin plass. Men jeg tok ordet i oppfølgingen av det representanten Njåstad sa, for hvis det er slik at så fall at vi er enige om det forslaget som ligger i innstillingen, og at det er flertall for det. Det synes jeg er veldig positivt. Representanten Toskedal advarte mot å «rushe inn», og det skal vi være forsiktige med, men jeg har lyst til å understreke at jeg tror nok for mange av dem som lever i de situasjonene som vi har diskutert i dag, oppfattes det vel heller som at tiden er overmoden og at vi bør være mer redd for å gjøre for lite enn for å sette i gang en utredning, som det selvfølgelig er dilemma knyttet til. Til denne siste delen av debatten hvor statsråden snakker om merkelapper: Da

Og den største merkelappen som vi har sett i den aktuelle debatten i den senere tid, er merkelappen som statsråden veldig uheldig har satt på den situasjonen vi har vært inne i. Hun har som integreringsminister en evne til å framstille situasjonen som at mange av dem som kommer, bare er et resultat av menneskesmugling men ikke å framheve det hun burde i henhold til norsk politisk, humanistisk tradisjon ta ansvaret for, nemlig å snakke om at disse menneskene kommer fordi det er nød og fattigdom og død og fordervelse. Det er den vanskeligste situasjonen vi har, fordi vi har en integreringsminister som legger an en slik tone, og som bryter med den norske humanistiske tradisjonen, på tvers av alt hva vi ellers har vært historisk enige om i Norge. Og så kaller hun det for realisme. Hadde det ikke vært for opposisjonen og bredden i behandlingen av det som har skjedd de siste dagene i forbindelse med både denne meldingen og det som skjedde her i salen for to dager siden, så kaller hun det for realisme. Hadde det ikke vært for opposisjonen og bredden i behandlingen av det som har skjedd de siste dagene i forbindelse med både denne meldingen og det som skjedde her i salen for to dager siden, hadde det etter hvert blitt grunn til å stille spørsmål om Norge lenger var en humanistisk nasjon – hvis statsråden hadde fått det som hun egentlig ville. Det er sannheten og bør sies før denne debatten er slutt, for

og det mener jeg er bra at vi tar konsekvent avstand fra. Jeg er glad for at Fremskrittspartiet er alene om dette, men jeg setter et stort spørsmålstegn, med stor undring: Hvor er det blitt av det humanistiske Høyre, som lar henne få lov til å ture fram på denne måten og legge en premiss for den politiske diskusjonen som er helt feil? At statsministeren lever med det,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
Det er godt dokumentert at i krig og konflikter øker eksisterende diskriminering og overgrep mot kvinner og jenter. Det gjør det enda vanskeligere å få oppfylt kvinners mest grunnleggende menneskerettigheter. Vi ser f.eks. en økning i vold som kalles overlevelsessex, i menneskehandel og Overgrepene skjer ikke bare i land i krig eller uten styring, det skjer også på europeisk jord, under flukt. Det kan til og med skje på norsk jord når noen av disse kvinnene er for ubeskyttet i våre asylmottak, eller når de blir bosatt. Norske Kvinners Sanitetsforening rapporterte i høringen i Stortinget om hvordan de nå blir nektet adgang til om hvordan de nå blir nektet adgang til leirene der. Der mangler kvinnene vern mot overgrep. De får ikke gi kvinner livsviktig hjelp som prevensjon og annen helsehjelp. Det er svært alvorlig, og jeg forventer at regjeringen tar initiativ som gjør at hjelpeorganisasjonene kan få komme inn til disse kvinnene og gi dem elementær hjelp.

og sier at nå kommer det så mange, så vi kan ikke gjøre dette bedre. Jo, hvis vi skal lykkes med det vi snakket om i stad, er vi faktisk nødt til å hjelpe kvinner som har vært utsatt for dette, bedre enn i dag. De er nødt til å få bedre beskyttelse enn i dag. Vi ber regjeringen sikre at ankomstsentre, transittmottak og ordinære mottak må tilrettelegges for begge kjønn, og at det foretas en kartlegging for å avdekke de sårbare Vi ber dem også om å gjennomgå regelverk og praksis som sikrer retten til asyl ved kjønnsbasert forfølgelse. Historisk har det vært mange stygge historier rundt dette, og det er helt nødvendig at vi er helt sikre på at både regelverk og praksis følger dette. Så ber vi regjeringen prioritere gjenbosetting av flyktningkvinner som står i fare for å utsettes for vold, misbruk og utnyttelse. Det betyr at når man skal hente kvoteflyktninger, må dette være et viktig premiss. Det vi vet, er at i flyktningleirene er det knapt med mat, og at det knapt er skolegang til barna. Men det vi vet mangler helt, er sikkerhet og trygghet for kvinner som er alene. Mange kvinner blir jo alene fordi mennene flykter, og da er de ubeskyttet. Så dette er viktig. Vi ber også regjeringen ta initiativ til felles europeiske retningslinjer som sikrer trygghet og nødvendig hjelp til kvinner på flukt, også under midlertidige innkvarteringer. Jeg vil også takke utenrikskomiteen for de bidragene de har gitt til denne innstillingen. Det handler om ulike tiltak, bl.a. støtte til globale retningslinjer for humanitær innsats mot kjønnsbasert vold, og vi ber regjeringen styrke støtten til syriske kvinneorganisasjoner – både de som fortsatt befinner seg i Syria, og de som er utenfor Syria – og at disse må inkluderes i fredssamtaler og -forhandlinger. Det er veldig viktig for å få til en varig fred. Stortinget ber også regjeringen prioritere forebygging av kjønnsbasert vold ved humanitær innsats i Syria og nærområdene, at det er krav til å ivareta sikkerheten for utsatte grupper, herunder forebygging av seksuell trakassering. Det er svært viktig at regjeringen sikrer at kvinneperspektivet blir integrert og prioritert som en viktig del av bistanden, og at det stilles krav som ivaretar kvinners rettigheter. Det er også viktig at regjeringen nå følger opp og styrker arbeidet med rettighetsinformasjon til dem som får innvilget oppholdstillatelse, og dette bør skje i regi av kvinneorganisasjoner og i sivilt samfunn. Så her er det flere oppdrag som regjeringen bør følge opp raskt. Representanten Karin Andersen har tatt opp de forslagene hun har referert til. Jeg vil også takke Venstre for å ha fremmet et utrolig viktig forslag. Og jeg har lyst til å takke representanten Karin Andersen for veldig bra arbeid med saken i komiteen. Jeg synes representanten Karin Andersen hadde et så godt innlegg om innholdet i saken at jeg ikke har tenkt å holde et eget innlegg på vegne av Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet står sammen med SV i absolutt alt, med unntak av forslag nr. 6. Jeg synes også representanten Karin Andersen redegjorde godt for det som er vårt syn etter at saken var i forsvars- og utenrikskomiteen. Men det er én ting som jeg må få lov til å si fra denne talerstolen. Ved en som jeg må få lov til å si fra denne talerstolen. Ved en inkurie, eller muligens fordi alt går veldig fort for tiden, er det slik at vi skulle vært med på en merknad der en mener at Norge må være en pådriver i bekjempelsen av barneekteskap, og at den norske bistanden i nærområdene må være målrettet og bidra til å bedre sårbare gruppers kår. Den merknaden skulle vi vært med på under komitébehandlingen. Vi kunne i dag ha levert et

og mye er under arbeid. Sånn sett er en del av de forslagene som ligger her, i gang. Jenter er mer utsatt enn menn for både seksualisert vold, barneekteskap, menneskehandel og økonomisk sårbarhet. De har dårligere tilgang til utdanning, og i tillegg har de stor risiko for skader og dødsfall knyttet til svangerskap. Det er viktig å Svært mange er på flukt, spesielt på grunn av krigen i Syria. I forbindelse med mitt arbeid i Europarådet i fjor sommer besøkte jeg Italias største mottak, på Sicilia. Der var det ca. 1 900 menn og 100 kvinner. Det som gledet meg, var at man nettopp hadde kvinner. Det som gledet meg, var at man nettopp hadde jobbet med å beskytte kvinnene. De hadde separate boenheter, de spiste for seg selv, de hadde egen helsetjeneste, og det var spesiell oppfølging av gravide. Så noe positivt skjer. Norge bidrar internasjonalt med å fremme tiltak som er knyttet til kvinner på flukt, og vi deltar i internasjonale fora for å bekjempe vold i nære relasjoner. Dette arbeidet skjer både i dessverre ikke i EU, der vi ikke er med, men EU gjør også en stor innsats på dette området. Regjeringen har styrket innsatsen mot kjønnslemlestelse internasjonalt, og det er iverksatt en egen strategi mot kjønnslemlestelse for perioden 2014–2017, som styrker koblingen til innsatsen mot Norges internasjonale satsing på jenters utdanning har også stor betydning for å bekjempe barne- og tvangsekteskap. Norge er en del av den internasjonale alliansen Call to Action, som for tiden ledes av Sverige, og som går inn for at alle land skal forplikte seg til økt innsats mot kjønnsbasert og seksualisert vold i Vi støtter også revideringen av flere retningslinjer som FN jobber med i organisasjoner som jobber innen det humanitære feltet. Det syriske kvinnenettverket får også støtte fra Norge, og vi har gått inn for å gi midler til kontorer i Genève som driver med opplæring av Women’s Advisory Board, og sivilt samfunn som deltar i fredssamtaler. Slik sett gjør Norge en god del. Men jeg tror at man aldri egentlig kan få snakket nok om dette. Det er stadig et tema i Europa, og ikke minst jobbes det med kvinnealliansen mot voldelig ekstremisme, som ble opprettet med norsk støtte i fjor. Norge har en alliansen, som har flere syriske medlemmer og medlemsorganisasjoner, og det fokuseres sterkt på Syria. Det er et krav til samtlige organisasjoner som mottar norsk humanitær bistand, at de skal rapportere om hvordan kvinner som ligger under sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, blir fulgt opp gjennom planlegging og gjennomføring av innsatsen. Den internasjonale Røde Kors-komiteen lanserer årlig en appell for å bekjempe seksualisert vold. Sånn sett er det flere organisasjoner som jobber systematisk nettopp for å hindre overgrep mot kvinner og barn. er også viktig å understreke at behovet for bedre implementering av rettigheter knyttet til seksuell og reproduktiv helse blir ivaretatt. For Høyre er det viktig å understreke at flere av forslagene, som jeg nevnte tidlig i mitt innlegg, er fulgt opp. Noen av forslagene krever også større bevilgninger. Det er grunn til å merke seg at utenriks- og forsvarskomiteen i sin uttalelse peker på at det fremmes forslag med framtidige budsjettmessige konsekvenser på områder som ligger under deres ansvarsområde. Takk igjen til Venstre, som har fremmet dette forslaget. Dette er
en veldig viktig sak som dreier seg om hvordan vi kan ta vare på medmennesker som er på flukt, og på de svakeste blant dem. Vi i Fremskrittspartiet mener at det er nødvendig å se på en del strukturelle endringer for å få til bedre hjelp for og beskyttelse av kvinner og barn på flukt. Hvis vi ser på tallene og realitetene på dette feltet, viser det seg at i 2015 var 77 pst. av asylsøkerne til Norge menn. Dette er en regel som vi også ser i andre land, nemlig at kvinner blir igjen i nærområdene, mens menn søker asyl i Europa. Asylinstituttet hjelper dermed først og fremst menn, mens nødhjelp i nærområdene først og fremst hjelper kvinner og barn i nød. De mest målrettede tiltakene for hjelp til kvinner på flukt må derfor tas utenfor asylordningen. Både hjelp i nærområdene og FNs kvoteflyktningordning er langt bedre ordninger for hjelp til kvinner og barn enn asylinstituttet. Dagens asylinstitutt krever at asylsøkere setter foten på norsk eller europeisk jord for å søke asyl. Dette medfører at asylsøkere må gjennomføre en lang og farlig reise for å søke beskyttelse gjennom asylordningen. Ifølge FN er kvinner og barn meget utsatt under disse reisene. Overgrep og vold er dessverre relativt utbredt, spesielt overfor kvinner som reiser alene. Dette er en av hovedgrunnene til at Fremskrittspartiet over lang tid har sagt at det er ønskelig med en reform av asylordningen, slik at man benytter FNs kvoteflyktningordning. På den måten kan de som ikke har fysiske, psykiske og økonomiske ressurser til å reise halve verden rundt for å søke om beskyttelse, oppsøke hjelp og søke om beskyttelse i leirer i nærområdet. Dernest kan man selektere og ta ut mennesker etter det de ulike land har kapasitet til. Kvinner vil på denne måten slippe å legge ut på en livsfarlig reise til Europa, og det frigjøres enorme ressurser til hjelp i nærområdene og til FNs kvoteflyktningordning. I motsetning til asylordningen er kvoteflyktninger representative når det gjelder kvinner og barn. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har prioritert å hente hele familier som kvoteflyktninger og har en egen kvote for flyktninger med store medisinske behov. Det er som kjent 60 millioner medmennesker på flukt i verden i dag. Cirka 98 pst. av flyktninger med hjelpebehov befinner seg i nærområdene og søker ikke asyl i Europa eller andre steder. Blant dem som faktisk søker asyl, er det en stor overrepresentasjon av unge menn. Sverige alene bruker mer ressurser på 160 000 asylsøkere enn hva FN bruker på 60 millioner flyktninger i hele verden. Migrationsverkets anslag for direkte asylkostnader er på 61 mrd. svenske kroner for 2016, mens FNs høykommissær for flyktninger har i 2016 et budsjett på 56,3 mrd. kr. Det sier seg selv at med en så skjev prioritering med hensyn til hvor man bruker de store pengene kontra der hvor nøden og hjelpebehovet er størst, kan vi ikke nå Derfor er vi i Fremskrittspartiet glad for og stolte av at vi i regjering har vært med på å bevilge 10 mrd. kr over en fireårsperiode til syriske flyktninger, noe som er et rekordhøyt bidrag. Samtidig har regjeringen også ledet en giverlandskonferanse, der man har samlet inn ca. 12 mrd. dollar for verdens flyktninger. På den måten kan vi hjelpe flere medmennesker som er i nød, og som trenger beskyttelse. Situasjonen til kvinner på flukt er et av de viktigste argumentene for en fullstendig reform av asylinstituttet, og det håper jeg at flere og flere, både representanter og aktører på dette feltet, innser og bidrar til at vi får til så

Norge bør være et foregangsland i å sikre kvinner og unge jenter trygghet og beskyttelse når vi vet at de utsettes for mishandling, utnyttelse, seksuelle overgrep og vold under flukten til og gjennom Europa. UNHCR har kritisert europeiske land for å ha mislyktes i å få på plass adskilte fasiliteter som toalett, bad, og egne tilholdssteder for kvinner i mottaksområder og i transittleirer. Det har bl.a. blitt rapportert til Amnesty International om kvinner som er bekymret for egen sikkerhet, og som ikke føler seg trygge. Kvinner forteller at de har blitt utsatt for fysisk mishandling, økonomisk utnyttelse og seksuelle

Flere høringsinstanser har uttalt at norske mottak i for liten grad ivaretar kvinner som er blitt utsatt for kjønnsbasert vold. Vi snakker her om kvinner som har flyktet fra krig, og som har opplevd store påkjenninger som følge av det. På toppen av det kommer vonde opplevelser fra selve flukten. Vi vet at bomiljø påvirker Det fysiske miljøet kan bidra til å øke eller redusere risikoen for å utvikle psykiske problemer. Et godt bomiljø bidrar til å forebygge mentale helseproblemer. Det kan stimulere til aktivitet og bedre livskvalitet. Det er også viktig sett fra et integreringsperspektiv. Senterpartiet mener at enslige kvinner og unge jenter som bor på mottak, må få tilstrekkelig beskyttelse og god oppfølging. Senterpartiet vil derfor støtte forslagene som er fremmet av komiteens mindretall. Det gjelder forslaget om å øke bemanningen ved mottak, forslaget om å gjennomføre en vurdering av alle mottakssenter for å identifisere behov for ombygging for å sikre kvinner tilgang til trygge tilholdssteder, forslaget om å sikre langsiktig opplæring om kjønnsbasert vold for personale ved mottak,

I den forbindelse ønsker jeg å nevne at komiteen i sin innstilling til integreringsmeldingen ber regjeringen om å etablere uavhengige tilsynsordninger for asylmottaksdrift. Her vil jeg presisere at Senterpartiet mener at den type tilsyn godt kan være Fylkesmannens ansvar. Vi ønsker ikke ytterligere byråkratisering og etablering av egne tilsynsorganer. Når det er sagt, støtter vi et uavhengig tilsyn. Målet må være å ha mottak som gir beboerne et godt tilbud, slik at de kan føle seg ivaretatt og trygge. Når konflikter eller naturkatastrofer slår til, rammer det menn, gutter, kvinner og jenter på forskjellige måter. For eksempel bekrefter undersøkelser blant syriske flyktninger i Jordan at mannlige flyktninger er mer sårbare for utnytting i arbeidslivet, mens kvinner og jenter nevner seksualisert vold som en av sine største bekymringer. I tillegg rapporterer jenter og kvinner om risiko for menneskehandel, barneekteskap, økt risiko for skader og dødsfall knyttet til svangerskap, økonomisk sårbarhet og dårligere tilgang til utdanning. Amnesty har intervjuet en rekke kvinner fra Syria og Irak som har flyktet til Nord-Europa via Tyrkia, Hellas og land på Balkan. Kvinnene forteller om frykt, mishandling og seksuelle overgrep fra menneskesmuglere, grensevakter og andre flyktninger på sin ferd gjennom Europa. Aller

Norge har et særlig ansvar for kvinnene som kommer til Norge, men har også et betydelig ansvar som bistandsaktør og som deltaker i ulike internasjonale fora. Vi har en viktig stemme som må brukes til å tale sårbare jenters og kvinners sak. Norge bør også løfte fram kvinnene slik at de får anledning til å tale sin egen sak. Dette kan gjøres ved å sikre kvinnedeltakelse i fredssamtaler og forhandlinger i Syria og ved å styrke de kvinneorganisasjonene som allerede var etablert i Syria, og som i dag driver delvis innenfor og utenfor de syriske grensene. Kvinners deltakelse må etterlyses i alle fora, herunder også i giverlandskonferansene. Det er en stor utfordring å sikre rettigheter knyttet til seksuell og reproduktiv helse – spesielt i dagens situasjon, hvor trolig én av fem kvinner som er på flukt, er gravide, og hvor seksuelle overgrep er økende. Venstre deler flertallets understreking av behovet for bedre implementering av rettigheter knyttet til seksuell og reproduktiv helse. UNFPA estimerer at én av fem kvinner i fruktbar alder sannsynligvis blir gravid i krisesituasjoner. Videre mener vi at andre sårbare grupper, som barn og mennesker med LHBT-bakgrunn, også må være en del av fokuset i arbeidet mot seksualisert vold. Kjønnsbasert forfølgelse kan gi grunnlag for asyl, men retten til asyl er ikke verdt noe om det ikke følges opp i praksis. Derfor er det viktig at vi får en gjennomgang av regelverk og praksis for å sikre retten til asyl ved kjønnsbasert forfølgelse. Det er helt avgjørende at de som er utsatt, blir identifisert, og at de blir trodd. Det er også viktig å prioritere forebygging av kjønnsbasert vold gjennom den humanitære innsatsen i Syria-konflikten. Som en betydelig bistandsaktør har Norge her et særlig ansvar for å ta sin del av ansvaret og gå foran som et godt eksempel for Her hjemme har vi et særlig ansvar for å sikre at jenter og kvinner som kommer hit, blir tatt imot og fulgt opp på en forsvarlig måte. Venstre er positiv til å etablere en mekanisme for tidlig identifisering og kartlegging av sårbare i asylprosessen. Videre har mottakene et betydelig ansvar for å tilrettelegge for de beboerne de til enhver tid har. Ankomstsentre, transittmottak og ordinære mottak skal være tilrettelagt for begge kjønn, og myndighetene har ansvar for å følge opp gjennom tilsyn og kontroll. Det er et sterkt engasjement for kvinner på flukt, og jeg vil spesielt takke organisasjoner som Norske Kvinners Sanitetsforening, Fokus, Care Norge, Amnesty, Sex og Politikk og MiRA, ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, for gode innspill underveis, men også for at de har et engasjement for kvinner på flukt. Til slutt vil jeg takke saksordføreren for et godt arbeid med forslaget. Venstre støtter intensjonene i flere av mindretallets forslag, men dette er forslag som vi må vurdere i forbindelse med budsjettet. Jeg er imidlertid glad for at vi i dag får flertall for våre ti tiltak for kvinner på flukt, og at Stortinget viser vilje til å ta utfordringene på alvor. Med dagens vedtak styrker vi innsatsen for flyktningkvinner og -jenter her hjemme, underveis på deres flukt og ikke minst i nærområdene. Det er behov for en omfattende og helhetlig innsats på dette området, og jeg mener at Stortinget i dag ber regjerningen om nettopp å følge opp det. Det er

bl.a. vold og seksuelle overgrep. Det var en stor overvekt av menn som kom til Europa i fjor, og menn er også i flertall i år. Det er f.eks. få jenter blant de enslige mindreårige, men de som til gjengjeld reiser, er mer utsatt enn guttene. Jenter kan også være ofre på andre måter. Det forekommer at jenter blir solgt til eldre menn som ektefeller for å finansiere reisen for en bror som familien ønsker å sende til Europa. Menneskesmuglerindustrien bryr seg ikke om mennesker, de bryr seg bare om penger. Derfor kan de som reiser, og i særdeleshet kvinner, utnyttes på mange måter i løpet av reisen til Europa. Derfor er det også viktig å jobbe for å gjøre det mindre attraktivt å reise til Europa, i hendene på menneskesmuglere. Regjeringen mener det viktigste Norge kan gjøre, er å gjøre mest mulig der vi kan hjelpe flest, nemlig i nærområdene til krig og konflikt. Norge er blant de største bidragsyterne til å styrke organ og organisasjoner som jobber med kvinners situasjon, og vi støtter allerede de initiativene og retningslinjene som komiteen foreslår at vi skal støtte. Vi har økt innsatsen for ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold ved å styrke den humanitære innsatsen i Syria og i nærområdene. Alle organisasjoner som skal motta støtte, må ivareta kvinnehensynene. Vi har ikke ubegrenset med midler, og de må anvendes på best mulig måte. Dermed må vi se det helhetlige bildet når vi prioriterer. Gjennom EØS-midlene bidrar også regjeringen til å styrke arbeidet for kvinner og andre flyktninggrupper i Europa. Mottak i Norge er tilrettelagt for begge kjønn. Hoveddelen av kvinner som søker asyl i Norge, kommer sammen med mann og barn, og det er naturlig at disse bor sammen. Det er nødvendig med skjermede boforhold for kvinner som kommer alene eller i følge med barn. Dette stiller vi krav om i dag. Den store tilstrømningen i fjor gjorde oss også oppmerksom på et annet fenomen som vi må være årvåkne på framover. Barneekteskap forekommer, og det er mye som tyder på at omfanget av dette øker. Noen familier selger døtre for å kunne finansiere turen til Europa. Det jobbes med å styrke arbeidet for å avdekke tilfeller av dette, slik at barn som utsettes for slike overgrep i Norge, får hjelp så raskt som mulig. Vold og trakassering i asylmottak er uakseptabelt. Kvinner som har flyktet fra krig og konflikt, skal oppleve trygghet når de kommer til Norge og får tilbud om å bo på asylmottak. Det er utrolig viktig at vi er oppmerksomme på at kvinner kan bli utsatt for overgrep også på asylmottak, og at vi gjennom det arbeidet som gjøres, bidrar til å forebygge og forhindre dette. Jeg er glad for at Stortinget slutter seg til regjeringens forslag om 50 timer norsk og kultur og samfunnskunnskap når man ankommer Norge. Dette vil informere tydelig om hvilke regler og verdier vi legger til grunn all den tid man befinner seg i Norge. Regjeringen har dessuten foreslått å styrke det voldsforebyggende arbeidet i mottak gjennom bruk av dialoggrupper med 12,4 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett i år. Dette vil informere tydelig om at bruk av vold mot kvinner og barn ikke er akseptert og faktisk er ulovlig. Norge har et godt hjelpeapparat som skal ivareta voldsutsatte kvinner. Krisesentrene er et lavterskeltilbud uavhengig av oppholdsstatus. Det er viktig at vi kontinuerlig informerer om hvilke hjelpeapparat som er tilgjengelige, og sørger for at de som blir utsatt for vold og trakassering, vet at det finnes et godt tilbud som ønsker å hjelpe dem. Dyktige mottaksansatte med god opplæring er noe av det mest grunnleggende vi kan ha for å bedre situasjonen for utsatte kvinner. De gjør en svært viktig jobb, og jeg vil takke for den innsatsen de UDI har de seneste årene satt i gang en rekke opplæringsløp for å bedre kunnskapen om vold mot kvinner, og hvordan man gir dem best mulig bistand. Det er viktig at ansatte kjenner til hvilke tegn de bør se etter, hvordan de skal informere, og hvilke hjelpeapparat som står klar til å bistå. Det er tydelige retningslinjer og skriftlige krav til hvordan det skal følges opp dersom det er mistanke om at beboere er utsatt for vold. Jeg mener Norge gjør mye for å sikre et godt tilbud til og støtte opp om om kvinner på flukt, men vi skal ikke hvile på våre laurbær. Det blir replikkordskifte. Jeg er

og samtidig sier man at man skal bare hente hit flyktningfamilier som er samlet. Det betyr at mange av disse kvinnene, som er blant de mest sårbare, blir sittende igjen, fordi familier blir splittet og kommer fra hverandre i krig, det er jo det som skjer. Man vet kanskje ikke hvor resten av familien er hen. Regjeringens retningslinjer er slik at disse skal man ikke hente, for det er ikke en samlet familie. Hvordan henger dette sammen? Når det gjelder uttak av flykninger, vil man i stor grad hente familier som har behov for beskyttelse til Norge. Men var spørsmålet knyttet til familiegjenforening, var det det? Nei, det var gjenbosetting. Man har laget noen retningslinjer for hvem man skal hjelpe til Norge, hvem man skal ta ut, og i det

de land som man skal hente folk ifra i år, i stor grad Tyrkia, Jordan og Libanon. Det arbeidet går sin gang. Så er det selvfølgelig mulig å se på framover om man skal gjøre endring på det, om man skal hente andre typer personer, f.eks. har man en egen kvote for som har økt til 60 personer i året, en betydelig økning under denne regjeringen. Det er selvfølgelig ting man kan se på. Jeg må nesten følge opp dette, fordi det blir sagt her fra representanten Keshvari, men også i regjeringens egne retningslinjer, at man ved gjenbosetting skal prioritere familier som er Nå sier statsråden at dette kan man vurdere å endre på. Stortinget ber i dag regjeringen prioritere gjenbosetting av flyktningkvinner som står i fare for å utsettes for vold, misbruk og utnyttelse. Og det gjør jo de aller fleste, dessverre, som bor i flyktningleirer, fordi det mangler sikkerhet der. Betyr det at disse retningslinjene, at kravet om at familiene må være samlet ikke lenger skal være gyldig? Det er jo det Stortinget nå ber om. Vi vil følge opp de flertallsvedtakene som er fattet i Stortinget, og gjøre de vurderingene

Med litt kunnskap om hvordan disse samfunnene er organisert, vet vi at når ti mennesker dør i en bombe på en markedsplass, betyr det oftest at det er ti familiefedre som går med. Det er de som kjører drosjene, de som er på handelsplassene, de som gjør aktiviteten som foregår ute. Det betyr at katastrofen er helt enorm for de familiene som da opplever at den ene omsorgspersonen i en krigssituasjon faktisk mister livet. Når vi får den nyheten, har det ringvirkninger for mange kvinner i disse landene. Jeg har jobbet mye med dette feltet og snakket med mange kvinner som har flyktet alene. Sjøl om ikke alle orker å fortelle så mye, ser man mye i blikket til folk om hva de egentlig har vært gjennom. Det å flykte som kvinne for å komme seg til Europa er en ganske farefull ferd. Det er ikke så rart at det er familiefedrene som flykter i håp om å få familien etter, for det å ha med familien på flukt og det å flykte for kvinner alene er en ekstremt farlig situasjon å være i.

imot dem som faktisk skal være her. Skal de ha en god start i Norge, må vi huske på hvilken ballast de faktisk har. De som trenger beskyttelse i Norge og skal være i Norge, må vi også ta høyde for at har en ballast de skal klare å leve med. Da må vi gi dem en «backing» som gjør at de klarer å være godt fungerende og bidra til samfunnet sjøl om de har den ballasten med seg. Det var tankegangen vår da vi fremmet forslaget: at vi må ta på alvor, både internasjonalt og for dem som skal være i Norge, at det er mange her som har fæle opplevelser bak seg. Så skylder vi i alt vi gjør internasjonalt, å ha kvinneperspektivet med, slik at når vi støtter arbeid i flyktningleirer, har arbeidet det kvinnefokuset som gjør at de har den sikkerheten de trenger i sin samtid. Jeg vil takke representanten

fordi de har blitt voldtatt og dermed er urene på en eller annen måte. Så brutalt er dette. Det blir brukt bevisst også fra myndigheter noen steder. Jeg ber statsråden huske på dette når hun forteller om alle dem som flykter fra afrikanske land, som ikke er ordentlige flyktninger. Noen av dem har vært utsatt for dette. Noen av dem er jenter, noen av dem er også gutter. gutter. De blir utsatt for dette. Dette er hva f.eks. Boko Haram holder på med, i Nigeria og i områdene der. Så vil jeg ta opp et veldig alvorlig forhold, nemlig at Norge bruker Dublin-konvensjonen til å returnere mennesker som har vært utsatt for grov menneskehandel, til andre Dublin-land istedenfor å ta vare på dem sjøl. Yasmin-saken, som vi har tatt opp i denne innstillingen, er et eksempel på det. Den har gått helt til Høyesterett, og det er helt riktig at Norge ikke har blitt dømt der, fordi vi har Dublin-konvensjonen. Yasmin har altså blitt utsatt for menneskehandel og tvangsprostitusjon siden hun var ti og ble foreldreløs, hun har vært tvangsprostituert i 15 land og klarte å slippe unna her i Norge. Men fordi hun har et stempel fra Ungarn i passet sitt, velger altså Norge å si at nei, vi skal ikke ta ansvaret for deg. Det opprører meg noe så grusomt at vi er i stand til det, og så står vi og snakker om at vi er imot menneskehandel og skal ta vare på disse kvinnene, osv. Vi vet jo at hun i Ungarn får opphold og «that’s it». Det er ikke ett menneske som kommer til å løfte en finger for henne der, kanskje bortsett fra dem som har lyst til å rekruttere henne inn igjen i tvangsprostitusjon, for det er vel den muligheten hun har når hun blir sendt dit. Derfor fremmer vi et forslag om at regjeringen må endre praksis slik at Norge i minst mulig grad bruker Dublin-avtalens returmuligheter i saker med grov menneskehandel. Jeg er litt sjokkert over at det fremdeles bare er SV som står bak dette forslaget.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

statleg tariffområde. Eg skal kort gjera greie for tilrådinga frå komiteen, som går på at me føreslår å setja av 1,4 mrd. kr i statsbudsjettet i tillegg til ei rekkje andre postar som går på m.a. kompetanseutvikling, opplæring og utviklingsmidlar, som er gjort greie for i innstillinga. I tillegg tilrår komiteen at ein godkjenner avtalen som er inngått med Akademikerne gjennom protokoll av 1. mai 2016, og at ein òg legg til grunn avtalen i Riksmeklaren si møtebok av 26. mai 2016 med dei tre andre organisasjonane, LO Stat, Unio og YS Stat. Vidare tilrår komiteen at dei som ikkje er organiserte i nokon av dei fire organisasjonane, òg vil få løns- og arbeidsvilkåra sine i samsvar med det Riksmeklaren har lagt til grunn i møteboka si for dei. Så seier komiteen òg, i punkt V, at Kongen på vegner av staten kan bringa inn tvistar i samband med tariffoppgjeret, og i punkt VI gjev ein ei generell fullmakt til å gjera fordelingar på dei andre departementa sine område. Så langt er saka behandla på lik linje med dei andre åra då dette ikkje har kravd nokon stor debatt og omtale frå denne talarstolen. Denne gongen er det ein merknad frå partia Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet – som eg reknar med dei sjølv vil gjera greie for etterpå – som peikar på neste forhandlingsrunde, då dei til det som skal skje frå 2018 av. Hovudessensen, som dei sjølv nok vil gjera greie for, er at det bør vera likelydande avtalar mellom alle organisasjonane. Framstegspartiet og Høgre har med bakgrunn i den merknaden kome med ein merknad som understrekar at avtalane frå denne perioden, 2016–2018, i all hovudsak er likelydande. Det er ein ulik del lønsmidlar til

ein primært ønskte likelydande avtalar, men at det var einigheit om at det var mogleg å inngå ulike avtalar, og at me difor ikkje har nokon problem med at det er gjort. Det er viktig å understreka at moglegheita for ulike avtalar mellom dei fire partane er ein konsekvens av avtalefridomen mellom partane i arbeidslivet, som me synest det er viktig at skal vera der.

på vegne av Arbeiderpartiet – å referere til den merknaden som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti står inne med. Det har vært spesielt å se på dette lønnsoppgjøret utenfra. Som det framkommer av merknaden, har Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet etter komitébehandlingen merket seg at forhandlingsløsningene mellom staten, LO Stat, Unio, YS staten, LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne for første gang har ført til at staten har inngått hovedtariffavtaler med partene med ulikt innhold. Det som helt åpenbart har skapt størst avstand, er regjeringens ønske om å innføre et nytt lønns- og forhandlingssystem. Staten har tidligere inngått fire likelydende hovedtariffavtaler med hovedsammenslutningene, som også har blitt gjeldende for de uorganiserte. I årets oppgjør har staten inngått to ulikelydende tariffavtaler,

vi må få påpeke at det er spesielt når man helt siden 1991, da man hadde hatt en grundig vurdering av og utredning av lønns- og forhandlingssystemet, har bygget en enighet rundt prinsippet som ble nedsatt da, og som har gjeldt helt fram til nå. Stortinget har ikke fått noe varsel om at vi nå sto foran en vesentlig omlegging av lønns- og forhandlingssystemet, og Stortinget har heller ikke gitt uttrykk for at en ønsket en sånn omlegging som vi nå er i ferd med å Denne endringen bærer preg av mangel på utredning og konsekvensvurderinger av det som nå skjer, og vi mener at en sånn omlegging legger et press på Stortinget til å akseptere både premissene og prosessen. Dette mener vi er uakseptabelt. Konsekvensen er at det nå er to ulikelydende hovedtariffavtaler, som åpenbart vil være kompliserende Det vil også innebære et effektivitetstap for staten. Det står i motsetning til regjeringens mål om å forenkle og modernisere, og da vil årets oppgjør også medføre mer byråkrati. Nå vil betydelige lønnsmidler bli overført fra sentralt samordnet lønnsoppgjør til lokalt plan. Vi mener at Stortinget burde vært forelagt en utredning av konsekvensene for streikeretten når mer av lønnsandelen blir flyttet fra sentral- til lokalplanet.

brudd på prinsippet om lik lønn for likt arbeid – et prinsipp som Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet setter høyt. Vi mener at årets lønnsregulering må bli et unntak, og at en må komme tilbake til en praksis der resultatet blir likelydende avtaler for alle arbeidstakere i staten, uavhengig av organisasjonstilknytning. Derfor fremmer vi et forslag, som jeg herved tar opp. Representanten Eirin Sund har tatt opp det forslaget

Avtalen med Akademikerne har et likt prosenttillegg på lønnstabellen tilsvarende 0,5 pst., mens avtalene med LO Stat, Unio og YS har et likt prosenttillegg på lønnstabellen med 1,15 pst. Akademikerne skal fordele 2,3 pst. lønnsøkning gjennom lokale forhandlinger, mens de andre skal fordele 1,5 pst. gjennom lokale forhandlinger. For uorganiserte arbeidstakere i staten vil tariffavtalen mellom LO Stat, Unio og YS bli gjort gjeldende. Konsekvensen av årets lønnsoppgjør i statlig sektor er at det blir ulike lønnstabeller for ansatte i samme virksomhet. Det vil skape både praktiske og prinsipielle utfordringer. Statens lønns- og forhandlingssystem endres ikke ofte og særlig ikke med så store konsekvenser som årets avtale legger opp til. Fra 1991 har en basert forhandlingene på samme prinsipper og da etter en grundig utredning gjennom en offentlig utredning og redegjørelse for Stortinget. I forkant av årets oppgjør har det ikke skjedd en tilsvarende utredning og debatt om behovet for omlegging. Vi har i våre merknader til oppgjøret sagt at denne mangelen på forarbeid må oppfattes som et press på Stortinget for å

Årets statsoppgjør står i konflikt med regjeringens uttalte mål om å forenkle og modernisere lønns- og forhandlingssystemet. Tvert imot ender vi opp med økt byråkrati. I en fellesmerknad står Senterpartiet sammen med Arbeiderpartiet og SV SV i å peke på at regjeringens opptreden i årets statsoppgjør har brutt med sentrale prinsipp som fram til nå er lagt til grunn for et helhetlig lønns- og forhandlingssystem i staten. Vi mener dette er uheldig. Jeg ser at komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet bagatelliserer utfordringene ulikhetene i Det vises til at ulikelydende avtaler er en konsekvens av avtalefriheten mellom partene i arbeidslivet. Ja, det er flere parter på arbeidstakersiden, men det er én på arbeidsgiversiden – staten. Det er denne partens ansvar for å ivareta hensynet til prinsipper som har ligget fast gjennom flere tiår, vi etterlyser. Senterpartiet står sammen med Arbeiderpartiet og SV om et forslag som legger føringer for regjeringens forberedelser av neste revisjon av hovedtariffavtalen. Vi mener Stortinget skal be regjeringen gjennomføre forhandlingene om neste revisjon av hovedtariffavtalen slik at resultatet blir at vi igjen får fire likelydende hovedtariffavtaler.

og regjeringen vil videreutvikle samarbeidet. Det er nødvendig at rammen for de statlige tariffoppgjørene legges av de sentrale partene for å bidra til en ansvarlig lønnsutvikling som trygger arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. I lys av de krevende omstillingene vi nå står overfor i norsk økonomi, er det spesielt viktig at årets oppgjør er fastsatt i tråd med frontfagets ramme Når rammen for lønnsutviklingen er satt, er det imidlertid et klart ønske fra de statlige virksomhetene at de har frihet til å fordele lønnsmidlene i samarbeid med lokale tillitsvalgte. Vi har mange og svært ulike arbeidsplasser i staten – fra kriminalomsorgen i Kristiansand til Universitetet i Oslo og skattekontoret i Hammerfest. Disse ulike arbeidsplassene har forskjellige utfordringer og muligheter. Ved å gi dem et større handlingsrom for lokale forhandlinger gis virksomhetene også bedre muligheter for å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere. Vi har tillit til at de lokale arbeidsgiverne og tillitsvalgte kan finne gode løsninger for en rimelig og rettferdig fordeling av lønnsmidlene. De kan benytte ulike virkemidler for å få dette til, både justeringer for alle, justeringer for grupper og justeringer for enkeltpersoner. Målet, et større lokalt handlingsrom for virksomhetene, ble varslet i Stortinget i Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2015. Dette ligger dessuten klart innenfor den fullmakten regjeringen har til å forhandle lønns- og arbeidsvilkår på vegne av staten. Det er lang tradisjon for å respektere at lønnsforhandlingene er partenes ansvar. Statens ønske om en modernisering av lønns- og tariffsystemet ble også varslet i Stortinget i samme sak, og det har over lang tid vært et samarbeid med partene om ulike moderniseringstiltak. Et mer fleksibelt og mindre rigid system vil også gi de statlige virksomhetene bedre rom for å skaffe kompetente medarbeidere. Det er heldigvis organisasjons- og forhandlingsfrihet i Norge. Det betyr at arbeidstakerne står fritt til å organisere seg i ulike forbund, som igjen står fritt til å fremforhandle avtaler på vegne av sine medlemmer. Vi har mange eksempler på Vi har mange eksempler på ulike avtaler for ulike organisasjoner i arbeidslivet, herunder i de statlige virksomhetene. I kommunesektoren har enkelte ansatte et eget kapittel i avtalen som innebærer at lønnsrammen kun kan forhandles lokalt. I Forsvaret har noen ansatte hovedtariffavtalen for staten, mens bl.a. medlemmer fra LOs forbund Fellesforbundet er parter i en egen avtale, den såkalte Verkstedsoverenskomsten. Staten har også før årets hovedoppgjør vært åpen om at det er mulig å inngå ulike avtaler med de ulike partene. Når medlemmene i arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne takket ja til statens tilbud om en større lønnspott til lokal fordeling, var det derfor naturlig at vi inngikk en avtale med dem om dette. Med denne avtalen ble det avsatt om lag 2,3 pst. per dato av lønnsmassen til lokal fordeling. I avtalen med Unio Stat, YS Stat og LO Stat er det avsatt om lag 1,5 pst. per dato av For øvrig er avtalene i all hovedsak like når det gjelder sosiale og økonomiske vilkår. Det er også enighet om at alle partene må fortsette arbeidet med modernisering av lønns- og avtalesystemet. Selv om det ikke er noen forenkling å ha to lønnstabeller, er det definitivt en fornyelse og en betydelig forbedring at vi nå har fått på plass avtaler som gir de enkelte virksomhetene større handlingsrom for å drive lønnspolitikk som er tilpasset deres behov. Vi har også tatt et godt skritt på veien videre i å modernisere lønns- og forhandlingssystemet sammen med partene. Jeg er glad for at komiteens flertall slutter seg til forslaget som regjeringen har fremlagt, i tråd med de avtalene partene har inngått. Det blir replikkordskifte. Nå er

Og når praksis og struktur blir endret i en praksis og en struktur som har ligget fast siden 1991 med bakgrunn i en stor utredning som da ble gjort, lurer jeg på om statsråden kan svare på om han har fått innsikt i de konsekvensene dette vil kunne få, både når det gjelder lik lønn for likt arbeid og også dette som jeg vet statsråden og regjeringen er opptatt av: forenkling og modernisering. Ser han ikke at dette vil kunne

Hammerfest. Derfor ønsker vi å gi virksomhetene større handlingsrom – det er også deres ønske. Vi har varslet Stortinget. I Prop. 1 S for 2014–2015 varslet regjeringen at den ville ha særlig oppmerksomhet på videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet i staten, slik at mer makt og større ansvar blir lagt til de lokale partene. I Prop. 1 S for 2015–2016 varslet regjeringen at den sentrale arbeidsgiverpolitikken de kommende år vil ha særlig oppmerksomhet på videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet i staten. – Så Stortinget er varslet. Stortinget er varslet, som statsråden har sagt, på den måten. Men Stortinget har

som er ulike. Altså – det er ulik lønn for likt arbeid fordi en er medlem av ulike fagorganisasjoner. Det er kjernen i saken: En får ulik lønn fordi en er medlem i ulike fagorganisasjoner! Når har en hatt det i staten tidligere?

to avtaler, endrer ikke de prinsippene vi er enige om, nemlig at det skal være likelønn i tråd med likestillingslovens krav. Som statsråden sa, gjelder det 150 000 ansatte. Det gjelder brutto årslønn for LO Stat, Unio og YS Stat – hvor det er en avtale – kontra brutto årslønn for Det er to ulike avtaler. Mitt spørsmål er: Når har de gruppene hatt ulike avtaler fordi de er medlem i ulike fagorganisasjoner? Jeg viste til at i Forsvaret har noen ansatte hovedtariffavtalen i staten, mens andre, har en egen avtale, den såkalte Verkstedsoverenskomsten. Denne regjeringen har tillit til at de statlige virksomhetene i samarbeid med de lokale tillitsvalgte kan finne gode løsninger. Vi har tillit til at de vil bruke dette på en slik måte at man kan rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere. Vi må også ha et lønns- og forhandlingssystem som ivaretar det mangfoldet av statlige virksomheter vi har. I respekt for Stortinget er det greit at statsråden sier at han ikke vil svare – det hadde vært realt. Men jeg skal ikke følge det opp. Statsråden ønsker ikke å svare på spørsmålet mitt, for han har ikke noe svar på det. Det har ikke tidligere vært slik at det er fagforeningstilknytningen i staten som har avgjort hvilken lønn en skal ha. Statsråden sa videre at han har varslet Stortinget om

pressemelding av 30. mai opererer med to lønnstabeller, avhengig av hvilken organisasjon en er medlem i. Når har staten, ved ministeren, hatt tilsvarende forskjell avhengig av hvilken organisasjon en er organisert i?

avtaler som innebærer to lønnstabeller. Organisasjonene representerer ulike interesser. Det er jo derfor det er ulike organisasjoner. Staten må da ta stilling til om det at organisasjonene representerer forskjellige interesser, til slutt skal føre til at organisasjonene får ulike avtaler som innebærer ulike lønnstabeller. Hittil har trepartssamarbeidet og den norske modellen vært forstått sånn at det var vesentlig for staten å sikre like lønnstabeller innenfor statens virksomhet. Det er det som forlates nå. Når en tidligere har gått inn på endringer i systemet, har det – som flere har vært inne på – skjedd som resultat av utredninger. utredninger. Den siste var NOU 1990:32 om statens lønnskomité av 1988, nedsatt ved kongelig resolusjon, sammensatt med parter og ulike interessegrupper og akademikere, sendt ut på høringer for å få vurderinger. Det har regjeringa forlatt – på dette området som på flere andre områder. Regjeringa innfører en ny praksis. Utredningsinstruks – som i andre sammenhenger blir sett på som vesentlig, slik at en skal ha oversikt over hva som er konsekvensene av nye vedtak – det tas ikke så høytidelig lenger. Det er ulike former for ekspertutvalg som nå skal forme innholdet i politikken, ekspertutvalg som settes sammen av regjeringas betrodde menn og kvinner og i altfor stor grad er ensidig oppnevnt. I dag har det altså ikke vært noe åpent forarbeid for det som skjer, og når statsråden sier «modernisering», er jo det noe alle er for – at en skal modernisere. Men det og det å ha to ulike lønnstabeller er to forskjellige ting. Det er helt opplagt at dette vil føre til økt byråkrati. Det er også helt opplagt at når en fører mer av lønnsdannelsen ned på lokalnivå, har det konsekvenser for innholdet i streikeretten. Saken burde absolutt ha vært Derfor har opposisjonen, ved Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, en sterk merknad med et klart forslag. Det forslaget ligger fra vår side som grunnlag for neste års forhandlinger – og om det foregår på samme måten, så blir det i hvert fall endring etter valget neste gang.

til saksordfører og komiteens leder

Stortinget. Det er det vi gjør i denne innstillingen. Jeg skal kort knytte noen få kommentarer til det som er en enstemmig innstilling fra komiteen, for komiteen har heller ikke denne gangen – og jeg sier: heller ikke denne gangen – noe å bemerke til protokollene. Komiteen har merket seg at det ikke har vært noen dissenser i regjeringen i den aktuelle perioden. protokollene. Komiteen har merket seg at det ikke har vært noen dissenser i regjeringen i den aktuelle perioden. Benådningssakene i perioden fra 1. juli til 31. desember 2015 har heller ikke har avstedkommet noen merknader fra komiteen. Departementene oversender rutinemessig utvidede søkerlister, der det gis opplysninger om samtlige søkere, inkludert dem som har fått sitt navn unntatt offentlighet. Komiteen konstaterer at departementene har oversendt tilstrekkelig dokumentasjon, og har ingen merknader til embetsutnevnelsene i perioden. Forskrifter som er fastsatt, endret eller opphevet av Kongen i statsråd, inngår som en del av komiteens halvårlige gjennomgang. Komiteen har heller ikke her noen merknader og har i denne omgang ikke funnet grunnlag for å be Stortingets utredningsseksjon om å gjennomgå noen av de utvalgte forskriftene. Kort oppsummert kan jeg si at komiteen har ingenting å bemerke, og jeg framlegger med dette komiteens enstemmige innstilling om gjennomgangen av statsrådets protokoller for perioden 1. juli til 31. desember 2015. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Presidenten vil foreslå at sakene nr. 5 og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

og eit fleirtal i komiteen seier at det er ein grunnleggjande føresetnad at oppdraget vert respektert av myndigheitene. Så vil eg bruke litt tid på førebyggingseininga mot tortur og umenneskeleg behandling ved fridomskrenking, som jo er ny – berre ca. to år

og som òg vert spesielt nemnt i komiteens merknader. Tvangsbruk er utan tvil svært inngripande, og det er fleire problem, eller utfordringar, knytte til det. For det første brukar ein ofte fare for sjølvskading og sjølvmord som ei grunngjeving for tvangsbruk, samtidig som det kjem fram at tvangsbruk i seg sjølv kan auke faren for det same, noko eg trur kanskje ikkje i tilstrekkeleg grad har kome fram i diskusjonane rundt det. òg vist til eksempel på tvangsbruk som ikkje treng vere til beste for den enkelte, og der ein påpeikar at det er manglande dokumentasjon for nødvendigheita av det. Vi trekkjer òg fram i merknadene helsepersonells rollekonflikter i møte med dette. Eg trur vi kan seie at det kanskje er det viktigaste enkeltforholdet – iallfall var det det eg klarast tok med meg. Eg vil òg kort nemne to andre forhold som er nemnde i meldinga og i merknadene. Det eine er at det så klart kjem fram at Trandum ikkje framstod som ein eigna stad for barn, gjennom merknadene. Det må ein kunne seie er ei utfordring, og komiteen merka seg at det er det naudsynt å få ein slutt på dersom det skal vere barn der. Det må vere ein eigna stad òg for dei, dersom det skal brukast til det. Så kommenterer komiteen at utfordringane knytte til korleis ein skal sikre at torturkonvensjonen vert oppretthalden dersom vi skal ha fangar i nederlandske fengsel, er uløyste, og at det må løysast og takast hand om, slik Stortinget tidlegare har føresett. Med desse merknadene vil eg berre avslutte og seie at det er i grove trekk ein samrøystes komité som står bak

saken og

bakteppet for at ein heldt eiga høyring i saka, og at vi har brukt ein del tid på ho. For det første er saka viktig fordi det er svært sjeldan at ei særskilt melding frå Sivilombodsmannen når Stortinget. Når Sivilombodsmannen sendte oss den særskilte meldinga, var det ifølgje han sjølv og embetet, som det kom fram i høyringa, fordi dei har oppfatta saka som så viktig at dei ville melde frå om ho. Det kom òg fram av det Sivilombodsmannen sa, at Sivilombodsmannen sa, at han nok hadde sendt den særskilte meldinga òg utan det direkte ønsket frå Stortinget om at ein godt kunne ta imot fleire særskilte meldingar. Den andre grunnen er at ikkje berre er sakene i meldinga viktige, men det er ei melding som handlar om sjølve fundamentet for

Ombudsmannen skal først og fremst virke gjennom sin sterke autoritet.» Eg understrekar det, for det viser at nettopp saka gjeld sjølve evna Sivilombodsmannen faktisk har til å utføre det mandatet som Stortinget – altså vi – har utstyrt han med. For det tredje gjeld dette to saker som er svært forskjellige. Den

Den andre saka er sjølvsagt svært viktig for dei involverte. Men ho har ingen store konsekvensar utover si eiga sak. Dermed skulle ein kunne seie at det nok vil vere lettare, med mindre konsekvensar, å følgje opp utsegnene frå Sivilombodsmannen. Men poenget er at sakene i sum er så ulike og dekkjer eit så breitt saksfelt, at

Men det er sjeldan slike saker hamnar i rettsapparatet. Som det kom fram under høyringa, er det veldig få som har ressursar til det. Dermed vil det i ein god del tilfelle vere slik at Sivilombodsmannen er den einaste reelle instansen for kontroll med forvaltninga. Så i sum meiner eg at desse fire momenta tydeleggjer at denne saka, utover det vanlege, er viktig, og at det var nødvendig med ei grundig behandling, noko som òg kjem fram i merknadene. Eg vil derfor ta for meg hovudmerknadene, som komiteen – det vil seie i dei fleste tilfella eit fleirtal – har stilt seg bak. Eg reknar med at mindretalet vil gjere greie for sitt syn. For det første seier fleirtalet – alle unnateke Høgre og Framstegspartiet – at det er særleg uheldig særleg uheldig om forvaltninga ikkje følgjer utsegnene til Sivilombodsmannen når det gjeld tolkinga av lover Stortinget har vedteke. Det same fleirtalet går vidare med å seie seg uroa over at «Kommunal- og moderniseringsdepartementet held fast på si lovtolking etter at Sivilombodsmannen har kome med sin uttale som tolkar loven annleis». Det er òg sånn at det same fleirtalet meiner at dersom handlemåten til departementet eigentleg uttrykkjer eit politisk ønske om å liberalisere bygginga i strandsona, er den riktige måten å gjere det på å endre lovverket, framfor å utfordre lovfortolkinga til Stortinget. Og ein reagerer på at departementet held fast på si lovforståing, sjølv etter at Sivilombodsmannen ved avsluttinga av saka

legg fram ein god nok argumentasjon i dei sakene som Sivilombodsmannen no varslar om. Med dette bakteppet er det at komiteen – denne gongen ein samla komité – gjer noko som nok er litt uvanleg i ein slik sak. Det er ikkje uvanleg at vi minner forvaltninga om at Sivilombodsmannen er tillitsmann for Stortinget, er litt uvanleg i ein slik sak. Det er ikkje uvanleg at vi minner forvaltninga om at Sivilombodsmannen er tillitsmann for Stortinget, og at det er ei grunnleggjande føresetnad at både klagaren og vedkomande forvaltningsstyresmakt vil føye seg etter ombodsmannen, men det er meir uvanleg at vi vel å fremje eit forslag til vedtak, som lyder: «Stortinget ber regjeringa i styringa av sentralforvaltninga ha som ein føresetnad at ein i alminnelegheit godtek og bøyer seg for oppfatninga til Sivilombodsmannen.» Eg er glad for at heile komiteen har valt å stille seg bak det forslaget, noko eg oppfattar som eit uttrykk for at komiteen i stort deler eit syn på Sivilombodsmannens viktige rolle, og forstår at det er svært viktig at alle delar av forvaltninga faktisk følgjer opp vedtak. Eg trur det har vore viktig å gjennomføre ein grundig prosess i denne saka og at eit fleirtal kjem med den klare kritikken som ein har i saka. Med det

vi for Arbeiderpartiets del støtter sterkt opp om Sivilombudsmannens alminnelige arbeid og den status som Sivilombudsmannen skal ha for at man kan utøve den forpliktelsen som man har med hensyn til det å følge opp den enkelte borgers rettigheter i forhold til forvaltningen. Det er en viktig del av vårt demokrati, og det er en viktig forutsetning for at den enkelte kan få ivaretatt sine juridiske – jeg vil si – faktiske samfunnsmessige rettigheter. Det var en alminnelig betraktning, men jeg har lyst til å si det veldig tydelig fordi det er en del av det hele. Så vil jeg bare vise til saksordførerens innlegg her, som var et veldig godt innlegg, og som på alle områder egentlig dekker det som er Arbeiderpartiets syn og mitt syn Noen betraktninger og refleksjoner er det allikevel nødvendig å komme med, synes jeg. Det er, som saksordføreren sa, veldig sjelden at Sivilombudsmannen fremmer slike særskilte meldinger. Jeg vil si det slik – og jeg ser at Sivilombudsmannen og hans folk er til stede her i Stortinget nå – at de nå hører at jeg synes at det er bra at de gjør det. Jeg synes i det hele tatt at bruke den rettigheten som de har, kanskje litt oftere også, i den forstand at vi da får opp en prinsipiell diskusjon som det ofte er litt vanskelig å få til i forbindelse med de alminnelige årsmeldingene som vi har til mer alminnelig og generell behandling. Derfor er det en oppmoding fra meg fordi det reiser viktige problemstillinger, og vi får opp de prinsipielle diskusjonene.

til å følge opp de synspunktene, retningene og oppfatningene som Sivilombudsmannen har. Men jeg er ikke helt sikker når det gjelder ett punkt, og jeg håper at denne debatten kan avklare akkurat dette punktet, for det er dette det egentlig handler om. I forbindelse med årsmeldingen var det én ting som vi ikke hadde nok oppmerksomhet på, og som jeg tror at representanten Tetzschner sikkert kan håndtere i innlegget etter meg, men men i innstillingen om årsmeldingen for 2015 går Høyre og Fremskrittspartiet ut av en merknad som lyder slik: «Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, understreker at det er en helt grunnleggende forutsetning for at dette oppdraget respekteres av myndighetene.» Altså: Man følger Sivilombudsmannen. Dette punktet er de ikke med på. Det er en liten nyanse i dette som er viktig å få oppklart, for det er her uenigheten egentlig går, og det er litt bemerkelsesverdig at særlig Høyre i disse sammenhengene plasserer seg litt på siden av forståelsen som ellers har bred tilslutning i Stortinget. Det er det dette handler om, og derfor er det viktig å få klarhet i hva som er regjeringspartienes syn på dette i disse sammenhenger. Det er, som det ble sagt fra saksordførerens side, også et veldig bredt saksfelt som presenteres i denne særskilte meldingen, og dokumenterer behovet for å få diskutert dette prinsipielt. Det er helt klart at vi kan ikke ha den situasjonen, som vi har i denne saken, at departementet ikke hører på Sivilombudsmannen som har en så veldig god dokumentasjon for sitt standpunkt. Det mener jeg veldig tydelig. Så Arbeiderpartiet for sin del støtter helt og fullt opp under forslaget, og jeg regner med at statsråden senere i denne debatten vil kommentere det, at det er nødvendig for Stortinget faktisk å vedta noe i denne saken for å markere tydelig hva som er Stortingets intensjon med Sivilombudsmannens autoritet. Det i seg selv vil være en veldig tydelig markering av hvor Stortinget står: Stortinget står bak

ikke at de lover som Stortinget har hjemlet Sivilombudsmannen i, og de forutsetninger som har ligget til grunn for hele instituttet, ikke lenger gjelder. Jeg vil utdype det litt nærmere. Det er nemlig slik at uansett hva vi som enkeltpersoner måtte mene om de enkelte sakene som har vært presentert i forbindelse med denne særskilte meldingen, er det fra Stortingets side en villet rettslig realitet at Stortinget ikke har ment å ville tillegge Sivilombudsmannen en bindende avgjørelseskompetanse. Det betyr at Sivilombudsmannen ikke kan overprøve eller ugyldiggjøre et ellers lovlig fattet vedtak. Det er han nødt til å leve med, selv om han ikke liker alle utslagene dette medfører. Begrunnelsen for innføringen av ombudsmannsordningen på forvaltningens område var at den skulle være et supplement til ordinær domstolsprøvelse. Den skulle være et billig, enkelt og forholdsvis raskt tilbud til enkeltpersoner som mente seg urimelig berørt av forvaltningsvedtak. Den forenklede saksbehandlingen hos Sivilombudsmannen er ikke alltid tilstrekkelig for å vurdere saken ut fra f.eks. relevante mothensyn, slik full kontradiksjon i en ordinær rettsbehandling kan tilby. Sivilombudsmannens funksjon viser sin særlige berettigelse der urimelighet overfor en konkret part blir påpekt – gjerne i møte med et overivrig byråkrati – og hvor en slik vurdering av en ekstern og respektert faglig instans fører til at det aktuelle forvaltningsledd innser relevansen og vekten av de argumenter som er tilført saken, og følgelig innretter seg etter uttalelsen fra Sivilombudsmannen. Det er den autoritet som Stortinget har forutsatt. Det er nemlig slik i vår tid at det er ingen som umiddelbart kan påberope seg å ha Den autoriteten man må ha, må man bygge opp ved faglig dybde og kunnskap. Det er den form for autoritet det siktes til, i hvert fall når vi i denne sammenhengen har henvist til den autoriteten. Det vil være selvmotsigende å si at det svekker Sivilombudsmannen fordi han blir motsagt. Hva slags autoritet er det? Det må være en veldig dårlig faglig begrunnet autoritet som ikke tåler litt motstand og mothensyn og motargumenter. Det er ikke stillingsautoriteten vi snakker om her, det er det faglige kunnskapstilfang som sakene får gjennom behandlingen hos Sivilombudsmannen. Jeg ser ikke bort ifra at det er mange ikke helt optimale forvaltningsavgjørelser som nettopp gjør en slik kritisk gjennomgang fra Sivilombudsmannen nødvendig og verdifull. Sivilombudsmannen har i sin melding under punkt 2 selv uttalt: «Sivilombudsmannens uttalelser er ikke juridisk bindende, og ombudsmannen kan heller ikke omgjøre avgjørelser truffet av forvaltningen. Stortinget har likevel forutsatt at forvaltningen retter seg etter uttalelser fra ombudsmannen.»

Det er derfor særlig uheldig dersom forvaltningen ikke følger ombudsmannens uttalelser om tolking av lover Stortinget har vedtatt. Dette undergraver ombudsmannens mulighet til å utføre sitt oppdrag og svekker den parlamentariske kontrollen av forvaltningen.» Da tror jeg kanskje man ved neste korrekturlesning bør se gjennom disse formuleringene en gang til. Stortinget bruker faktisk parlamentarismen til å kontrollere forvaltningen. Det er regjeringen som er toppen av forvaltningen, og det er den Stortinget eventuelt må rette sine krav og kontroll mot. Ellers ville vi fått det inn bakdøren. Særlig hvis det er slik at Stortinget sier at enkeltsaker som vi på denne måten indirekte får ta stilling til, skulle knyttes nærmere til en parlamentarisk kontroll. Da ville vi få noe vi ikke bør ønske oss i vår forfatning, nemlig en parlamentarisk kontrollinstans og dermed kort vei til partipolitikkens domene i løsningen av konkrete enkeltsaker. Stortingets største og fornemste oppgave er å utforme generelle rettsnormer, og så overlate til rettsapparatet og forvaltningen å utøve disse ut fra etablerte kriterier.

kan gjøre noe med som lovgiver. Ytterligere vil jeg peke på at det i saker er adgang til å medvirke til fri saksførsel, der saken kan bli fullt ut avklart i retten. Dette mener jeg bør være en særlig aktuell fremgangsmåte der to privatpersoners interesser konkurrerer, og hvor behovet for en riktig juridisk løsning er stort. Jeg har lyst til å understreke hvorfor jeg mener at en uavhengig domstolsbehandling er å foretrekke som løsningsmetode i slike saker. Det er fordi domstolene løser de sakene som blir forelagt dem, men uten å ha initiert dem. Man kan si at Sivilombudsmannen heller ikke initierer de sakene som blir forelagt, men han har en så vid utsilingsfullmakt at han i praksis kan velge de sakene han synes er spesielt interessante å forfølge. Da kan man komme i den situasjonen at det er Sivilombudsmannen som gjennom sitt utvalg velger den ene private partens side mot den andre og deretter fungerer som en representant for denne. Det gir ikke stor legitimitet for den av de private partene som taper, og som faktisk i henhold til våre spilleregler må avfinne seg med resultatet. Uten å gå inn sakens enkeltheter har det i har det i den særskilte meldingen vært vanskelig å få øye på den lille mannen som har lidd under et urimelig forvaltningsvedtak. Tvert imot, jeg har oppfattet det dit hen at den lille mann har fått byggetillatelse gitt av forvaltningen, og som kanskje saksbehandleren hos Sivilombudsmannen hvis han hadde vært ansatt i en kommune, ville ha nektet vedkommende. Hvis jeg skulle gi Sivilombudsmannen et råd – som han selvfølgelig står helt fritt til å følge – måtte det være å bruke særmeldingsadgangen til særlig å belyse nærmere kjerneområdet for Sivilombudsmannens oppgave, nemlig der systemlogikken i forvaltningen har medvirket til konkret urimelige resultater for enkeltmenneskene. Her ser det ut til – hvis jeg kan tillate meg den spissformuleringen – at det er systemlogikken og de ideelle interessene som har fått gjennomslag overfor de konkrete grunneierinteressene, det som oppleves på borgernivå. For øvrig skal jeg avrunde disse betraktninger med å henvise til vår statsskikk som er basert på maktfordelingsprinsippet. Det kunne like gjerne hete «maktoppdelingsprinsippet», slik at ingen instans skal bli overmektig. Det betyr at det er Stortinget som skal treffe vedtak om hvilke generelle rettsnormer som skal gjelde. Konkret rettsanvendelse legges til den forvaltning som er gitt hjemmel for dette, eller til domstolene. Det er denne tenkningen som ligger bak Stortingets valg om at uttalelser fra Sivilombudsmannen aldri har vært tenkt gjort rettslig bindende. Som en følge av dette kan det oppstå, og jeg vil legge til at det bør oppstå, situasjoner der et kompetent forvaltningsorgan som har truffet et gyldig vedtak, opprettholder sin lovforståelse, selv om Sivilombudsmannen har en annen. Til slutt: Jeg fikk noen utfordringer fra Jeg mener jeg har svart på dette med autoritet, at autoriteten ikke er stillingsautoriteten, men den faglige dybden Sivilombudsmannen kan tilføre en sak. Under henvisning til overveielsene som Stortinget gjorde da loven om Stortingets ombudsmann for forvaltningen ble vedtatt, vil jeg hevde at hvis Stortinget den gangen hadde sett for seg at det skulle være et én-til-én-forhold mellom ombudsmannens uttalelser og forvaltningens effektuering, ville vi ikke hatt noe ombudsmannsinstitutt. Da ville vi hatt en forvaltningsdomstol. Det har Stortinget uttrykkelig ikke gått inn på. Jeg presiserer for øvrig når det gjelder forslaget som er kommet fra en enstemmig komité hvor også vi står bak, at det er helt uproblematisk for oss å støtte det forslaget, fordi vi ser at forvaltningen i stor grad som oftest følger de rådene de får fra Sivilombudsmannen. Dessuten kommer et slikt vedtak ikke til å endre Sivilombudsmannens kompetanseområde eller arbeidsoppgaver. For øvrig vil jo forarbeidene som

Når vi mente det var riktig å invitere til høring om denne særskilte meldingen, var det for å belyse departementenes oppfølging av uttalelser fra Sivilombudsmannen. De to sakene som er omtalt i den meldingen, var også utgangspunktet for saken, og det var disse som aktualiserte problemstillingene. Tilnærmingen skal være prinsipiell og – etter vår oppfatning – knyttet til Sivilombudsmannens rolle og mandat, som er gitt av Stortinget. Stortinget. Når forvaltningen – heldigvis unntaksvis – ikke følger Sivilombudsmannens anbefaling, og når det leveres en særskilt melding til Stortinget, slik det nå er blitt gjort, så går vi inn i problemstillingene som saken aktualiserer, men altså uten å ta substansielt stilling til utfallet av saken om bygging i strandsonen eller i dispensasjonssaken. Det framgår også av våre merknader. Det er den prinsipielle tilnærmingen til hvordan Sivilombudsmannens tilrådinger følges opp, som etter vår mening er interessant. Det er viktig at komiteen og Stortinget har oppdatert kunnskap om Sivilombudsmannens rolle og departementenes forståelse av denne rollen. Det er Stortingets oppgave å se til at det mandatet ombudsmannen er gitt av Stortinget, også gjenspeiles i samspillet mellom ombudsmannen og departementene. Sivilombudsmannen skal, som Stortingets tillitsmann, bidra til at den offentlige forvaltningen ikke gjør urett mot enkeltmennesker. Sivilombudsmannen utfører derfor et veldig viktig kontrollarbeid for Stortinget. Under henvisning til sivilombudsmannsloven § 12 annet ledd har ombudsmannen nå i en særskilt melding orientert Stortinget om to saker der Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke har fulgt ombudsmannens uttalelser, og dermed heller ikke har fulgt Sivilombudsmannens lovtolkning. Sakene er av ulik karakter. Ombudsmannen viser til at de på hver sin måte likevel er av en slik art at han har funnet grunn til Han understreker at manglende oppfølging fra forvaltningen av Sivilombudsmannens uttalelser er svært uheldig og kan undergrave Sivilombudsmannens mulighet til å utføre sitt oppdrag og i neste omgang bidra til å svekke hans legitimitet. Kristelig Folkeparti har forståelse for dette synspunktet. Det er særlig uheldig dersom forvaltningen ikke følger ombudsmannens uttalelser om tolking av lover som Stortinget har vedtatt. Dette undergraver etter vår oppfatning den muligheten ombudsmannen har til å utføre sitt oppdrag, og svekker den parlamentariske kontrollen med forvaltningen. I løpet av relativt kort tid har det som sagt vært to saker hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke har fulgt ombudsmannens uttalelser. Det gjelder i en stor prinsipiell lovtolking, og det gjelder i en sak av En må derfor kunne spørre seg om departementet grunnleggende sett følger egne intensjoner om at man som hovedregel skal følge Sivilombudsmannens uttalelser, og om man yter Sivilombudsmannen den respekten som Stortinget har lagt til grunn for selve ordningen. Det er naturlig at dette spørsmålet stilles uten at man dermed går inn og tar stilling til de materielle sidene ved de to konkrete sakene.

Kristelig Folkeparti stiller seg derfor bak det forslaget til vedtak som fremmes i innstillingen, og viser ellers til saksordførerens grundige gjennomgang av saken.

og Arbeiderpartiet og utgjør flertallet i en rekke av de merknadene. Slik jeg også kommenterte under høringen, støtter vi i Venstre fullt opp om Sivilombudsmannen, hans rolle og uavhengighet. Vi mener det er en viktig del av vårt demokrati, og vi mener overhodet ikke det var upassende eller uriktig på noen som helst måte å bringe saken inn til slik de gjorde, slik vi lett kunne få inntrykk av at iallfall ett parti mente var problematisk. Vi har alle hatt tidligere liv før vi ble politikere, og som advokat hadde jeg også stor glede av å bringe enkelte saker inn for Sivilombudsmannen. Jeg opplevde at det var en nyttig aktør å være i kontakt med, og jeg opplever også som politiker at det er en nyttig og viktig aktør i vårt demokrati. Når man har fri taletid, kan man fort bli fristet til å kommentere enkelthetene i høringen, og også etter at vi nå har hørt representanten Tetzschner gå inn på maktfordelingsprinsippet og alt det som hører med der, er det veldig lett å la seg rive med og begynne å kommentere alle de delene, men jeg skal avstå fra den fristelsen. Men jeg noterte meg at det var enkelte etterspill fra noen andre og det var litt pussig – man kunne i hvert fall lett få det inntrykket, slik enkelte andre fikk det inntrykket utenfra – at representanten Tetzschner da hadde forsøkt å belære nåværende sivilombudsmann, som har vært tidligere høyesterettsdommer og for så vidt også professor i juss, og kanskje vil regnes som en som kan forvaltningsloven og skjønner maktfordelingsprinsippet ganske godt. høringen var det enkelte utenforstående som da skrev denne artikkelen i avisen og mente det var en pinlig seanse. Med de ordene vil jeg bare si at jeg slutter fullt opp om Sivilombudsmannens autoritet, ikke minst institusjonen som den finnes, og jeg er 100 pst. overbevist om at Sivilombudsmannen fullt ut forstår både forvaltningslovens regler og maktfordelingsprinsippet.

Sivilombudsmannen er Stortingets kontrollorgan over forvaltningen. Han er en viktig bidragsyter til maktfordelingen mellom forvaltning, Storting og domstol. En av de fremste oppgavene til Sivilombudsmannen er å hindre at forvaltningen øver urett. Etter en egen lov skal han rapportere til Stortinget både årlig og når det ellers er formålstjenlig. Han er altså et av de redskapene Stortinget har utstyrt seg med for å passe på at regjeringen følger de lovene Stortinget har gitt. Derfor er det uheldig når forvaltningen i to saker som vi diskuterer i dag, velger å se bort fra Sivilombudsmannens uttalelser. Sivilombudsmannens uttalelser er selvsagt ikke juridisk bindende, dette er det ingen uenighet om, og han kan heller ikke omgjøre avgjørelser truffet av forvaltningen. Men sivilombudsmann Falkanger har påpekt tydelig overfor komiteen at Stortinget har forutsatt at forvaltningen retter seg etter uttalelser fra Sivilombudsmannen. Når forvaltningen velger ikke å gjøre det, er en av hovedfunksjonene til Sivilombudsmannen også å og det var det Sivilombudsmannen gjorde i denne saken da han leverte særskilt melding til Stortinget. Det at forvaltningen velger å se bort fra Sivilombudsmannens syn i disse særskilte meldingene, kan bidra til å undergrave ombudsmannens mulighet til å utføre sitt oppdrag i prinsippet svekke den parlamentariske kontrollen med forvaltningen. De to sakene som vi her snakker om, de to særskilte meldingene, er av ulik karakter. På hver sin måte har de likevel så stor prinsipiell betydning for ombudsmannsordningen at det er bra at Stortinget ble oppmerksom på dem, og Miljøpartiet De Grønne er glad for at Sivilombudsmannen benyttet sin adgang til å varsle dem til Stortinget. Ingen av disse sakene er i seg selv kontrollkomiteens anliggende, men de viser veldig tydelig det prinsipielt viktige i Sivilombudsmannens oppfølging av sakene. Den mest prinsipielle saken er altså den som gjelder byggeforbud i strandsonen og hvorvidt det har virkning for eldre reguleringsplaner, og her er Sivilombudsmannen helt klar i sin tolkning på at byggeforbudet i strandsonen også skal gjelde for eldre reguleringsplaner, og sier at «strandsonen utbygges i strid med lovgivers Fredrik Holth og Nikolai Winge fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet fikk for godt og vel to år siden oppdrag fra Miljøverndepartementet om å utarbeide en ny veileder for juss i strandsonen. Daværende miljøverndepartement var stort sett enig i disse lovtolkningene, men var uenig på ett punkt, nemlig at byggeforbudet i strandsonen ikke skulle ha virkning for eldre reguleringsplaner som åpner for utbygging. utbygging. Denne veilederen er ennå ikke publisert. Det er selvfølgelig ikke opp til Miljøpartiet De Grønne å avgjøre om det skyldes den juridiske uenigheten, men det er iallfall uheldig at dette gjenstår som et uavklart punkt. Departementet har i forslag til endring av plan- og bygningsloven som ble sendt på høring i august, foreslått at deres tolkning presiseres i lovteksten. lovteksten. Departementets lovforståelse baserer seg altså på å ta disse mulige lovendringene som er departementets syn, på forskudd. Derfor er Sivilombudsmannens uttalelse svært prinsipiell og kan få store praktiske konsekvenser, for den innebærer nemlig at alle kommuner som har eldre reguleringsplaner i strandsonen, må utarbeide nye planer eller endre planene, slik at de ikke gir hjemmel for å tillate utbygging. Det er fullt forståelig at dette er et tungt politisk problem, men det er altså meget vesentlig å avgjøre hvordan denne saken skal tolkes og hva som er lovgivers intensjon, og det er svært vesentlig at vi tar hensyn til hva Sivilombudsmannen sier i et sånt spørsmål, fordi denne saken viser hvor stor konsekvens det har om man velger den ene eller den andre tolkningen.

hvor departementet ser bort fra Sivilombudsmannens lovtolkning, får man altså også en situasjon hvor det er høyst uklart i hvilken grad det er nødvendig for departementer å etterkomme ombudsmannens syn i tilsvarende prinsipielle saker. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen er

Stortingets ombudsmann for forvaltningen har en svært viktig rolle ved sin kontroll av forvaltningens avgjørelser. Selv om Sivilombudsmannens uttalelser formelt sett ikke er bindende, må slike uttalelser som hovedregel og i alminnelighet følges opp av forvaltningen for at ordningen skal fungere etter sin hensikt. Derfor er det bare i helt spesielle tilfeller forvaltningen ikke følger ombudsmannen. En oversikt fra Sivilombudsmannen som er sendt til Stortingets utredningskontor i januar i år, viser at dette har skjedd i 25 saker fra 2004 og frem til i dag. 20 av disse sakene ble behandlet av den forrige regjeringen. Ved en tilfeldighet har dette nylig skjedd i to saker som ligger under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I disse to sakene kom departementet etter en grundig faglig vurdering til at det var riktig å opprettholde tidligere standpunkt etter uttalelsen fra ombudsmannen. Samtidig ble det avdekket behov for å klargjøre gjennom endring i plan- og bygningsloven, som følges opp videre. Som nevnt mener jeg at Sivilombudsmannen har en svært viktig rolle ved sin kontroll av forvaltningen. Ombudsmannen skal etter ombudsmannsloven § 3 «søke å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger». Det er viktig at den enkelte borger kan klage til Sivilombudsmannen og ikke må gå til domstolene. De to konkrete sakene som tas opp i meldingen, gjelder mindre tiltak der det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. Det er naboer som har klaget til ombudsmannen. Det dreier seg ikke om enkeltpersoner som ikke har fått tillatelse, men reelt sett saker der det er uenighet mellom naboer. Den viktigste og mest prinsipielle av de to sakene gjelder byggeforbudet i strandsonen og forholdet til eldre reguleringsplaner uten særskilt byggegrense. Dette er et generelt spørsmål om tolkning av plan- og bygningsloven, og det er dette lovtolkningsspørsmålet departementet har behandlet. Departementets tolkning støtter seg på lovens overgangsbestemmelse og har vært lagt til grunn av departementet helt siden plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 trådte i kraft 1. juli 2009. Det betyr at denne lovtolkningen har vært lagt til grunn av den forrige regjeringen og av nåværende regjering. Det ble i saksordførerens innlegg stilt spørsmål om hvorvidt praktiseringen var et politisk ønske om liberalisering. Det kan jeg tilbakevise. Her har vi fulgt samme praktisering som den forrige regjeringen. Departementets standpunkt fører til at kravet om en særskilt angitt byggegrense bare gjelder for nyere planer. Det innebærer at planer vedtatt før 1. juli 2009, fortsatt gjelder selv om de ikke har byggegrense. Innstramningen av byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, som skjedde i plan- og bygningsloven av 2008, var bare ment å virke fremover. Det var ikke meningen å sette til side tidligere vedtatte planer. Dersom dette hadde vært meningen, ville det hatt så store økonomiske og administrative konsekvenser at det ville blitt nærmere omtalt i lovproposisjonen. La meg også vise til Miljøverndepartementets veiledning av fylkesmenn, kommuner og andre. I Miljøverndepartementets veileder T-1491 Kommuneplanens arealdel, utgitt i 2012, står det følgende på side 92: «Under henvisning til overgangsbestemmelsen i § 34-2 fjerde ledd er bestemmelsen forstått slik at byggeforbudet ikke gjelder der hele eller deler av forbudssonen er lagt ut til byggeområde i plan som er vedtatt etter plan- og bygningsloven 1985.» Dette viser at departementene har vært konsekvent i sin veiledning av hvordan denne loven skal fortolkes. Miljøverndepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementets standpunkt har vært lagt til grunn i lang tid og gir etter min mening en fornuftig løsning i praksis. Departementet har derfor foreslått at dette presiseres i loven. Det vil skape uryddighet dersom tolkningen skulle endres i en mellomperiode frem til loven endres. Å endre tolkningen ville dessuten føre til at en rekke tidligere byggetillatelser måtte gjennomgås og eventuelt tas opp til ny behandling. Mange familier, mange enkeltpersoner som har oppført tiltak i tiltro til gitte tillatelser, ville blitt berørt, og det ville blitt unødvendig saksbehandling. Den andre saken gjelder oppføring av en garasje i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til byggeformål. Saken gjelder dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen, som stiller krav om reguleringsplan før det kan bygges. Departementet kom frem til at det var grunnlag for å gi dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for å bygge denne garasjen i dette konkrete tilfellet. Dette gjelder et lite tiltak som ikke berører viktige interesser, og heller ikke konsekvenshensyn gjorde seg gjeldende. Til slutt vil jeg presisere at jeg mener at avgjørelsen i disse to sakene ikke svekker Sivilombudsmannen. Tvert imot viser sakene, meldingen og høringen i etterkant at ombudsmannens rolle er svært viktig. Det er behov for en uavhengig kontrollinstans som kan peke på svakheter i forvaltningens avgjørelser, og som kan bidra til å avklare vanskelige

påpeikt at det finst visse nyansar i det bildet. Ein ting som komiteen samrøystes påpeikte i den førre saka, var at kommunane synest å vere noko svakare i å følgje opp vedtak frå Sivilombodsmannen enn andre instansar. Denne saka kom ikkje til uttrykk fordi det er eit generelt problem i samfunnet at ingen bryr seg om kva Sivilombodsmannen seier – då ville det nok ha vore ei litt anna type sak vi hadde hatt her. Det er det spesifikke forholdet at eit departement i to saker som er veldig ulike – og dei einaste to sakene der dei har fått ein uttale mot seg – lét vere å følgje uttalen, og at Sivilombodsmannen valde å sende ei særskild melding fordi sakene var alvorlege, som gjer at eit stort fleirtal i komiteen, dvs. alle unntatt Høgre, valde å ha høyring, og at eit stort fleirtal, alle unntatt Høgre og Framstegspartiet, har uttrykt ulike former for kritikk gjennom merknader. Det andre kort til statsråden – om dei politiske sidene ved dette. Det er ingen tvil om, som det kom fram gjennom høyringa, som vi kjenner godt til, at fortolkinga var den same under førre regjering – og under førre statsråd, kan det leggjast til. Det eg sa i merknaden min, var ikkje meint å antyde eller spørje om det var eit politisk ønske, men eg siterte frå merknadene, som seier at dersom det var eit politisk ønske om endring, måtte ein valt ein annan veg enn i denne saka. men eg siterte frå merknadene, som seier at dersom det var eit politisk ønske om endring, måtte ein valt ein annan veg enn i denne saka. Det er igjen viktig å påpeike at denne saka ikkje kom opp ut frå at eit fleirtal her har eit anna politisk syn – for alt eg veit kan det vere ulike politiske syn på desse to sakene og korleis vi vil ha vedteke ting i dei – men ut frå det faktum at Sivilombodsmannen har bringa fram begge sakene på den måten dei skal, etter mandatet sitt. Det same gjeld den politiske

ved f.eks. å leggje til grunn at ein kritikk har større verdi dersom ein person ikkje får byggjeløyve, enn dersom han får byggjeløye. Heilt til slutt berre til eit spørsmål som kom opp, først frå komitéleiaren og så frå representanten Tetzschner, om Sivilombodsmannens autoritet byggjer på faglegheita hans. Eg er i grunnen einig i det representanten Tetzschner sa, at Sivilombodsmannens autoritet må byggje på faglegheita hans, ikkje at det er ein automatikk i at forvaltinga skal følgje opp, sjølv om ho i det store og heile skal det. Men der eg trur vi er ueinige, er at fleirtalet i komiteen vurderer Sivilombodsmannens faglegheit som svært solid i desse to sakene. Som det står i innstillinga, meiner vi han argumenterer svært godt i sakene, og at dei er så forskjellige at det er vanskeleg å finne eit fellestrekk for at dei ikkje skulle kunne følgjast opp. opp. Vi synest at motargumenta til at dei ikkje er følgde opp, er svake. Så er eg einig med statsråden i at Sivilombodsmannens autoritet per no ikkje er svekt gjennom desse sakene. Men dersom det skulle vere sånn at ei særskild melding frå ombodsmannen berre sklei forbi, utan at nokon brydde seg, utan at det vart følgt spesielt opp i Stortinget, kunne det kanskje verte antyda at han kunne No vil eg tvert imot seie at Sivilombodsmannens autoritet består, ja kanskje endå er styrkt, gjennom Stortingets behandling av desse to sakene. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Etter ønske fra kontroll- og konstitusjonskomiteen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

Riksrevisjonen har no undersøkt såkornfonda igjen, og målet med undersøkinga var å vurdera ordningas resultat og Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norges oppfølging opp mot Stortingets vedtak og føresetnadar. Såkornfonda er delte inn i tre bølgjer: bølgje 1, frå 1998–2013, med eitt landsdekkjande og fem regionale såkornfond bølgje 2, frå 2006–2021, med fire landsdekkjande såkornfond, og frå 2006–2023, med fem distriktsretta såkornfond I tillegg er det bølgje 2, frå 2006–2021, med fire landsdekkjande såkornfond, og frå 2006–2023, med fem distriktsretta såkornfond I tillegg er det bølgje 3, som starta i 2013, men ho er ikkje med i undersøkinga denne gongen, då fonda nyleg er oppretta. Hovudfunna til Riksrevisjonen er at frå 1998 til 2014
så en gang til, eller om man skal satse på noe annet. Jeg tror det er det som er saken her. Riksrevisjonen peker på at i perioden 1998–2014 har ingen store vekstbedrifter vokst fram, det er høy risiko, Innovasjon Norge har fulgt opp lite systematisk, og departementet har ikke lagt godt nok til rette for læring og oppfølging av langsiktige resultat av
er det store tap for både staten og private, og staten tapar 456 mill. kr. I tillegg har det av 173 investeringar ikkje vakse fram meir enn ca. 18 vekstbedrifter med 10–49 tilsette. Likeins er det i bølgje 2 høg risiko for at staten ikkje